Representantene Ingebjørg Amanda Godskesen, Tone Wilhelmsen Trøen, Sverre Myrli, Hans Andreas Limi, Morten Wold, Per Olaf Lundteigen, Tor André Johnsen, Ruth Grung, Helge Orten, Pål Farstad, Geir S. Toskedal, Elin Rodum Agdestein, Frank J. Jenssen, Snorre Serigstad Valen, Tom E.B. Holthe, Ingjerd Schou og Line Henriette Hjemdal, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Den innkalte vararepresentanten for Østfold fylke, Tone Damsleth, har tatt sete. Det foreligger tre permisjonssøknader: fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Knut Storberget fra og med 3. februar og inntil videre fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representantene Sylvi Graham og Mette Tønder, begge fra og med 3. februar og inntil videre Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknadene behandles straks og Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Akershus fylke: Thore Vestby og Kjartan BerlandFor Hedmark fylke: Lasse Juliussen Thore Vestby, Kjartan Berland og Lasse Juliussen er til stede og vil ta sete. Representanten Kenneth Svendsen vil fremsette et representantforslag.

og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og medlemmer av regjeringen 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til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

Det var Kristin Halvorsen, kunnskapsminister i Stoltenberg-regjeringen, som la dette inn som en del av forskningsmeldingen våren 2013. Stortinget sluttet seg til en slik langsiktig plan, selv om Høyre i merknadsform var spørrende til nytteverdien av en slik plan. Gleden mange viste ved framleggelsen av planen sammen med statsbudsjettet, kan også skyldes den usikkerhet som var knyttet til om denne regjering ønsket en slik plan, da den heller ikke er omtalt i regjeringens plattform. Å bygge opp gode forskningsmiljøer krever lang og systematisk satsing over tid. De miljøene vi kjenner som i dag gjør det svært bra i verdenssammenheng, er minimum 15–20 år gamle. De fleste er eldre. Og skal man få mest mulig ut av ressursene våre, er det lurt å se mest mulig i sammenheng. Det gjelder investeringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, antallet stipendiater og studieplasser. studieplasser. Denne forutsigbarheten må samtidig bygge opp under de satsingsområdene som kommer fram i forskningsmeldingen, og som konkretiseres i enda større grad i langtidsplanen. Hav, klima og miljø, en god og effektiv offentlig sektor som utvikler bedre velferdstjenester, teknologisk satsing og næringslivsforskning er det vi finner i denne planen, og det er veldig bra. ved Universitetet i Oslo og bygging av nytt Ocean Space Center i Trondheim er gode eksempler på samspill mellom temasatsing og infrastruktur. Dette er også bra og gir sektoren mer forutsigbarhet. Likevel: Arbeiderpartiet mener langtidsplanen lider under tre store mangler. Den er ikke konkret nok, den er mangelfull på utdanning, og den ser bort fra andre viktige prosesser i sektoren som foregår, og som vi daglig kan lese om i avisene, som handler om struktur og finansiering. Arbeiderpartiet er ikke i utakt med sektoren i sin kritikk, slik statsråden gir uttrykk for i Dagens Næringsliv i dag. I likhet med oss var sektoren fornøyd med det som kom i høst, men etterlyste mer. Universitets- og høyskolerådet sa følgende på høringen: «Opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger er bra, men vi vil understreke at behovet er større.» Abelia uttalte: «Vi støtter de to byggeprosjektene, men etterlyser en større plan for hvilke byggeprosjekter som bør prioriteres på lengre sikt og hvordan disse skal ferdigstilles.» Forskerforbundet uttalte: «For at den fremlagte planen skal kunne bli et viktig verktøy for utdannings- og forskningssektoren er det nødvendig å utbedre noen viktige mangler.» Det var det som kom fram i høringen blant mange andre innspill. La meg gå inn i de tre punktene som Arbeiderpartiet har innsigelser For det første: Langtidsplanen er ikke konkret nok. Den mangler omtale av studieplasser, til tross for at et enstemmig storting var krystallklart på en slik bestilling. Den har ingen liste over bygg som bør bygges i årene som kommer. Med unntak av de to byggene som jeg nå har nevnt, er det ingenting. 500 nye rekrutteringsstillinger og 400 mill. kr til infrastruktur varsles i perioden 2015–2018. Men da vil jeg minne om forsiden på planen, hvor årstallene 2015–2024 er det planen skal gjelde for. Hva med andre bygg det er behov for i sektoren? De er ikke omtalt. Hva med rehabiliteringsbehovet i sektoren, som Riksrevisjonen har tatt opp som egen sak i Stortinget? En tredjedel av bygningsmassen er i dårlig stand, særlig bygg som Kunnskapsdepartementet har ansvaret for. Og for at disse byggene fortsatt skal kunne brukes, går en betydelig del av handlingsrommet til institusjonene til å vedlikeholde disse. Til det som gjelder rekrutteringsstillinger: Ifølge opplysninger Sykepleierforbundet ga komiteen under høringen, trengs hele 500 nye slike stillinger i denne perioden for å sikre forskningsbasert utdanning for det viktige profesjonsyrket som sykepleie er. Regjeringen har lagt opp til 500 totalt. Da blir det for tynt. Arbeiderpartiet mener planen hadde blitt bedre om den hadde inneholdt en prioritering av nasjonalt viktig forskningsinfrastruktur, samt en plan for hvordan framtidas kunnskapsbehov kan fylles både innenfor og utenfor sektoren. Vi etterlyser også mer om status og videre ønsket utvikling hva gjelder tilstanden for norsk høyere utdanning og forskning, som f.eks. FoU-årsverk per 1 000 sysselsatt, andelen av befolkningen med høyere utdanning,

Det er mulig Arbeiderpartiet burde forstått at utdannelse ligger implisitt i alt som omtales i planen, slik statsråden flere ganger har insinuert, men i så fall er det flere enn oss som ikke har forstått at utdanninger er bredt omtalt. Da velger jeg å sitere NSO, Norsk studentorganisasjon: «Planen leverer på forskning, mens høyere utdanning synes glemt.» Det er jevnt over de tilbakemeldingene vi har fått. Forskning og høyere utdanning hører nøye sammen. Det er nettopp en forutsetning for høy kvalitet i utdanning at disse oppgavene løses parallelt. En av grunnene er selvsagt at det er blant studentene vi finner morgendagens forskere, men en like viktig grunn er at tette koblinger mellom forskning og utdanning gir studentene forståelse av hvordan forskning foregår, og hvordan den kan brukes. Å sikre at Norge har arbeidstakere som evner å forstå og ta i bruk ny kunnskap, må være en sentral del av det å satse på forskning og utvikling. Den oppgaven har regjeringen neglisjert. Denne morgenen ble Studiebarometeret lagt fram. Resultatene der kunne vært bedre. Det er liten tvil om at utdanningskvaliteten på en del institusjoner – både på universiteter og høyskoler – absolutt kunne vært bedre, og det kreves en bred og systematisk tilnærming for å løfte utdanningskvaliteten. Når en slik analyse og forslag til tiltak mangler i denne planen, svekker det planen totalt. Dessuten har Stortinget vedtatt at vi skal ha en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning – et forslag som Høyre var pådrivere for. Fram til nå har ikke statsråden villet svare på om det kommer en slik melding eller ikke. Denne meldingen tilfredsstiller i hvert fall ikke det Stortinget ba om i forrige periode. En tredje svakhet ved meldingen er blitt enda mer aktuell

uklart. For å nå målene vi har på dette feltet, hvordan passer denne nye strukturen inn? Ikke noe av dette er berørt i planen. Dessuten har regjeringen varslet en vurdering av ny finansieringsordning. Konklusjonen skal legges fram utpå våren, men heller ikke noe så viktig som hvordan universiteter og høyskoler skal finansieres, berøres her – i utgangspunkt helt naturlig i og for seg for en langtidsplan, gitt at alt annet ligger fast. Men det er en fare for at denne planen fort blir utgått på dato når så mye skjer parallelt. Flertallet i Stortinget – alle unntatt regjeringspartiene – mener at det svekker verdien av langtidsplanen at både struktur og finansiering er uavklart når Stortinget behandler planen. Forskning og kunnskapsutvikling er ingenting uten viktige forskere og andre fagfolk. Norsk akademia står foran et generasjonsskifte. Det vil gi utfordringer med å fylle hull etter dyktige fagfolk, men det gir også en mulighet til å løse problemer som har vært i sektoren over tid. Jeg tenker da først og fremst på den høye bruken av midlertidighet. Det foregår en kamp om å rekruttere de beste blant ungdom i Norge. Dyktig ungdom er ettertraktet. Med høy grad av midlertidighet er ikke akademia så attraktiv som man skulle tro, og som vi skulle ønske. Ikke minst er det en del dyktige kvinner som velger seg vekk fra sektoren, selv om de er absolutt flinke nok til å kunne gjøre en lang karriere der. Men de velger seg vekk fordi usikkerheten og uforutsigbarheten blir for uforenlig med et stabilt familieliv. Dette er derfor også en mulighet til målrettet å gjøre tiltak for hvordan vi rekrutterer flere kvinner inn i akademia, og da ikke minst inn i toppforskerstillinger, der menn fremdeles er i overveldende flertall. Over 60 pst. av studentene er kvinner, kun 25 pst. av professorene er kvinner. Men det er også andre utfordringer hva gjelder rekruttering. Regjeringen har snakket mye om verdensledende forskning,

men vi skal vokte oss vel for at politikken blir for instrumentell. Forskning må aldri bare bli noe som forventes å realisere konkrete og kortsiktige politiske målsettinger. Kunnskap har en egenverdi og kunnskapssamfunnet dermed sin egen berettigelse, og det er særlig viktig å sikre grunnforskningens frihet framover. Jeg tar herved opp Arbeiderpartiets forslag. Da har representanten Marianne Aasen tatt opp de forslag hun refererte til. Det

Senest i juni 2013 i forbindelse med behandlingen av forrige forskningsmelding mente de rød-grønne partiene at det ikke var hensiktsmessig å tidfeste et ambisjonsmål om investeringer i forskning og utvikling. Noe av det første Arbeiderpartiet bidro med i forskningspolitikken, som i åtte år ble styrt av SV, var å fjerne tidfestingen av 3 pst.-målet. Allerede i forbindelse med behandlingen av sin første forskningsmelding, Vilje til forskning, i 2009 ble denne tidfestingen fjernet uten noen nærmere angitt begrunnelse.

så lenge de er i opposisjon, og det står i skarp kontrast til deres manglende ambisjoner da de selv satt i regjering. Hva har fått Arbeiderpartiet til å snu og innse at 3 pst. av BNP bør gå til forskning innen 2030? Vi har hele tiden hatt et langsiktig mål om at 3 pst. skal gå til forskning, men vi har variert når det gjelder tallfesting av årstall, det er helt riktig. Jeg synes det er langt

Så det som er det interessante for alle her i salen, må være hvordan vi skal nå dette, i stedet for å stå og diskutere om det er 2020, som mellompartiene gikk inn for, 2030, som Høyre og Fremskrittspartiet gikk inn for, eller et ubestemt mål, som vi gikk inn for, men som vi nå støtter Høyre på.

tett forskning og høyere utdanning er knyttet sammen i planen, og det er interessant å lese komitéinnstillingen når man vet hvordan kritikken fra Arbeiderpartiet på dette feltet har vært. Der står det veldig lite om hva mer som burde ha stått om høyere utdanning. Det tegnes veldig få mål, strategier eller visjoner fra Arbeiderpartiets side. I forslagene sine ber de utelukkende om at regjeringen må komme tilbake en eller annen gang til Stortinget med noe. Kan representanten redegjøre for om dette er et tegn på idétørke, klaging for klagingens skyld eller manglende tro på egne politikkutformingsegenskaper? Jeg takker for spørsmålet. Det gir meg anledning til å forklare hvorfor, og det er nemlig det at prinsipielt mener Arbeiderpartiet at Stortinget ikke skal drive med utredning. Når meldingen er såpass tynn som den er, mener jeg at vi må sende ballen tilbake til regjeringen og be

fordi vedlikeholdet har vært så dårlig over så mange år. Vi opplever en hel sektor med midlertidighet, og man fyller gjerne gatene her for å stoppe den korte midlertidigheten, mens den lange midlertidigheten får rulle innenfor de to sektorene. Nå satt Arbeiderpartiet i regjering i åtte år og kunne ha styrt det. Jeg ser at man nå innser at det er mange svakheter spesielt på disse to feltene. Men har man noen nye ideer for hvordan man skal løse utfordringene? Eller er det bare å kritisere når man er i opposisjon? Det er mange ting som vi tar opp i denne meldingen for å løse en del av utfordringene. Det er mye mer konkretisering, og jeg kan se at Venstre til min glede er med på noe, men ikke alt. De trekker seg også litt tilbake, av hensyn til regjeringspartiene, åpenbart. Når det gjelder museumsbyggene, handler det om økonomi. Fortsatt er det uklart hvordan finansieringsordningen, som vi skal behandle senere i vår, vil være. Men det er klart at museumsbyggene er viktige for de store universitetene, som har det ansvaret. Når det gjelder midlertidigheten, gjorde vår regjering mye på midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren. høyskolesektoren. Det førte til at midlertidigheten gikk ned, noe som også statsråden har bekreftet at den gjorde. Så får vi følge med videre – for nå er dette med tjenestemannsloven sendt ut på høring – og se om det er et spor å forfølge. Jeg mener at vi skal bruke mange typer virkemidler for å se om vi får ned midlertidigheten, som er uheldig, også i den sektoren.

eller syns man at man styrte kjempebra da man styrte sjøl? – Eller litt sjølkritikk, kanskje? Arbeiderpartiet tror vel ikke på at vi kan trylle fram flere penger med nye mekanismer. Man har de pengene man har, og så handler det om prioriteringer. Jeg mener at denne sektoren er viktig å prioritere. å prioritere. Vi må sikre noe framtidig også. Målet om 1 pst. offentlige bevilgninger til forskning og utvikling er et sånt virkemiddel, som da også vil føre til at man ivaretar byggene bedre. Men i mitt innlegg tok jeg opp nettopp dette med vedlikehold av gamle bygg, som ikke er med i meldingen i det hele tatt, men som både Venstre og Arbeiderpartiet ønsket i forskningsmeldingen. Det står ikke noe om opptrappingsplan for nybygg heller. heller. Det mener jeg langt på vei, sammen med nok penger, vil være det som vil løse de utfordringene når det gjelder bygg, som representanten Trine Skei Grande tar opp. Replikkordskiftet er omme. Da jeg begynte å engasjere meg i politikk for alvor, var det ut fra et brennende engasjement for høyere utdanning og

undervisningen. Mitt engasjement bunner også i mine egne erfaringer fra min tid som forsker ved Universitetet i Oslo, i USA og på SINTEF og som leder i Nærings- og handelsdepartementet og ved utdannings- og forskningsmiljøet på Simula. Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa Erna Solberg i sin første nyttårstale som statsminister. For å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden må Norge ha høyere utdanning og forskning med bedre kvalitet enn i dag. Vi må legge en strategi for investeringer og struktur for morgendagens kunnskapssamfunn som svarer på vårt samlede nasjonale behov – ikke bare i dag, men mange år frem i tid. Vi må sørge for at norsk samfunns- og arbeidsliv får tilgang på den beste kompetansen, og da må vi ha utdanningsinstitusjoner av internasjonalt format. Vi må sørge for at Norge lykkes internasjonalt, ikke minst i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Det vil gi norske miljøer verdifull tilgang på kunnskap og kompetanse. Den offentlige satsingen må styrkes for å holde tritt med utviklingen i andre land. Vi må også stimulere til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet. Vi bør i større grad enn i dag rette offentlige investeringer inn mot de forskningsmiljøene vi vet leder an internasjonalt, samtidig som vi opprettholder en god bredde i akademia. Som et svar på dette har altså regjeringen fremmet en langtidsplan for forskning og høyere utdanning der felles mål og prioriteringer for forskning og høyere utdanning for første gang i historien trekkes opp i et tiårsperspektiv. De overordnede målene i planen er å styrke vår å løse store samfunnsutfordringer å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet Vi trenger flere fagmiljøer av ypperste klasse for å utvikle Norge til en nyskapende nasjon, som kan sikre vårt velferdssamfunn også etter at oljeeventyret er slutt. Regjeringen har som ambisjon å utvikle flere verdensledende fagmiljøer, og da er spørsmålet enkelt: Hvordan skal vi få til det? Svaret er selvsagt ikke like enkelt, men Langtidsplanen gir noen overordnede mål og prioriteringer, samtidig som den inneholder konkrete opptrappingsplaner og vekst i bevilgninger til både høyere utdanning og forskning. Regjeringen varsler om konkrete tiltak i løpet av perioden 2015–2018, som å etablere mange flere rekrutteringsstillinger å trappe opp bevilgningene til forskningsinfrastruktur til forskningsinfrastruktur å styrke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Planen legger til grunn regjeringens mål om at forskning skal utgjøre 3 pst. av BNP innen 2030. For å lykkes er det imidlertid ikke nok å bevilge mer penger – vi må også ha klare mål for hva vi ønsker å oppnå, og hvordan vi skal lykkes. Når vi slutter oss til regjeringens forslag, betyr det at vi kan forvente en opptrapping på 1,4 mrd. kr til utstyr, rekrutteringsstillinger og styrket europeisk forskningssamarbeid. I tillegg innebærer det en forpliktelse om økte forskningsbevilgninger hvert år til vi når målet om at den offentlige innsatsen tilsvarer 1 pst. av BNP. I tillegg prioriteres viktige byggeprosjekter, nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av marinteknisk senter, Ocean Space Centre i Trondheim. Trondheim. Begge disse byggene understreker satsingen på høyere utdanning, forskning og utvikling, og er helt i tråd med regjeringens tematiske satsingsområder. Det nye bygget i Gaustadbekkdalen her i Oslo vil inneholde mye av det Universitetet i Oslo ønsker å være verdensledende på fremover. Det vil muliggjøre at man får samlet flere ulike forskningsmiljøer innenfor livsvitenskap. innenfor livsvitenskap. Livsvitenskap er en form for vitenskap der man studerer levende organismer som planter, mikrober, dyr og mennesker i vid forstand med ulike naturvitenskapelige tilnærminger hentet fra fag som biologi, kjemi, fysikk, farmasi, molekylærbiologi, informatikk, medisin, ernæring og odontologi. Ifølge rektoren på Universitetet i Oslo er denne satsingen et viktig felt for utdanning av studenter, og det samler mye av den kunnskapen vi trenger i samfunnet fremover. Et slikt bygg vil også være viktig for næringslivet i fremtiden, der vi etter hvert snakker om en kunnskapsbasert bioøkonomi, som vil være mye grønnere enn dagens norske økonomi. Det er grunn til å gjøre seg noen refleksjoner. Vi har nok av evalueringer som peker på utfordringene i dagens utdannings- og forskningssystem. I 2014 mottok Forskningsrådet en rapport, utarbeidet av de svenske professorene Mats Benner og Gunnar Öquist, som peker på at norsk forskning i for stor grad preges av middelmådighet og mangel på ambisjoner. Mange vil kanskje protestere, men jeg tror det er grunn til å lytte. For å lykkes i forskningspolitikken må forskningssystemet bestående av den politiske styringen, den forskningsfinansierende delen og de utførende enhetene alle virke i samme retning. Rapporten fra Benner og Öquist understreker betydningen av å erklære høye ambisjoner om kvalitet på alle nivåer, betydningen av åpen rekruttering og karrierepleie og betydningen av å videreutvikle sterke institusjoner med et sterkt akademisk lederskap. Langtidsplanen svarer på dette. Vi har nok av utvalgsrapporter og evalueringer som peker på at norsk høyere utdanning ikke holder god nok kvalitet. Beskjeden er at vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt utover. Vi har for mange små og sårbare fagmiljøer som tilbyr de samme utdanningene. Det fører til at mange små institusjoner legger strategier for å konkurrere med hverandre i stedet for å samarbeide. For å styrke kvaliteten har derfor regjeringen satt i gang arbeidet med å gå gjennom strukturen i universitets- og høyskolesektoren. Målene og grepene som er fastsatt i langtidsplanen, legger et godt grunnlag for nødvendige endringer i universitets- og høyskolesektoren. I januar mottok regjeringen forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler fra en ekspertgruppe. Disse forslagene vil være viktige innspill i regjeringens arbeid med den varslede stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Sammen vil grepene og målene som fastsettes i langtidsplanen og strukturmeldingen, bidra til å styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning. Når opposisjonen i denne salen, anført av Arbeiderpartiets Marianne Aasen, uttrykker skuffelse over regjeringens langtidsplan, mener jeg at hun bommer ganske kraftig. Jeg mener Arbeiderpartiet har mer grunn til å være skuffet over egen innsats under den rød-grønne regjeringen, der ord så ut til å være viktigere enn handling. Arbeiderpartiet lot SV sitte ved roret i Kunnskapsdepartementet i åtte år – i en periode med sterk vekst i offentlig forbruk uten en tilsvarende vekst i investeringer i høyere utdanning og forskning. heller få konkrete grep om å styrke kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Jeg kan ikke se at det er hold i påstanden om at langtidsplanen ikke innebærer konkrete forpliktelser. Det er faktisk lenge siden det er lagt frem et dokument i Stortinget om forskning og høyere utdanning som har vært så konkret som dette. Regjeringen slår fast at investeringene skal utgjøre 3 pst. av BNP innen 2030. En slik målsetting fjernet den rød-grønne regjeringen allerede i 2008. I tillegg beskrives konkrete, forpliktende opptrappingsplaner på viktige innsatsfaktorer som innebærer 500 nye rekrutteringsstillinger, 400 mill. kr i økte bevilgninger til forskningsinfrastruktur og en økning på 400 mill. kr til incentivordninger for å stimulere til norsk deltakelse i EU. I langtidsplanen ser regjeringen høyere utdanning og forskning tett knyttet sammen. Det er uttrykt klare felles mål og prioriteringer. Planen er et tydelig linjeskift i satsing på verdiskaping, kvalitet og de store utfordringene vi står overfor. Både Forskningsrådet og Akademikerne har kalt planen en milepæl, mens Unio har omtalt den som både ambisiøs og konkret. Poenget er at vi skal skape forutsigbarhet og stabile rammevilkår for sektoren, samtidig som vi må ta hensyn til at verden kan se annerledes ut om ti år. Derfor kan vi ikke låse oss til spesifikke virkemidler for en så lang periode, verken når det gjelder forskning eller høyere utdanning. Vi har et så uendelig godt utgangspunkt for å lykkes i kunnskapspolitikken, men vi trenger å samle kreftene og styrke kvaliteten. I Norge er det allerede gode forutsetninger for å lykkes, men vi må tørre å foreta noen Regjeringen har høye ambisjoner, og derfor har vi også sett et taktskifte i politikken der en god skole, dyktige fagarbeidere og kvalitet i høyere utdanning og forskning er blant regjeringens aller viktigste prosjekter. Siden Erna Solberg overtok som statsminister i 2013, har vi sett konkret handling gjennom sterke budsjetter. Nå ser vi at regjeringen både investerer mer og leverer konkrete bidrag for å styrke kvaliteten i våre utdannings- og forskningsmiljøer.

hvis dette hadde vært en eksamen, hadde regjeringen fått stryk. Det er en ganske betegnende beskrivelse, for dette er en forspilt mulighet. Regjering og storting lager av og til langtidsplaner – vi lager langtidsplaner for jernbane, vei og transport, vi lager langtidsplan for Forsvaret, vi omsorgsplan, og vi lager et kulturløft – som regjeringen riktig nok har gått bort ifra. Det gir en mulighet til å planlegge og en ambisjon. Hvorfor bruker ikke Høyre denne muligheten til å lage en tilsvarende helhetlig, forutsigbar og sterk plan for forskning og høyere utdanning? For det første vil jeg si at den generelle tilbakemeldingen vi har fått på denne planen, har vært bejublende, faktisk. Når det er slike høringer, er det opplagt at man kommer med videre ønsker om hva som kunne vært enda bedre, og slik vil det alltid være. Men jeg har hørt en stor grad av begeistring i alle de miljøene som har vært på høring, og så har de altså benyttet anledningen i høringen til å komme med forslag som kan være enda bedre. så har de altså benyttet anledningen i høringen til å komme med forslag som kan være enda bedre. Når det gjelder å benytte anledningen, vil jeg nesten parere tilbake: Hvorfor benyttet ikke Arbeiderpartiet anledningen til å løfte forskning og høyere utdanning da de selv satt i regjering i åtte år? Denne langtidsplanen er et svar på hvordan vi skal ha en overordnet strategi, og hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn i et tiårsperspektiv – som gir både høyere utdanning og forskningsmiljøene en mulighet til å

Når det står mer om et veistykke rundt Hønefoss i langtidsplanen for transport enn det står om samlet høyere utdanning i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, så er det ikke rart at sektoren blir frustrert. Det finnes ikke noen «bejublende» kommentarer – det er en lettelse over at det i det hele tatt kom en plan, i og med at Høyre opprinnelig var imot det, men skuffelse over at man ikke er mer konkret. Nå økte forskningsbudsjettet mer enn det samlede statsbudsjettet da vi satt i regjering, mye sterkere enn da Høyre forrige gang satt i regjering, så den kampen kan vi også ta, men jeg gjentar spørsmålet mitt: Hvorfor lager man en så tynn helhetlig melding når dette kunne ha løftet sektoren, løftet statsrådens muligheter i budsjettkonferanser og løftet en samlet satsing for forskning og høyere utdanning på en helhetlig og konkret måte?

Når man lager en slik strategi, gjelder det å være overordnet og peke på noen retninger, og man skal ikke detaljstyre. Men dette dokumentet viser en retning. Og når det gjelder mottakelse fra eksterne aktører, opplever jeg en helt annen virkelighet enn det Arbeiderpartiets representant beskriver, gjennom heller en lettelse siden den blå regjeringen kom til makten, hvor en ser et tydelig taktskifte, både gjennom økte bevilgninger og gjennom klare handlinger. Vi har en prosess med både strukturgjennomgang, finansieringssystem og denne langtidsplanen. Det skjer mye i sektoren, og det satses høyt på investeringer. Jeg tror sektoren er

og vi har hatt veldig mange evalueringer og rapporter opp gjennom de siste årene som peker på at vi dessverre har altfor mange små og sårbare fagmiljøer i dette landet, i våre ulike utdanningsinstitusjoner. Denne planen løfter opp at man skal styrke fagmiljøene, og det vil selvfølgelig gjelde både studiekvaliteten Så det å løfte frem fagmiljøer og prioritere fagmiljøer som et satsingsområde fremover, vil gjøre at man får bedre kvalitet både i utdanningen og i forskningen, som selvfølgelig hører tett

på høyringsrundane, og det er jo ingen jubel; det er ganske solid kritikk frå denne høflege gjengen. Spesielt utdanning har fått hard medfart, noko representanten ikkje i det heile tar til motmæle mot. Berre for å få klarheit i kva regjeringa ønskjer med ein slik plan – der utdanning omtrent ikkje er nemnd forpliktande i planen: Ambisjonsnivået for forsking er at ein skal bli verdsleiande, mens ambisjonsnivået for utdanning er at det skal bli mens ambisjonsnivået for utdanning er at det skal bli god utdanning. Korleis ser representanten for seg at ein skal skape verdsleiande forsking med god utdanning? Denne langtidsplanen ser for seg å styrke fagmiljøer til å bli mye sterkere, og et fagmiljø består av både utdannings- og forskningsmiljøer. Så vil jeg si: Det første Torbjørn Røe Isaksen gjorde da han ble statsråd – eller i hvert fall etter å ha blitt litt varm i trøya – var å avklare at man skal komme med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Så det har ikke vært noen nervøs beving i sektoren i langt tid med tanke på det spørsmålet. Så har man levert en melding som omtaler forskning og høyere Hvis man leser nøye gjennom planen, står det at fagmiljøer skal styrkes, og det gjelder både forskning og utdanning. Så det virker som det bare er en stivnet tanke i hodene på mange som leser, at de ikke klarer å se det grepet som er gjort: at når man styrker et fagmiljø, gjelder det både den høyere utdanningen og forskningen. Replikkordskiftet er omme. Da biskop Johan Ernst Gunnerus sammen med Schøning og

Før dette hadde stort sett norsk forskning – eller i det minste forskning utført av norske fagfolk – blitt utført i våre naboland, som lå noen år foran oss på dette feltet. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab skapte en revolusjon der den akademiske karrierevei ble gjort kjent og tilgjengelig for flere enn teologer og noen andre få utvalgte yrkesgrupper. Da vi fikk vårt første universitet, Universitetet i Oslo, drøye 50 år etterpå, etter opprettelsen av DKNVS, fikk vi mulighet til å kople akademisk utdanning og forskning sammen, som vi også gjør i dag. Fra biskopen og naturforskeren Gunnerus via f.eks. matematikeren Abel, kjemikeren Onsager, arkeologen Heyerdahl og fram til i dag har det skjedd en viss utvikling. Mens man for 250 år siden kranglet om Newtons tre forsker man i dag på livsviktig medisin, på Alzheimer, på om det faktisk er mulig å 3D-printe et helt hus. Situasjonen er litt annerledes i dag, også i Norge. Det har vært en styrke for våre miljøer at vi i denne salen har stått sammen om de overordnede føringene, problembeskrivelsen og diagnosen, selv om medisinen av og til bærer preg av litt ulike løsninger.

løse de store samfunnsutfordringene og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Når det gjelder styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, er det en kjent sak at vi aldri kommer til – i hvert fall ikke i nærmeste framtid – å bli billigst i Norge, men vi kan være best. Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av I en ny økonomisk hverdag uten at olje- og gassektoren er den definitivt største verdidriveren, er næringslivet nødt til å finne nye løsninger og innovere produkter for å beholde arbeidsplasser og styrke verdiskapingen. For det offentlige er det avgjørende med fornyelse for å møte et stadig større og mer kravstort marked. Å løse de store samfunnsutfordringene handler helst om å være i forkant av utviklingen. Vi vet det kommer en eldrebølge. Vi vet at vi har – og mest sannsynlig kommer til å få – enda større utfordringer med sikkerhet og beredskap i tiden framover, og vi vet at tilgangen på mat og drikke på verdensbasis vil bli utfordrende. Felles for disse er at de kan løses, slik de også er blitt løst tidligere. Forskning og utvikling og innovasjon vil være helt avgjørende for å forvalte dette sammen med utdanningssystemet. Det noen har kritisert denne planen for, er at den er såkalt ensidig opptatt av verdensledende miljøer og fremragende kvalitet. Det stemmer selvsagt ikke, men det har en helt fortjent plass i planen. Som jeg nevnte i starten av innlegget, er vi på tvers av blokkene stort sett enige om diagnosen på forskning og høyere utdanning. En del av denne diagnosen er klokkeklar på at vi har for mange små og for mange fragmenterte miljøer som leverer forskning og utdanning på et ikke tilfredsstillende nivå. Høy kvalitet er nødt til å være et gjennomgående mål. Skal vi tiltrekke oss de beste fagfolkene, også utenlandske, og hindre at for mange av våre egne drar til mer spennende miljøer i utlandet, er dette av avgjørende betydning.

Det var et mål det forrige stortingsflertallet fjernet, og jeg er glad for å registrere at de nå angrer på det. For å få til alt dette og for å sørge for at det ikke bare blir fine tall og glade festtaler, må det konkretiseres. Hvordan skal vi nå disse målene? Jo, ved å øke ved å øke bevilgningen til forskningsinfrastruktur med 400 mill. kr og ved å mangedoble bevilgningene for å sikre stor og god deltakelse i Horisont 2020. Vi er i gang. I statsbudsjettet for 2015 følges langtidsplanen opp med rundt 800 mill. kr. Realveksten i bevilgninger til forskning og utvikling er på hele 4,5 pst. på toppen av et godt FoU-år i 2014. Aldri før har vi vært nærmere 1 pst.-målet, og enda nærmere skal vi komme i de årene som kommer. Et av de viktigste tiltakene som lanseres i planen, er en kraftig og helt nødvendig opptrapping av STIM-EU og andre stimuleringstiltak for å øke returandelen fra verdens største forskningskonkurranse og -samarbeid, Horisont 2020. For å nå den ambisjonen er vi nødt som vi har sagt, å øke deltakelsen med over 60 pst. sammenliknet med det 7. rammeprogrammet. Da må vi ha ledende miljøer som når opp i konkurransen med de aller beste, og der miljøene må ha betingelser som gjør det mulig å delta på EU-arenaen. Det siste elementet har dessverre ikke vært tilfellet for forskningsinstituttene fram til SINTEF og Norges forskningsråd har beregnet at rammen for stimuleringstiltak må økes med 350 mill. kr for å nå målet for norsk deltakelse i Horisont 2020. Fasit i planen er 400 mill. kr. Planen peker på to særlig viktige bygg i perioden som vil bli prioritert, nemlig Life Science-senteret i Oslo og Ocean Space Centre i Trondheim.

Det er en spesiell form for kritikk. De rød-grønne la fram en forskningsmelding i 2013, som var lengre enn denne handlingsplanen, men den inneholdt ikke en eneste konkret opptrapping. Vi klarer å få til veldig klare prioriteringer og mål for sektoren på knappe 50 sider. Det er en styrke, ikke en svakhet. svakhet. Kritikken har særlig kommet for at høyere utdanning er viet for liten plass til fordel for forskningen. Det er synd at opposisjonen ikke klarer å se disse mer i sammenheng enn det man faktisk gjør. Forskning og høyere utdanning er i de fleste sammenhenger uløselig knyttet sammen – så også i denne planen. Når vi sier at vi satser på verdensledende miljøer, gjelder det både forskning og høyere utdanning. Når vi satser på muliggjørende teknologier, handler det om både forskning og høyere utdanning. Når vi gjennomfører en historisk satsing på antall rekrutteringsstillinger, påvirker det både forskningen og den høyere utdanningen. Dette er en historisk dag. Det er en ambisiøs og god plan som vil bli vedtatt. Sektoren skal endelig få den langsiktigheten og den forutsigbarheten den fortjener. Nå kan man endelig begynne å rette blikket Kunnskapssamfunnet er på vei. Det blir replikkordskifte. I debatten om forskningsmeldinga i 2013 understreket Fremskrittspartiet behovet for å tidfeste løfter, og den gang ville de ha en modell etter Nasjonal transportplan. representant Tord Lien understreket: «Å ha et mål uten å tidfeste det er som å sende et stort julekort med ønske om god jul og godt nyttår.» Det finnes ikke et eneste tidfestet mål eller for så vidt tallfestet mål for høyere utdanning i denne langtidsplanen. Høyere utdanning nevnes nesten ikke. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmer i dag forslag om at regjeringa skal legge fram en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Dette forslaget var Fremskrittspartiet for i 2013. Hvis jeg ikke tar helt feil, har nå også statsråden varslet en stortingsmelding om utdanningskvalitet. Det er helt i tråd med vårt forslag. Hvorfor stemmer Fremskrittspartiet imot vårt forslag om en slik plan, noe de tidligere var for? Og hvorfor stemmer de imot våre forslag om å heve utdanningskvaliteten? Grunnen til at vi stemmer imot det, er at vi føler at det blir mer smør på flesk enn nødvendig når man allerede vet at en slik stortingsmelding kommer til Stortinget i løpet av 2017. Nå har vi fått klarlagt at en slik stortingsmelding kommer, og jeg ser fram til at den blir behandlet i Stortinget. Men så kan man ikke si at det er ingen tallfesting for høyere utdanning. Hvis man bruker Arbeiderpartiets briller, kan man se det sånn – hvis man ikke ser forskning og høyere utdanning sammen. Men forskning og høyere utdanning er uløselig knyttet sammen – det er det også i denne planen. Da er det feil å si det når det f.eks. er et mål at offentlig forskningsinnsats skal opp til 1 pst. av BNP innen 2020. Det er et mål – det er et mål både for forskning og for høyere utdanning. De er tett knyttet sammen, og sånn kommer det til å være i framtiden. Representanten Bjørnstad sa i et replikkordskifte tidligere her at det var brei enighet om at det ikke skulle være à la en nasjonal transportplan, og nå har vi jo fått oppklart den «breie enigheten», for en kan jo spørre: Hvor ligger den? Hvem er det som har sagt at den «breie enigheten», for en kan jo spørre: Hvor ligger den? Hvem er det som har sagt at vi ikke ønsker en litt mer fyllestgjørende plan? Jeg tror vi på en måte prater litt forbi hverandre når det gjelder høyere utdanning, som vi savner her. Personlig må jeg si at jeg hadde håpet at regjeringa hadde gått lenger inn i hva vi ønsker med høyere kvalitet i høyere utdanning når det gjelder bl.a. profesjonsfagene. Så sier også representanten at det er langsiktighet i dette, og nevner to bygg to bygg blir nevnt – men representanten fra Venstre har pekt på at det er flere utfordringer i sektoren. Ønsker Fremskrittspartiet at det skulle ha vært en plan over hvilke bygg som trenger oppgradering, og eventuelt nybygg?

veldig fort, og man vet ikke hva som er aktuelt de neste ti årene. Man vet ofte hvor en vei vil gå, veldig mange år før den bygges. Sånn er det ikke i denne sektoren. Ein viktig kritikk av denne planen er at han har eit for snevert syn på vitskapen. Mitt spørsmål til representanten er: Kva for rolle har humanistisk forsking i møte med dei menneskeskapte klimaendringane i Framstegspartiet si verd? Humanistisk forskning og samfunnsvitenskap er viktig på veldig mange også på klimafeltet. Vi har sagt i denne planen at et av de seks–sju satsingsområdene er klima- og miljøvennlig energi, klima- og miljøvennlige løsninger. Hvis vi skal omstille oss til et fornybart samfunn, er alle humanister, samfunnsvitere, teknologer og realister med på den
Det verkar ikkje som representanten heilt svarer på spørsmålet. Kritikken har vore at ein f.eks. i møte med dei menneskeskapte klimaendringane, som Framstegspartiet har eit problematisk forhold til, har gått for naturvitskapleg til verks i denne planen. Så mitt spørsmål er: Er representanten einig i den kritikken, at humanistisk forsking i for liten grad har plass i denne planen?
Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg mener at det både i langtidsplanen og i det som tydeliggjøres av komiteen i innstillingen, går veldig klart fram at humanistisk forskning og samfunnsvitenskapelig forskning er en del av framtidens Forsknings-Norge. Så er det sånn at når man skal liste opp noe i en plan og man skal prioritere noe, kan man ikke nevne alle disipliner. Da er det nemlig ingen prioritering. Det vi har sagt, er at vi de neste ti årene, langtidsplanens periode, skal prioritere de tingene som står helt eksplisitt i planen, men så tydeliggjør vi også at humanistisk forskning og samfunnsvitenskapelig forskning er en del av forskningen i Norge i framtiden. Replikkordskiftet er omme. Jeg er glad for at vi nå får på plass den første langtidsplanen for forskning og

og noen, deriblant jeg, har pekt på at det var litt vanskelig å se helheten i sektoren da vi behandlet denne planen i komiteen, og at det kanskje kunne ha vært hensiktsmessig å se langtidsplanen mer i sammenheng med rapporten fra ekspertutvalget for finansiering i UH-sektoren og stortingsmeldingen om struktur som blir lagt fram senere i vår. For det er liten tvil om at langsiktige satsinger, struktur og finansiering henger nøye sammen. Selv om det er mulig å peke på noen slike svakheter ved denne planen, er det gledelig å registrere at det er bred politisk enighet om innholdet og substansen. Det er i stor grad enighet om retningen og om hvilke områder vi skal prioritere, og det mener jeg er en stor styrke. Stortinget forplikter seg nå til å trappe opp forskningsinnsatsen i årene framover. Vi tidfester et mål om at FoU skal utgjøre 3 pst. av BNP innen 2030. Jeg er glad for at vi nå får på plass et tidfestet mål for dette, noe Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene også tok til orde for da Stortinget behandlet den forrige Jeg er glad for at vi nå setter oss klare mål for å øke antallet rekrutteringsstillinger, og for at vi får på plass en konkret plan om to nye bygg. Det er kanskje litt tynt til å kunne kalles en langsiktig investeringsplan, og stortingsflertallet ber nå regjeringen utarbeide en køordning for større investeringer, bygg og vedlikehold, i forbindelse med rulleringen av planen i 2018. I denne planen fastsettes det flere mål for norsk forskning og utdanning. Den skal styrke vår konkurransekraft og innovasjonsevne, den skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene som vi vil møte i tiårene framover, og det er et mål at vi skal utvikle flere fagmiljøer av fremragende kvalitet. Jeg mener at satsingen på hav er helt naturlig i en havnasjon som Norge. Økt kunnskap og kompetanse om forvaltning av havressursene er viktig, ikke minst med tanke på å sikre en trygg matproduksjon. Norge har allerede en ledende rolle innen marin og maritim forskning, og her må vi gjøre det vi kan for å befeste denne posisjonen. Satsingen på klima, miljø og miljøvennlig energi er avgjørende for at vi skal klare å skape en bærekraftig verden. Her må vi bygge videre på det vi allerede er gode på i Norge, samtidig som vi trenger mer kunnskap om hva som stimulerer til ulike omstillingsprosesser i samfunnet. Behovet for forskning som kan gi oss bedre og mer effektive velferdstjenester, tror jeg de fleste ser, og satsingen på muliggjørende teknologier er kanskje en av de aller mest spennende satsingene. Det er ingen av oss som vet hva som blir den neste store teknologiske revolusjonen. Om 20 år kommer iPhone og iPad til å være noen gammeldagse greier som besteforeldre forteller barnebarna sine om. Men det er ingen av oss som vet hva som vil revolusjonere hverdagen til folk flest om 20 år, ingen som vet hva som vil revolusjonere produksjonen i industrien, ingen som vet hva som vil revolusjonere produksjonen av velferdstjenester, eller hvilke medisinske gjennombrudd verden har fått se. Men det vi vet, er at eksempelvis bioteknologi og nanoteknologi vil by på enorme muligheter. Jeg tror at bioteknologien kan ha mye godt å tilføre verden. Den byr på uante muligheter som kan utnyttes til menneskehetens beste, men som også vil reise en rekke etiske problemstillinger. Derfor er det avgjørende at all forskningsvirksomhet hviler på god forskningsetikk, og derfor er jeg glad for at en samlet komité også understreker dette og behovet for et tett samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene og de forskningsetiske Jeg vil gjenta at jeg er glad for at denne planen kommer på plass, og jeg tror den kommer til å bety mye for norsk forsknings- og utdanningssektor i årene som kommer. Det blir replikkordskifte. Trine Skei Grande var i en tidligere replikk her litt inne på det med posisjon og

instituttsektoren. I tillegg ønsket de tallfestede opptrappingsmål og virkemidler for næringsforskning. Jeg kan ikke se at Kristelig Folkeparti har etterlyst dette i komitéarbeidet nå. Betyr det at Kristelig Folkeparti ikke lenger er like opptatt av en forpliktende langtidsplan?

for, er at vi nå får tidfestet et mål for opptrapping av FoU-satsingen i Norge. Det er det slett ikke sikkert at vi ville fått til dersom det var et rød-grønt flertall på Stortinget. Replikkordskiftet er dermed omme. Regjeringas langtidsplan for forskning og utdanning ble lagt fram den samme dagen som statsbudsjettet ble lagt fram, og

Tanken var faktisk den gangen at det skulle være utdanningssektorens svar på Nasjonal transportplan. Den skulle gi forutsigbarhet så langt som mulig, sjøl om sektoren sjølsagt – som andre sektorer – vil være avhengig av de årlige Vi har fått en plan som virker mer som et sammendrag av forskningsmeldinga fra 2013. Den beskriver innenfor hvilke områder en ønsker å spisse fokus, og det er fint. Det er fornuftig med størst mulig tverrpolitisk enighet om og på hvilke områder vi mener at landet bør ta sin naturlige plass i framtida. Det gjelder på hvilke områder vi mener Norge skal ja sågar i verdensklasse, samt hvilke utfordringer det er viktig å løse i et nasjonalt perspektiv. Det er bra at disse fokusområdene gjentas, men det er veldig skuffende at det som skulle være en plan for forskning og utdanning, knapt har noen ambisjoner for utdanningsområdet. Flinke fagfolk er alfa og omega for god forskning og god undervisning. Vi trenger gode forskere, men vi trenger også god undervisning. Hvordan vil regjeringa konkretisere sitt eget utsagn om at «offentlige ressurser skal brukes slik at de frembringer forskning og utdanning av høy internasjonal kvalitet»? Hva mener regjeringa egentlig med «utdanning av høy internasjonal kvalitet»? Er det kun de verdensledende områdene vi prater om, eller gjelder det også f.eks. profesjonsutdanningene, som lærer- og sjukepleierutdanningene? Det er et stort savn ved planen, syns vi, at det ikke står mer om utdanningsfeltet enn det det gjør. Vi vet ikke hva regjeringa mener med «utdanningskvalitet». Denne planen kunne jo vært en god anledning til å diskutere og avklare hvordan regjeringa vil definere det. Det er synd at det ikke ble gjort. Det er vanskelig å tolke den litt tynne planen på annen måte enn at regjeringspartiene, som ellers har vært litt høye og mørke når det gjelder å utbasunere sine ambisjoner for feltet, når det kommer til stykket, har vanskeligheter med å bringe de generelle og overordnede målsettingene ned i konkrete, forpliktende og ikke minst forutsigbare størrelser. Men det var kanskje ikke annet å vente. Jeg vil minne salen og de i sektoren som er litt skuffet over resultatet, om den noe litt tilbakeholdne holdninga som Høyre viste under behandlinga av forskningsmeldinga våren 2013. Den gangen uttrykte Høyre skepsis til en tiårsplan, og sjøl om sektoren ønsker seg en slik plan, har regjeringa og statsråden vært noe mindre entusiastiske. Senterpartiet er derfor skuffet, men kanskje ikke overrasket over, at planen ikke ble den forutsigbare langtidsplanen vi så for oss. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for regjeringa å varsle om konkrete planer for bygg og utstyr, siden den har satt i gang en omfattende strukturreform. Ny struktur skal ikke føre til at regjeringa legger ned studiesteder, blir det sagt. Det tror jeg regjeringa på, men det kan jo hende at det blir en ønsket konsekvens over tid, når styrene flyttes vekk fra den enkelte institusjon. Det vil kanskje endre behovene for utstyr og bygg noe. Likevel mener jeg vi i det minste kunne ha forventet at det ville vært en oversikt eller en tabell i meldinga som ga oss og sektoren en oversikt over de behovene for oppgradering som fins. Det skal vi få ved rulleringa, sier representanten Bjørnstad. Jeg synes det er fire år for seint. men det gjelder også utstyr, og det er bra at det legges opp til å bruke mer penger på utstyr og forskningsinfrastruktur, men vi vet altså ikke når, og vi vet altså ikke hvor. Alle er positive til at det er lagt fram en tiårsplan, men den burde ha vært mer konsis, syns vi. Hvordan den er tenkt å være operativ utover det som allerede står i siste forskningsmelding, er for oss et lite mysterium. Det blir replikkordskifte. Regjeringa er opptatt av å satse på verdensledende fagmiljøer og at vi som nasjon skal kunne hevde oss på områder vi er gode på, og hvor vi har mulighet til å lykkes internasjonalt. Senterpartiet har sluttet seg til dette i merknadsform og har sagt at «det er riktig med ambisjoner om toppforskning i verdensklasse». Likevel kritiserer Senterpartiet regjeringa for å sette av midler til eliteforskning i statsbudsjettet for 2015 og omtaler dette som en slagside på bekostning av praksisnær forskning ved høyskolene.

bare kan framheve de verdensledende miljøene. Vi er også opptatt av f.eks. forskning innenfor profesjonsfagene – som vi sa – som ikke er verdensledende, men viktige i en nasjonal sammenheng. Derfor har vi ønsket og sagt at ja, det er bra med verdensledende forskning, men vi kan ikke bare innrette midlene våre i den retningen.

og at det ikke er noen faglig gevinst å hente ut av det. Det er selvsagt ikke målet, målet er å få bedre institusjoner når det er snakk om sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren. Derfor skriver også komiteen i en merknad: «Flere institusjoner har slått seg sammen det siste året, og komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, ser positivt på at flere ønsker å gå samme vei.» Som kjent har Høgskolen i Gjøvik, i representanten Tingelstad Wøiens hjemfylke, vedtak på å slå seg sammen med NTNU fra mitt fylke, som har samme vedtak. Er det sånn å forstå at Senterpartiet i et tenkt tilfelle, om de får makt igjen, kommer til å oppheve de frivillige vedtakene
Nei, Senterpartiet er opptatt av frivillighet. Det som har vært vår hovedkritikk, er at statsråden da han la fram strukturreformen, sa at vi skulle ha kvalitetskriterier. Vi savner kvalitetskriteriene. Nå er det sånn at alle høyskolene og alle universitetene har fått spørsmålet: Hvem ønsker dere å slå dere sammen med? Og så er det ikke lansert noe med tanke på formålet. Nå skjønner jeg at det skal legges fram en stortingsmelding om utdanningskvalitet i Nå skjønner jeg at det skal legges fram en stortingsmelding om utdanningskvalitet i 2017. Det er altså to år etter at institusjonene har fått beskjed om å slå seg sammen. Da virker det heller motsatt på meg – det er om å gjøre å få slått sammen, og så skal man se på kvaliteten. Vi synes at det er å arbeide med ræva først, som vi pleier å si i Oppland litt bakvendt måte å gjøre det på. Begynn med kvalitet og finansiering, og så ser vi hvem som bør slå seg sammen etterpå. Unnskyld, president! Replikkordskiftet er omme. Som flere allerede har vært inne på, er det gledelig at vi har fått langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til behandling i Stortinget. Dette er Unnskyld, president! Replikkordskiftet er omme. Som flere allerede har vært inne på, er det gledelig at vi har fått langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til behandling i Stortinget. Dette er et område som lenge har vært viktig for Venstre, og vi har i våre budsjetter vært tydelige i prioriteringer på dette feltet. Det er også gledelig, synes vi, at vi har en regjering som dette området høyt på dagsordenen, som snakker om det, og som bevilger penger til det. Spesielt opptatt har statsråden vært av at vi skulle få flere forskningsmiljøer som er verdensledende. Dette er vel og bra, og det deles fullt ut av Venstre, men vi er også litt opptatt av at vi må se litt bredere. Denne meldingen kommer samtidig med at regjeringen holder på med store strukturendringer i sektoren. For regjeringen og regjeringspartiene på Stortinget som sitter med kontrollen på begge disse prosessene, kan det kanskje være hensiktsmessig å legge denne meldingen fram før strukturmeldingen kommer. For oss som ikke er en del av de store endringene som nå skjer, er nok bildet et annet. Jeg er redd for at de uklarheter som nå råder med hensyn til struktur og med hensyn til finansiering, gjør at vi svekker betydningen av denne planen, og at den fort kan bli utdatert og irrelevant, og da er det ganske lenge til neste rullering. En annen ting som har vært kritisert med denne planen, er at det er en plan som først og fremst handler om forskning og i mindre grad om høyere utdanning. utdanning. Det var det flere av aktørene på komiteens høringer som bemerket og kommenterte, for utdanning er en av de viktigste oppgavene disse institusjonene holder på med, og det er utfordringer knyttet til utdanningen som jeg mener burde vært viet større plass i planen. Blant annet la NOKUT fram en studentundersøkelse i fjor som viste at kun halvparten av studentene uttrykte tilfredshet med undervisningen, mens tilbakemelding og veiledning skåret enda dårligere. Det er alvorlige tall som tyder på at Kvalitetsreformens hovedmål ikke er oppnådd. I dag er det lagt fram nye tall, og jeg har forstått det sånn at de ser ikke veldig mye bedre ut på dette området i år, selv om statsråden nå har styrt butikken en del lenger enn i fjor da tallene ble lagt fram.

for, som det står i meldingen, det skal også stimuleres til fremragende utdanninger. I spørretimen sist onsdag, for mindre enn en uke siden, spurte jeg statsråden om hva han tenkte å gjøre i forhold til det med høyere utdanning. Jeg nevnte også at noen hadde tatt til orde for en egen stortingsmelding om høyere registrerer jeg at han i dag svarer på en pressekonferanse, på et seminar eller hva i alle dager han har vært på tidligere i dag, at det vil bli lagt fram en stortingsmelding om utdanningskvalitet. Det kom ikke fram i spørretimen for mindre enn en uke siden, men det er bra at han nå ser at det kanskje kan være nødvendig. Og vi kan se fram til det, selv om den ikke

340 og 400 stipendiatstillinger årlig. Vi ligger således litt bak det, og Venstre har også vært opptatt av dette i sine alternative budsjetter og la i sitt alternative budsjett for 2015 fram 500 nye stipendiatstillinger. I meldingen framgår det at noen av de grunnleggende forutsetningene som må være til stede i et vi for det første må ha de rette folkene med den rette kompetansen, og det er egentlig selvsagt. Men det er også en forutsetning at man har utstyr og bygg som egner seg for forskning, og som kan være med på å tiltrekke toppforskere fra hele verden. For oss har det derfor vært viktig at det i denne planen løftes og klargjøres at det skal lages en plan for investeringer og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter i sektoren framover.

behandling. Da den rød-grønne regjeringen lanserte planen om en langtidsplan for forskning, var Venstre veldig opptatt av at planen skulle være konkret, forpliktende og førende, og at den måtte inneholde en opptrappingsplan for basisbevilgninger, føringer for studieplasser, opptrappingsplan for stipendiatstillinger, plan for investeringer i kunnskapsbygg og utstyr og opptrappingsmål Den planen som vi behandler i dag, svarer i liten grad til de kravene som Venstre fremmet den gangen. Likevel virker Venstre i behandlingen, i merknadsform, i all hovedsak fornøyd med langtidsplanen. Jeg vil derfor spørre: Hva er bakgrunnen for at Venstre har senket ambisjonene for hva langtidsplanen faktisk konkret bør inneholde?

planen som jeg synes er mindre bra, og som jeg synes det er grunn til å påpeke er mindre bra, ikke minst fordi dette er en plan som skal leve videre. Vi vedtar en plan i dag, men det vil jo være budsjetter framover, og vi vet at Venstre i de to siste budsjettene har fått inn mer midler til forskning og høyere utdanning, både til rekrutteringsstillinger, og det er en jobb som ikke er ferdig med denne planen. Det er tvert imot en jobb som kommer til å fortsette også i årene som kommer. Representanten Trine Skei Grande var opptatt av disse museumsbyggene, bl.a. på Tøyen, Tøyen, og spurte representanten Aasen om hvilke grep hun mente man skulle ta for de nye universitetsbyggene. Jeg har lyst til å spørre representanten fra Venstre om hun mener at denne langtidsplanen gir svar på de spørsmålene som hennes medrepresentant tok opp om museumsbyggene, og eventuelt hvilke grep planen tyr til for å få ned midlertidighet

midlertidighet i denne sektoren, og vi så også da at det var problemer med bygg og investeringer. Jeg tror poenget til Trine Skei Grande først og fremst var at man kan være stor i ord når man ikke lenger sitter i regjering, men hva ville man gjort hvis man faktisk hadde makten? Det er det Venstre er opptatt av, og det er derfor vi også har vært opptatt av i våre budsjetter og i våre forlik med regjeringen at vi faktisk bruker penger på denne sektoren, at vi faktisk kjemper for å få inn de tingene vi står for, når vi er i opposisjon, og ikke minst når vi sitter med makt til

type retning dette skal ta, og om vi verkeleg skal kunne klare å ta dei store stega, må den typen strategiar også liggje her. SV har eit forslag i salen i dag der vi ønskjer å vri den store satsinga som i dag er på petrobasert forsking, forsking som har som mål å forlenge oljealderen, over på forsking som skal rette seg mot lågutsleppssamfunnet og grunnforsking. Dette vil ikkje Venstre støtte.

det brukes masse penger og innsats på forskning i petroleumssektoren – er kjempeviktig, ikke bare for sektoren nå, men også for framtiden. Så er jeg opptatt av at vi borer etter olje noen steder i dag, og det skal vi gjøre, og da er det viktig at vi tar opp så mye olje vi kan i de områdene hvor vi faktisk skal bore, sånn at vi kan bevare de områdene der vi ikke skal bore etter olje. Men det er viktig å tenke at kunnskap alltid er viktig, at kunnskap innenfor den ene sektoren ikke utelukker at vi kan bruke den på andre sektorer i framtiden. Derfor ønsker vi ikke å senke forskningsinnsatsen på det ene området, for vi tror det kan ha kjempestor effekt på et annet område

men det er rart at man har gått bort fra de kravene man hadde i forrige periode til hvordan en slik langtidsplan skulle se ut. Det er særlig to ting jeg forundrer meg over at Venstre ikke er med på. For det første mener de at vi skal ha en investeringsplan for bygg i 2018. Hvorfor ikke få denne så raskt som mulig? Hvorfor skal man vente til neste stortingsperiode? Kanskje er det fordi man håper at det kommer en ny regjering. Det andre er: Hvorfor er man ikke med på forslaget fra de rød-grønne om en plan regjering. Det andre er: Hvorfor er man ikke med på forslaget fra de rød-grønne om en plan for kvalitet i høyere utdanning? Nå varsler statsråden at han skal lage en slik stortingsmelding likevel, så nå står faktisk Venstre som et at de få partiene i Stortinget som ikke ønsker en slik stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Hvis representanten hadde spurt kunnskapsministeren om han opplever at Venstre har lave forventninger til ham, tror jeg nok at svaret ville vært nei. Men det kan vi jo høre med ham om senere. Når det gjelder de øvrige tingene som Giske tar opp, er det sånn at jeg tror at den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i utdanningen er bra, og jeg er for det. jeg er for det. Jeg tror det vil være nyttig også å ha fokus på den delen, ikke bare på forskning. Jeg er litt avventende til at det var i 2017. Det synes jeg er lenge til, og det må jo skje noe med utdanningskvaliteten i mellomtiden. Og det vil Venstre være med på. I våre budsjetter, både når det gjelder bygg, når det gjelder kvalitet, og når det gjelder utvikling i denne sektoren, er det ikke sånn at det stopper med denne planen. Tvert imot skal vi ha fokus også på det i budsjettene

Etter det eg har klart å finne ut, har omgrepet «kunnskapssamfunnet» blitt hyppig brukt – og misbrukt – i denne salen sidan 1980-talet. Jamt over blir det brukt som ein lengsel etter noko som skal kome, og dette «noko» veit spesielt den som uttaler «kunnskapssamfunnet», korleis vi som samfunn skal nå. «Kunnskapssamfunnet» er på mange måtar eit lengselsomgrep, eller eit grenseomgrep, ein visjon av typen «sosialisme», «fridom», «rettferd» eller noko vi aldri kan seie vi har oppnådd, men noko vi alle er einige om at vi treng meir av – eller iallfall nokre av oss. Da Kristin Halvorsen i 2012 la fram ideen om ein langtidsplan, var målet eit omfattande vegkart for å systematisere det samla arbeidet med forsking og høgre utdanning i Noreg. Planen skulle leggje langsiktige føringar for investeringar – frå kunnskapsbygg til forskingsinfrastruktur, studieplassar, rekruttering og forsking.

Det betyr at sektoren igjen må halde pusten når oktoberbudsjettet nærmar seg, eller – dersom det er valår – kanskje håpe på at det neste bygget blir lansert av ein minister eller ein håpefull kandidat på besøk i slutten av august. Det er ikkje mykje som er føreseieleg når institusjonane skal planleggje framtida, derimot stor politisk boltreplass for regjeringspartia, som vil ha mest mogleg ut av sitronen. Planen frå regjeringa er nær blank på den andre delen av tittelen, «høyere utdanning». Målet for forskinga er at ho skal bli «verdensledende», mens målet for høgre utdanning er at ho skal bli «god». Korleis regjeringa tenkjer når dei skal skape «verdensledende» forsking med «god» utdanning, er vanskeleg å førestille seg. Men det meir alvorlege er at regjeringa går i revers i arbeidet som blei starta av dei raud-grøne – å binde forsking og høgre utdanning tettare saman. Like utanfor den norske stuedøra føregår motsett utvikling. I dei mest verdsleiande forskingslanda blir utdanning knytt stadig tettare til forskinga, slik at alle som tar ein høgre grad, har smakt på forskingsfronten og prøvd seg på nytenking. Slik skal kompetanse for det 21. hundreåret byggjast. Mange ville nok forvente at ei regjering som består av parti som tradisjonelt har vore opptatt av innovasjon og næringsliv, ville vere opptatt av nettopp dette. Men nei, forskinga er viktigast, utdanninga får vi kome tilbake til. I planen er det heller ikkje breidda av forskinga som blir sett. Det ligg ein sterk kjærleik til visse delar av forskinga, spesielt alt som smakar av naturvitskap, det som kan bidra til å styrkje konkurranseevna, eller det som kan løyse kortsiktige utfordringar for næringslivet. Løysinga på dei menneskeskapte klimaendringane er f.eks. å utelukkande satse på naturvitskapleg forsking. Det verkar som om det kloke, balanserte

Vi ville fått ein ambisiøs strategi for kvalitet i høgre utdanning, med grep som bringar forsking og høgre utdanning tettare saman. Vi ville fått ein opptrappingsplan for rekrutteringsstillingar og andre forskarstillingar for heile planperioden. Vi ville fått ein plan for korleis forskingsinnsatsen skal dreiast frå petroleum over til fornybar. Vi ville fått ein plan med prioriteringar for infrastruktur. Vi ville fått ein plan med ambisjonar for formidling, samarbeid med nærings- og organisasjonsliv, livslang læring og moglegheiter for kunnskapsspreiing med bruk av teknologi. Og vi ville fått ein plan som ambisiøst gjekk laus på problem som midlertidigheit, kjønnsubalanse og at altfor få studentar og forskarar kjem seg ut i den store verda. Men dette får vi kome tilbake til. Representanten skal ta opp forslag, tror presidenten. Presidenten har tenkt heilt riktig. Representanten tar hermed opp dei forslaga som vi har fremma i innstillinga.

tilgang til elektrisitet. Olje og gass vil også fremover bidra til å dekke en betydelig andel av energibehovet, også i de scenarioer hvor klimamålene nås. Det internasjonale energibyrået er tydelig på at verden vil trenge all den oljen og gassen vi kan finne på norsk sokkel, fordi Norge, med sine strenge miljøkrav, har et mye lavere klimagassutslipp forbundet med produksjonen enn de fleste andre oljeprovinser rundt omkring i verden. Petroleumsnæringen har gitt oss høy velstand, men vi må fortsatt ha kunnskaps- og teknologiutvikling i sektoren. Troen på Nord-Norge som en viktig region for norsk olje og gass styrkes for hvert år. De fleste i bransjen er enige om at Nord-Norge vil bli den største regionen på sikt, og vi ser allerede at bedriftene har begynt å planlegge ut fra dette. Når SVs representant vil styre avvikling av petroleumsforskningen, hvilken effekt tror han at dette vil ha på muligheten for et nordnorsk næringsliv og arbeidsplasser i Nord-Norge fremover?

miljøa som vi allereie har i Noreg, som er verdsleiande, som er knytte til Vestlandet, kjem til å flytte nordover. Det betyr at Nord-Noreg ikkje kjem til å sjå nokon stor vekst av arbeidsplassar som følgje av dette. Så dette er ikkje eit nordnorsk prosjekt – snarare tvert om. Når det gjeld olje, har Det internasjonale energibyrået nettopp sagt at vi må la den olja som vi ikkje har begynt å utnytte enda, liggje dersom vi skal nå det globale målet det globale målet å hindre at temperaturen i verda blir varma opp med 2 grader. Det betyr at vi rett og slett må vere ambisiøse som berre det når det gjeld satsinga på fornybare ressursar, og vi må vri forskinga over frå petroleum til fornybare ressursar. SVs representant i komiteen, representanten

utdanningsinstitusjoner skal være autonome og uten for mye politisk styring. Representanten skriver også noe om det i innstillingen, at institusjonene må være autonome og ikke oppleve politisk detaljstyring som svekker den frie forskningen og undervisningen. Men hvordan henger det sammen med representantens eget forslag om å vri forskningsinnsatsen fra petroleum til fornybare ressurser? Er det bare i teorien Knag Fylkesnes er opptatt av autonome institusjoner og den politiske

dei. Dei store moglegheitene vi har for å samordne forskinga f.eks. knytt til utnytting av havet, med akvakultursatsing, er ein annan. Men det skal ikkje vere sånn at ein skal styre all forsking frå Forskingsrådet eller frå departementet. Poenget må vere å finne ein mykje betre balanse, der ein gjev nettopp den fridomen. Berre for å ta det som bular ut av sidelomma til representanten som er avgjerande for mobiltelefonen, er skapt ut frå grunnforsking. Dei største gjennombrota i all forsking som vi har i dag, kjem frå grunnforskinga. Det som nettopp vil gje verdiskaping i samfunnet vårt, er å satse på grunnforsking, men det tar litt lengre tid enn den enkle og forsiktige oppdragsforskinga. Replikkordskiftet er omme.

Samtidig var det for ti år siden fortsatt to år til Steve Jobs på vegne av Apple skulle lansere den første iPhonen, og det var ett år før de første nordmennene var på Facebook. Dette er oppfinnelser som siden den gang har hatt en enorm påvirkning på hverdagen vår, på offentlige tjenester og på økonomien. I dette perspektivet er ti år lang tid. I dag behandler Stortinget en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for de neste ti årene, og de to eksemplene jeg nettopp nevnte, viser hvorfor det er viktig å ha to tanker i hodet på én gang når vi diskuterer politikken for forskning og høyere utdanning. Vi skal på den ene side skaffe forutsigbarhet og stabile rammevilkår for de beste ideene, slik at de skal kunne vokse frem, gi oss ny erkjennelse, skape nytt næringsliv eller bidra til å møte de store samfunnsutfordringene. Samtidig må vi ta hensyn til at verden kan se veldig forskjellig ut om ti år, og at det derfor vil være uklokt av oss politikere å tro at vi kan detaljplanlegge hvilke virkemidler og programmer vi trenger om nettopp ti år. Det er, som flere har vært inne på i dag, et visst historisk sus over det at Stortinget i dag behandler den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er en plan som gir økt forutsigbarhet, og som tar utgangspunkt i de store utfordringene Norge og verden står overfor. I langtidsplanen ser regjeringen forskning og høyere utdanning tett knyttet sammen, og vi har mål og prioriteringer som er felles for forskning og høyere utdanning. For eksempel: Når langtidsplanen sier at vi skal satse på hav, må vi satse på både forskning og kompetanse dersom fremtidige generasjoner skal kunne høste av verdiene i havet. Når vi sier at vi skal satse på verdensledende fagmiljøer, betyr det å satse på både forskning og høyere utdanning. utdanning. Høy kvalitet på forskningen er også helt avgjørende for undervisning av høy kvalitet. Både langtidsplanen og arbeidet med struktur og kvalitet bygger opp under det. Jeg har også sagt – og sier i dag – at vi kommer til å fremme en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, spesifikt om utdanningskvalitet, og vi tar sikte på å få det til Jeg registrerer at et flertall i komiteen er bekymret for at betydningen av langtidsplanen kan svekkes når struktur og finansieringsmodell er uavklart når Stortinget behandler planen. Jeg tillater meg å ha det motsatte utgangspunkt – langtidsplanen er jo nettopp den overordnede rammen. Langtidsplanen, og Stortingets behandling av den, ligger til grunn når regjeringen senere i vår skal fremme en melding for Stortinget om struktur for kvalitet i universitets- og høyskolesektoren. Satsingen som presenteres i planen, er en av begrunnelsene for at vi trenger å styrke universiteter og høyskoler, slik at vi får mest mulig igjen for de økte investeringene de har. I langtidsplanen fremmer vi satsing på fornyelse i offentlig sektor og et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Skal vi lykkes med de satsingene, må vi mobilisere universiteter og høyskoler, og jeg vil særlig understreke betydningen av sterke fagmiljøer innenfor profesjonsfagene, som lærer-, ingeniør- og sykepleievitenskap. Disse fagmiljøene og studietilbudene finner vi hovedsakelig ved høyskolen. De må bli sterkere, de må samarbeide enda tettere med omkringliggende næringsliv og offentlig sektor. Deres bidrag til regional utvikling og verdiskaping blir bare viktigere i årene fremover. Derfor er jeg også glad for at et bredt flertall i komiteen uttaler seg positivt i innstillingen til at flere institusjoner har vedtatt at de ønsker å finne sammen, og «ser positivt på at flere ønsker å gå samme vei». I meldingen om struktur og kvalitet vil regjeringen bl.a. presentere kriterier for om institusjonen er rustet til å møte fremtidens krav til kvalitet på egenhånd, eller om de må finne sammen med andre. Et av de tydelige taktskiftene i norsk politikk er flertallspartienes satsing på kunnskap, flertallspartienes satsing på forskning og flertallspartienes satsing på høyere utdanning. Gjennom budsjettsamarbeidet i Stortinget har gode budsjetter blitt enda bedre, og det gjenspeiles både i statsbudsjettet for 2015 og i langtidsplanen. Det gjenspeiles i langtidsplanen, som har blitt kalt «ambisiøs», og den har blitt kalt «konkret», nettopp fordi den er konkret og tidfestet. Det er ikke noe problem å legge frem en plan med Det som har vært et problem å få til, er å legge frem en plan med konkrete ambisjoner. Regjeringen varsler i langtidsplanen en opptrapping på til sammen 1,4 mrd. kr de neste fire årene for å styrke de helt grunnleggende innsatsfaktorene som må være på plass for å lykkes med målene i langtidsplanen. Vi vil øke antallet rekrutteringsstillinger med 500, vi vil mer enn doble bevilgningene til forskningsinfrastruktur, en vekst på 400 vi vil mangedoble bevilgningene til tiltak for å stimulere til god deltakelse i EUs rammeprogram Horizon 2020. Og jeg minner om at dette er minstekrav som regjeringen har satt seg – ikke maksimumstak. Regjeringen har også sagt at vi skal gjeninnføre en tidfesting for når vi skal nå målet om at forskning og utvikling skal utgjøre 3 pst. av BNP. Vi skal nå dette målet innen 2030. Tidligere har man brukt flertallsmakten i denne sal på å gjøre tykke dokumenter om forskning og høyere utdanning mindre forpliktende ved å ta ut målet om tidfesting. Nå bruker flertallspartiene – Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet – sin flertallsmakt til å gjøre forpliktelsene tydelige, også med tall. For å nå dette målet må vi øke de offentlige bevilgningene til forskning. Regjeringen varsler en opptrapping av forskningsbevilgningene til 1 pst. av BNP, og vi tar sikte på å nå dette målet med dagens utsikter til BNP-vekst innen 2019/2020. I 2015 følger regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget opp langtidsplanen med om lag 800 mill. kr, bl.a. med en satsing på verdensledende fagmiljøer, næringsrettet forskning og tiltak for god deltagelse i Horizon 2020. Statsbudsjettet for 2015 viser at vi aldri har vært nærmere énprosentmålet. Vi vet ikke hvordan samfunnet vårt vil se ut om ti år, men det vi vet, er at Norge står overfor store omstillinger. Vi skal omstille oss til et samfunn med lavere klimautslipp, vi skal omstille offentlig sektor slik at vi kan tilby tjenester med høy kvalitet også i fremtiden, og vi skal omstille næringslivet ikke fordi olje- og gassnæringen blir borte, det blir den ikke; den kommer fortsatt til å være en viktig drivkraft, men den vil ikke være den samme motoren i norsk økonomi i tiårene som kommer, som den har vært frem til nå. Vi vet at det er en høyt kvalifisert arbeidsstyrke som skal drive samfunnet vårt gjennom disse omstillingene, og vi vet at sannsynligvis er ny kunnskap og nye løsninger noen av de viktigste verktøyene. Et godt eksempel på hva teknologi og forskning kan bety, så jeg i Bærum kommune, på Dønski bo- og behandlingssenter, for et par uker siden. Der har Bærum kommune etablert høyteknologisk eldreomsorg: Det er snakkende medisinbokser, dører som varsler om det er dag eller natt, videotelefoner – alt med det siktemål å gi de varme hendene større mulighet til å gjøre det som bare mennesker kan, og la teknologien løse andre problemer. Forskning, utvikling, utdanningssystemet for velferdsyrkene og andre handler ikke bare om det som skjer i laboratorier; det gjør en forskjell for menneskers liv. Innledningsvis nevnte jeg to store innovasjoner de siste tiårene: sosiale medier og smarttelefonen. Dette er også eksempler på at kunnskap om menneskelig atferd og språk er tett knyttet til utvikling av ny teknologi. Og det illustrerer igjen hvorfor det også i satsingen i langtidsplanen er viktig at vi har gode fagmiljøer innenfor humaniora og innenfor samfunnsvitenskap – ikke bare for å forstå oss selv og verden, men også fordi det er nyttig. Vi trenger f.eks. språk- og kulturforståelse for å selge fisken i havet, og vi trenger samfunnsvitere for å forstå hvordan Norge kan omstille seg til et lavutslippssamfunn. I løpet av de siste årene har man i denne sal hørt mange fine ord og formuleringer om langsiktighet og forutsigbarhet i forskning og høyere utdanning. Denne langtidsplanen og denne regjeringen gjør noe med det. Langtidsplanen som Stortinget behandler i dag, er helt sikkert ikke et perfekt dokument, men den er en milepæl for norsk forskning og høyere utdanning – med langsiktige prioriteringer, konkrete opptrappingsplaner og ambisiøse mål for vekst i bevilgningene. Det gir forutsigbarhet og langsiktighet.

blir ganske liten på de punktene jeg nå har trukket opp?
For det første mener jeg at denne planen er konkret på en del viktige ting. For å gjenta noe jeg har sagt før: Hensikten med denne planen er to ting. For det første er det noen overordnede tematiske prioriteringer. Det er et viktig signal. Det er i og for seg også noe man har tatt med seg fra tidligere forskningsmeldinger. For det andre dreier det seg om å styrke grunnmuren i forskning og høyere utdanning. Det dreier seg også om forutsetningene for å kunne gi god utdanning. og så tas opp igjen om fire år. Denne kommer til å ligge, billedlig talt, på min skrivepult – jeg håper den ligger på komiteens møtebord også – nettopp for å se alle beslutninger vi skal ta om høyere utdanning og forskning i årene fremover, i lys av det vi i dag vedtar. Jeg er

Alle partiene – med unntak av regjeringspartiene – er med på en flertallsmerknad i innstillingen hvor vi peker på behovet for å løfte dette feltet. Vi vet at justisfeltet mangler forskning. Vi har kunnskapshull som må tettes. I møte med et samfunn hvor vi har både en økt terrortrussel mot oss og flere naturkatastrofer, trenger vi å gjøre noe – ikke fordi dette skal være en av de store satsingene våre, men fordi det er et etterslep som vi må ta fatt på. Mitt spørsmål er: Hvordan ser departementet for seg å håndtere denne nødvendige balansegangen, og hvordan vil denne merknaden følges opp? Jeg tenkte litt på – da vi jobbet med langtidsplanen – om man ville oppfatte dette som en prioritering. Men da vil man jo

Jeg lurer på hvilken begrunnelse statsråden har for å legge fram en stortingsmelding om kvalitet i utdanninga to år etter at langtidsplanen er lagt fram, og to år etter at strukturendringer er gjort og det har vært endringer i finansieringa. Hvorfor har ikke statsråden varslet dette i langtidsplanen? Jeg river meg litt i håret over at ikke kvalitetsmeldinga kom først.

Men jeg mener at den strukturdebatten som foregår nå, og langtidsplanen er en av de viktige forutsetningene for f.eks. å kunne adressere små og fragmenterte fagmiljøer. Det man ser som en gjennomgående tråd i mange av evalueringene av sektoren, er at små og fragmenterte fagmiljøer gir svak forskning, og svak forskning er det grunn til å tro også vil gi mangelfull utdanningskvalitet. Jeg vil bare minne om at virkeligheten ikke starter på nytt selv om det kommer en ny stortingsperiode.

om utdanningskvalitet. I det svaret som han nettopp ga til Tingelstad Wøien, legger statsråden veldig stor vekt på strukturendringer og behovet for større institusjoner, men selv om det kanskje kan være svakheter ved utdanningen ved de små institusjonene, er det jo absolutt utfordringer som må adresseres på et vis, også ved de større institusjonene.

Det betyr også at god forskning og gode forskningsmiljøer, f.eks. hvis man kan trekke studentene mer med i forskningen, er en av forutsetningene for å kunne bygge høyere utdanningskvalitet. På samme måte er ikke stipendiater bare en del av utdanningssystemet – de er også en viktig del av å bygge fagmiljøer, også for å styrke utdanningen. Vitenskapelig utstyr, som det er en forpliktende opptrappingsplan for i denne langtidsplanen, er også en viktig forutsetning for utdanningskvalitet.

når vi no behandlar denne langtidsplanen. Dette er spørsmål som vi ikkje trudde vi skulle komme opp med da dette arbeidet blei begynt, for ministeren har jo starta mange andre prosjekt som grip rett inn i langtidsplanen. Han har starta eit arbeid med struktur for høgare utdanning og forsking. Han har starta eit arbeid med finansieringa, og vi veit også at det finst ei forskingsmelding der ute. I alle fall i mitt

Én av årsakene til det er sannsynligvis finansieringssystemet. Det er også det ekspertutvalget konkluderer med. De sier at de ikke ser noen veldig tydelige tegn på det, men at faren åpenbart er der. Med andre ord: En av de viktige forutsetningene for å kunne øke utdanningskvaliteten handler også om finansieringssystemet. Små og fragmenterte fagmiljøer har jeg allerede adressert – tilsvarende er en av forutsetningene for å kunne gjøre det.

Det er to måter å være statsråd på: Den ene er å vise handlekraft og gjennomføringsevne og gjøre mest mulig mens man sitter i stolen. Den andre måten er å prøve å være mest mulig usynlig, sånn at færrest mulig vet hvem man er, og utsette mest mulig til neste periode. Stortingsmeldingen om kvalitet skal komme våren 2017, lærerutdanningen skal komme høsten 2017, og en plan for bygg skal komme i 2018, Hvorfor vil ikke statsråden selv lage en slik plan for bygg og infrastruktur i høyere utdanning? Og hvorfor mener han at sektoren er tjent med å utsette dette til 2018? Det er mulig at jeg snakker med andre folk i sektoren enn representanten Giske gjør, men mitt inntrykk er nok ikke at sektorens unisone tilbakemelding er at det skjer altfor lite, og at det ikke foregår noe innenfor høyere utdanning – snarere tvert imot. ikke foregår noe innenfor høyere utdanning – snarere tvert imot. Det foregår en strukturprosess og en kvalitetsprosess. Vi skal ha et nytt finansieringssystem. Vi har fått en langtidsplan for høyere utdanning, og vi varsler også kommende politikk. Stortingsmeldinger varsles ikke bare fordi statsråden kommer på det. Det er et resultat av lange og grundige forberedelser og krever bl.a. regjeringsbehandling, noe som representanten Giske er godt kjent med. Når det gjelder hvorvidt jeg er usynlig, er det godt mulig at det finnes andre utdanningspolitikere som er mer kjente, men det er verdt å minne om at det er forskjell på å være berømt og å være beryktet. Replikkordskiftet er omme. La meg først begynne der vi slapp og legge merke til at statsråden overhodet ikke svarte på spørsmålet, nemlig hvorfor en rullerende langtidsplan på bygg og

i tre år. Hvorfor skal vi ikke nå lage en fullverdig plan for høyere utdanning og forskning, inkludert bygg og infrastruktur? Jeg skjønner at statsråden ikke har noe godt svar på det. Vi burde i hvert fall her i salen – og det er en appell til mellompartiene – sørge for at dette kommer så raskt som mulig. Det er ingen tvil om at alle partiene i salen enstemmig deler vurderingen om viktigheten av forskning og utdanning. Det er store makrotrender som gjør at dette blir mer og mer nødvendig. Forskere anslår at om lag halvparten av jobbene vi har i dag, vil forsvinne i løpet av 20 år. Flertallet av jobbene som finnes om 20 år, vet vi ikke om i dag. Samtidig ser vi at globalisering, klimaendringer, befolkningsøkning og teknologiutvikling stiller stadig større krav til oss. Derfor satte den forrige forskningsministeren, Kristin Halvorsen, og den regjeringen forskning høyt på dagsordenen, den hadde en realvekst på mellom 30 og 40 pst. i forskningsbudsjettene i vår regjeringsperiode – en raskere vekst i forskning enn i det øvrige budsjettet. Våren 2013 ble det lagt fram en omfattende forskningsmelding: Den var solid, og helhetlig, og ble møtt av sektoren med stor interesse og stor debatt. Ett av vedtakene fra den gangen var at det skulle lages en langtidsplan: en mulighet for å sette konkrete, målbare ambisjoner, en mulighet for å tenke helhetlig og se sammenhenger, en mulighet for å løfte sektoren i kamp om ressurser mot andre gode formål. Vi vet hvordan dette foregår, det er en kamp mellom departement, mellom sektorer og ikke minst mot Finansdepartementet – for å få gjennomslag for sine saker. Alle av oss som har vært med på å lage stortingsmeldinger, vet at konkretiseringen av tallfestede mål, ambisjoner og planer ofte blir filtrert gjennom Finansdepartementets embetsverk, og av og til også politisk ledelse. Sjelden har vel en stortingsmelding blitt så grundig gjennomvasket som den kunnskapsministeren har lagt fram. Her er nesten alle konkrete tiltak borte. Vi trenger en statsråd som står opp for sektoren, som har gjennomslag i egen regjering, som har regjeringssjefens øre og støtte. Ingen av disse delene kjennetegner dagens kunnskapsminister. Her er det altså ingen helhetlig plan for utbyggingen og omfanget av høyere utdanning i Det stemmer jo godt overens med statsbudsjettet, hvor det heller ikke var noen nye studieplasser utover det som var innfaset av gamle vedtak. Det er ingen konkrete mål for kvaliteten i høyere utdanning, det er ingen tiltak for å øke internasjonaliseringen i høyere utdanning, det er ingen plan for å styrke institusjonenes internasjonale samarbeid, og det er ingen konkret opptrapping for tiårsperioden. Man smykker seg med et mål i 2030, nesten ingen av oss som er her,

var kunnskapsministeren den første på mange år som ikke hadde ett eneste nytt bygg i sitt statsbudsjett, og ingen konkrete mål for kvalitet i forskningen. Meldingen er tynn med hensyn til antall sider, og den er også tynn i innhold. Det er jo påfallende at innstillingen fra komiteen er mer omfattende enn den meldingen kunnskapsministeren har lagt fram. Jeg tror jeg refererer statsråden korrekt når han i et innlegg her i sted sa: Det som har vært et problem, er å legge fram en plan med konkrete vyer. Finansiering og struktur i institusjonene kommer nå i vår, men alle vi møter, etterlyser målene for prosessen. Dette kunne vært muligheten – noen måneder før vi får den meldingen til behandling – til å sette oss disse målene. Nå utsettes det meste til neste stortingsperiode. Struktur og sammenslåing kommer før målsettinger, og Venstre er for en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning når Høyre og Fremskrittspartiet foreslår det, men mot når de rød-grønne foreslår det. Det er også en artig observasjon i denne debatten. I langtidsplanen kan vi lese at regjeringa i tillegg til den gjennomgående satsinga på kvalitet i forskning og høyere utdanning prioriterer en egen satsing på verdensledende fagmiljøer. «Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste konkurransefaktorene vi har. … flinke folk med gode ferdigheter er utgangspunktet for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer. Det er også dette som legger til rette for verdiskaping, både i offentlig sektor og i næringslivet. Forskning og utdanning påvirker økonomien ved å heve kvaliteten på arbeidskraften og tjenestene som leveres, og gjør det mulig å utvikle og ta i bruk nye løsninger og produkter. Dette bidrar til omstillingsevne og økt produktivitet. En kunnskapsbasert tilnærming er vesentlig for å finne løsninger som kan møte mange av utfordringene som samfunnet står overfor.» Dette er vellydende ord og vanskelig for noen å være uenig i. Nå skal ikke jeg snakke om alle manglene i langtidsplanen, det har flere gjort før meg, men det står ikke noe om problemet med midlertidig ansatte i sektoren, og det finner jeg oppsiktsvekkende. For hvordan skal vi få ungdommen til å velge å bli forskere, hvordan skal vi få tak i de beste, de med de beste forutsetningene, kompetansen og evnene, til sektoren? Og ikke minst: Hvordan skal vi få kvinner til å velge yrket når et av de største problemene for rekruttering til forskning er midlertidige stillinger og at det er så utbredt? I mange år har mange snakket om dette, og Forskerforbundet – og jeg understreker: Forskerforbundet, ikke LO! – skriver bl.a. dette på sin hjemmeside: «Det er unormalt høy midlertidighet i sektorer hvor Forskerforbundet organiserer arbeidstakere. Dette rammer særlig vitenskapelig ansatte, men også andre grupper i forskningssektoren som i langt større grad tilsettes midlertidig enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast tilsetting. Det gir større trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og gir bedre grunnlag for faglig Det å være midlertidig ansatt kan være belastende på flere måter. Mest alvorlig er nok utryggheten for å miste jobb og inntekt, men midlertidig ansatte kan også føle at de blir tilsidesatt i en del jobbsammenhenger, for eksempel i spørsmål om lønn, stillingsopprykk, tilgang til ressurser og i strategisk arbeid. Det kan også gå ut over den akademiske friheten og forskningens uhildethet når forskernes jobbsituasjon er utrygg. Videre vil man ofte få dårligere lånevilkår i banken og gå glipp av en del økonomiske goder fast ansatte får.» Videre skriver de at fordelene med fast tilsetting bl.a. er at det «– gir virksomheten og den enkelte mulighet til langsiktig og helhetlig planlegging – styrker arbeidsmiljøet og trivselen – inngir gjensidig tillit og lojalitet – sikrer akademisk frihet og dermed samfunnets tillit til at forskningen skjer på en kritisk og uavhengig måte – gjør arbeidsplassen mer attraktiv for talentene man ikke vil gå glipp av – gir muligheten til å rekruttere den beste tilgjengelige kompetansen i en tilsettingsprosess – reduserer antallet tilsettingsprosesser og opplæringsperioder – hindrer at hjernekraften forsvinner og at fokus flyttes fra viktige arbeidsoppgaver til Tallene over ansatte i universitets- og høyskolesektoren fra Database for statistikk om høgre utdanning i desember 2013 viser at kvinner i langt større grad enn menn tilsettes i midlertidige stillinger. Forskerforbundet kommenterer det på denne måten: «Midlertidigheten i sektoren er et betydelig problem for alle involverte, men dette viser at kvinner i større grad enn menn tilsettes midlertidig, og indikerer en ekstra utfordring for likestilling og kvinners arbeidsvilkår.» Det er derfor denne saken er viktig for Forskerforbundet. På VG nett akkurat nå kan vi lese om Sanna Sarromaa på 35 år, som nå gir opp akademia. Hun har vært midlertidig ansatt i ti år, men nå orker hun ikke mer, og det sier vel sitt. Tidligere har jeg oppfattet statsråden dit hen at han mener at dette problemet må man ta på alvor, men nå er jeg ikke så sikker på hva han mener lenger. Vi vet at regjeringa vil ha mer midlertidighet i arbeidslivet, og de vil endre arbeidsmiljøloven for å få dette til. Verken Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre eller Kristelig Folkeparti støtter vårt forslag i denne saken, der vi sammen med Senterpartiet og SV ber regjeringa lage en rekrutteringsstrategi for bedre kjønnsbalanse og sikre mindre bruk av midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren. Når de senere i dag sannsynligvis vil stemme imot dette forslaget, må det bety at de faktisk er imot det som står i forslaget vårt, også. Jeg mener det er alvorlig at de ikke tar dette på alvor. Så skal det innrømmes at det kunne ha skjedd mer under den forrige regjeringa, selv om det ble en kraftig nedgang fra 19,7 pst. i 2005 til 14,8 pst. i 2012. For Arbeiderpartiet er det viktig at det arbeidet de rød-grønne satte i gang, nå videreføres for å sikre at en ikke bare klarer å rekruttere gode forskere, men faktisk klarer å beholde dem i sektoren. Til slutt: Det er et paradoks at samtidig som i denne saken alle understreker hvor viktig forskning og kunnskap er for samfunnet vårt, velger regjeringa å se bort fra etablert kunnskap når det kommer til midlertidighet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. For første gang legger en regjering i Norge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning som gir næringslivet og

Fremskrittspartiet er positive til at planen inneholder konkrete satsingsområder, langsiktige prioriteringer og målsettinger, samtidig som den gir den fleksibilitet som er nødvendig for å ta i bruk muligheter som vi i dag ikke kjenner til. Kvaliteten på forskning og høyere utdanning er generelt god. Samtidig er det til dels stor variasjon resultatmessig mellom institusjonene. Det betyr at det er potensial til å ta ut mer. I motsetning til Arbeiderpartiet evner Fremskrittspartiet både å se ting i sammenheng og å sette ting inn i en helhet. Vi mener at langtidsplanen og regjeringens varslede melding om struktur og kvalitet i UH-sektoren må ses i sammenheng, og at dette vil styrke og heve kvaliteten på forskning og høyere utdanning. Det satses på områder der Norge har strategiske fortrinn, som naturressurser eller gode fagmiljøer. For eksempel er vi verdensledende innenfor maritim teknologi. For å være i front med gode og effektive løsninger er det behov for samarbeid mellom

Fremskrittspartiet har forventninger til langtidsplanen og til at regjeringens økte satsinger på høyere utdanning og forskning og på samarbeid med næringslivet vil gi økt kvalitet i UH-sektoren og økt verdiskaping i landet. Etter å ha hørt deler av denne debatten er

og en plan som klart signaliserer regjeringas vilje til forpliktelse til å følge opp ressursinnsatsen for rekrutteringsstillinger, bevilgninger til forskningsinfrastruktur, ordninger som skal bidra til god deltagelse i Horisont 2020, og et ambisiøst mål for vekst i bevilgningene til forskning og utvikling. Dette står etter mitt skjønn, med all respekt å melde, i skarp kontrast til Arbeiderpartiets påstand om manglende forpliktelser i artikkelen «En halv plan» i Dagens Næringsliv, mandag 2. februar. Flere av høringsinstansene har sagt, som NTL, at de registrerer med glede at regjeringa nå hever ambisjonene for å bygge gode forsknings- og utdanningsmiljøer. Universitets- og høgskolerådet sier de er glad for at vi har fått en langtidsplan for høyere utdanning, hvor det på flere punkt signaliseres en investeringsplan for regjeringsperioden. De presiserer at med ministerens syvpunktsplan og budsjettavtalen for 2015 har regjeringa signalisert en mer ambisiøs retning for forskning og høyere utdanning. Forskerforbundet presiserer i sin høringsuttalelse at de er overbevist om at dette er et godt grep som vil gi økt forutsigbarhet og tydeligere handlingsrom for institusjonene. De understreker at langtidsplanen vil bidra til å skape en lenge etterspurt langsiktighet i norsk forskning og høyere utdanning med større åpenhet rundt prioriteringsdiskusjonene, og at det vil gi økt kvalitet i forskning og utdanning. Langtidsplanen vi skal vedta, markerer et tydelig linjeskift i retning av sterkere satsing på verdiskaping, kvalitet og de store utfordringene vi står overfor. Finansieringsutvalgets innstilling er på høring, strukturmeldingen er ventet om kort tid, og kunnskapsministeren har varslet en egen melding for kvalitet i høyere utdanning. Dette handler ikke om utsetting, slik representanten Giske hevder, men om gjennomføringskraft og tempo. For å si det med Aasmund Olavsson Vinje: «Kunnskap skal styra Riki og Land,

hovedargumentasjonen til regjeringspartiene, nemlig at hvis vi styrker fagmiljøene, er det nærmest en lovmessig sammenheng mellom gode fagmiljøer og god utdanningskvalitet. Sånn er det ikke. Det man må gjøre, som NOKUT er ganske tydelig på, er å gi klare retningslinjer på hvordan utnytte dette kvalitetsløftet som foregår i fagmiljøene, til å heve utdanningskvaliteten også.

meldingen. Det er sånn at incentivene og den politiske oppmerksomheten som prioriterer forskning, er vesentlig kraftigere enn det som stimulerer utdanningskvalitet. Konsekvensen blir at handlingsrommet for institusjonene, som Røe Isaksen etterlyser at vi skal bruke i større grad, blir mindre, fordi det er forskningen som hele tida snakkes opp, det er forskningen som det hele tida fokuseres på, og forskningen har f.eks. et sterkt forskningsråd. Alt som handler om utdanningskvalitet, er fragmentert og lite til sammenlikning. Vi må ha målrettede tiltak på nasjonalt nivå om vi skal nå disse målene, og det er NOKUT veldig klare på. Vi kan alltids ha incentivordninger for forskning – mye der og mindre på utdanning. Hvis vi ser på SFF-ene – Sentre for fremragende forskning – har de 287 mill. kr i sitt 2014-budsjett. Hva har SFU-ene, som vi er opptatt av i vår innstilling? De har 16

og så bør han ha det på plass lenge før meldingen kommer i 2017, for først da viser han at han tar på alvor det som veldig mange i sektoren snakker om, ikke minst studentene, og som vi må lytte til, nemlig at utdanningskvaliteten ikke er god nok.

konkret. Den er også forbilledlig kortfattet. Jeg liker ikke å ha strategier som er på flere hundre sider. Det er viktig at man har et overordnet mål, og så skal det følges opp i andre dokumenter etterpå. Med respekt å melde: Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til den uendelige svartmalingen som representanten Giske lirer av seg ved å si at verken det ene eller det andre finnes i denne planen. planen. Planen er en milepæl for norsk forskning og høyere utdanning. For første gang legges det frem en plan som gir næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene forutsigbarhet og langsiktighet. Vi har også fått en kunnskapsminister med gjennomslag i egen regjering – også i Finansdepartementet – til å kunne komme med forpliktelser på lang sikt. Vi har også en statsminister som personlig engasjerer seg i forsknings- og utdanningsspørsmål. Siden Erna Solberg overtok som statsminister, har vi sett konkret handling gjennom sterke budsjetter. Vi ser at regjeringen både investerer mer og leverer konkrete bidrag for å styrke kvaliteten i utdannings- og forskningsmiljøene. Langtidsplanen er en Vi får en strukturmelding som skal se på endringer i universitets- og høyskolesektoren, med nettopp det utgangspunkt å styrke kvaliteten. Kunnskapsministeren har også varslet en egen melding om kvalitet i høyere utdanning – ikke veldig overraskende; det var det et enstemmig storting som vedtok i forrige periode. Etter hva jeg forstår, var det også Høyre som gikk i spissen for det forslaget. Jeg vil først si tusen takk

Jeg tror en av de tingene som kanskje forskningspolitikken og delvis politikken for høyere utdanning sliter med i Norge, er at det sjelden er det området som skaper overskrifter. Men nå er vi inne i en periode hvor bl.a. nobelprisen og en rivende teknologisk utvikling gjør at vi kanskje kan få se flere overskrifter om forskning og høyere utdanning. Det er bekymring også for studiekvaliteten, og alt det synes jeg gjenspeiles i en engasjert debatt i Stortinget.

etter min mening behov for endring der. Ekspertutvalget gir et utgangspunkt for den diskusjonen. Vi har også foreslått et forsøk med nasjonale deleksamener i noen fag. Det er også et bidrag til utdanningskvalitet, for sammen med Universitets- og høgskolerådet har vi også bedt om at man går nærmere inn i hvordan karaktersettingspraksisen på de forskjellige institusjonene er. Det er et bidrag. Jeg merker meg også at komiteen synes sentre for fremragende utdanning er en veldig god ordning, og gjerne ser mer av det. Det skal jeg notere meg bak øret. Vi har også fra departementets side bestilt en treårig forskningsbasert evaluering av kvaliteten i høyere utdanning gjennom Norges forskningsråd. Og til representanten Marianne Aasen: Vi har også gitt i oppdrag til NOKUT og Norges forskningsråd å se forskning og utdanning bedre i sammenheng, og NOKUT og Forskningsrådet skal i løpet av 2015 utvikle en metode for en samlet vurdering og evaluering av fagmiljøer som omfatter både forsknings- og utdanningsvirksomheten. Det er ting vi er i gang med. Når det gjelder bygg, som representanten Giske tok opp, er det nå en formulering fra flertallet om at man ønsker en synliggjøring av byggbehovene kanskje da også vedlikeholdsbehovene i sektoren – i forbindelse med neste rullering. Det er selvfølgelig et vedtak som vi skal følge opp, for bygg, og ikke minst vedlikehold av bygg, hvor etterslepet i sektoren er betydelig, handler også i siste instans både om kvaliteten på forskningen – Life Science-bygget er et godt eksempel på det – og ikke minst om kvaliteten på utdanningen. Når Høyres hovedtalsperson må fortelle salen at jo da, ministeren er

Man peker i en merknad på at det har «kommet et klart ønske fra sektoren om en tydeligere prioritering av investeringer i bygg utover det som er skissert i langtidsplanen». Og om utdanning sier man: «Flertallet viser til at flere aktører har etterlyst mer vektlegging av høyere utdanning i langtidsplanen.» I parlamentarisk språkbruk – når regjeringspartiene i innstillingen omtaler sin egen regjerings innstilling på den måten – er det ganske krasse ord, og når man må gå så langt med konkret å foreslå et romertallsvedtak her for å instruere sin egen regjering – eller sannsynligvis en annen etter 2017 – om å lage en plan for bygg og infrastruktur, er det også ganske oppsiktsvekkende. Det hører med til sjeldenhetene at det skjer. Det er jo her statsråden mangler fullstendig gjennomslagskraft og gjennomføringsevne. Hvorfor i all verden skal vi vente til 2018? Statsråden svarer fortsatt ikke på det. Hvis statsråden legger bort mobiltelefonen i 3 sekunder og tenker over følgende: Hvorfor vil han vente til 2018 med å lage en helhetlig plan om bygg og infrastruktur i høyere utdanning? Hvorfor er sektoren tjent med at det skal vente til 2018? Vi gjennomførte kvalitetsreformen – jeg overtok som statsråd i mars 2000, meldingen kom i februar 2001, ble vedtatt i juni jeg uenig i mye av det hun gjorde, men hun hadde implementert hele reformen innen 2003 – overgang fra cand.mag. til bachelor og fra hovedfag til master, ny finansieringsordning, opprettelse av NOKUT. Denne statsråden venter altså i fire år med å gjennomføre den femårige lærerutdanningen, selv om det finnes femårige lærerutdanninger allerede. Han venter i fire år med en stortingsmelding om kvaliteten i høyere utdanning, og han skal vente i fem år, sannsynligvis, til en annen statsråd lager en annen plan for bygg og infrastruktur i høyere utdanning. Er det gjennomføringskraft? Er det handlingsevne? Nei, det er det motsatte. Det er å sitte stillest mulig i båten og håpe at denne stortingsperioden går over før man faktisk må gjøre noe. Så smykker man seg med at man går rundt og truer Høgskolen i Nesna eller Høgskulen i Sogn og Fjordane med tvangssammenslåing. Vel, det er jo ikke handlekraftig å slå sammen høyskoler – det er ett vedtak i en regjering, og så er det gjort. Vi har også slått sammen høyskoler og universiteter i vår tid. Handlekraften må gå på kvalitet, ambisjoner, bygg, infrastruktur, innhold, spissing, penger. Og igjen stiller jeg spørsmålet til statsråden: Hvorfor skal denne planen om bygg og infrastruktur a) instrueres av Stortinget, og b) vente til neste stortingsperiode? Det synes jeg vi kan få svar på. neste stortingsperiode? Det synes jeg vi kan få svar på. Det har vore ein mangslungen debatt, og vi har ikkje hatt den mest omfattande debatten som ein langtidsplan for høgare utdanning og forsking kanskje skulle ha vore. Til det er grunnlaget for debatten for syltynt. Eg har sett på ei av dei strekningane som har brydd meg mykje i mitt politiske liv, E18 mellom Balsfjord og Tromsø. Kunnskapsgrunnlaget som departementet har utvikla for den vegstrekninga, er større og meir omfattande enn kunnskapsgrunnlaget som vi byggjer denne planen på, frå Kunnskapsdepartementet. Det er slik, som fleire har vore inne på, at det skal ein kome tilbake til.

eigentleg ei fantastisk moglegheit til verkeleg å dra på med store, spennande visjonar. Ein kunne prøvd å konseptualisere og verkeleg stake ut kursen for kor vi skal vere når det gjeld forholdet mellom forsking og utdanning, om ti år. Der har ein verkeleg store moglegheiter til å lage noko spennande, som verkeleg kan vise handlekraft og peike retning for korleis sektoren skal bli i framtida. Heile teknologifeltet – korleis skal ein ta det i bruk for å spreie kunnskap til samfunnet, både ta utdanning og også tilgangen til forsking. Den evna forskinga har til å skape verdiar for samfunnet, er heller ikkje nemnd. Skulle ein f.eks. ha eit mål om at 100 pst. av alle utdanningsprogram på universitet og høgskolar skulle vere digitalt tilgjengelege innan 2020 f.eks.? Det kunne ha vore spennande visjonar for eit kunnskapssamfunn som skal strekkje seg i retning av dei store leiande kunnskapsnasjonane i verda. Det finst ikkje noko om det. Formidling kunne ein kanskje gå laus på og gjere formidling meritterande, akademisk meritterande. Den typen spørsmål for å bringe det som skjer i institusjonane, ut i samfunnet – heller ikkje dei spora blir tatt inn i denne planen. Ein går berre veldig tradisjonelt, ein slags forskingsavdelingsmessig, til verks og legg fram eit veldig tynt kunnskapsgrunnlag. Eg har stilt spørsmål ved at det kan det kan ikkje vere slik at ein er så fantasilaus. Kva kan vere dei bakanforliggjande grunnane til dette? Kan det vere at vi har ei mindretalsregjering som ikkje ønskjer å forplikte seg i eit storting der dei må søkje fleirtal på ein annan måte? Dei ønskjer ikkje å lage ein plan som tek frå dei moglegheitene til å styre. Derfor legg ein fram ein ganske slapp plan. Det kan hende at det er der det ligg, og at det ikkje er det

si at dette er en normal diskusjon i Stortinget – sånn jeg ser det – mellom opposisjon og posisjon. Da må vi tåle at man ikke er enig om alt motparten sier. Så vidt jeg har kunnet følge med, har i og for seg alle opposisjonens talspersoner snakket pent om at planen legges fram, at det er en del bra ting, men at vi må tillate oss å ha en åpen diskusjon om hva vi mener mangler. Det mener jeg hører hjemme her i salen. Så til et tema som ikke har vært så mye oppe, og som jeg mener er viktig at blir sagt i denne diskusjonen. Det er nemlig at disse samfunnsområdene vi satser på, samfunnssikkerhet og beredskap, er tatt opp av Kristelig Folkepartis representant Anders Tyvand, mens hav, teknologi, miljø, velferdsstat osv. er områder som vi vektlegger tydelig i planen. Der må andre departement enn Kunnskapsdepartementet også være pådrivere. Det som pådrivere. Det som bekymrer meg, er at kunnskapsministeren la fram en god forskningssatsing – i og for seg – i årets budsjett. Der var det en økning med et beløp som man kan være fornøyd med, men problemet er at bortsett fra Næringsdepartementet er det ett departement som holder seg forskningen. Det er veldig bekymringsfullt, for det er de som skal drive helseforskning, det er de som skal drive samfunnssikkerhets- og beredskapsforskning. Vi trenger økninger på Forsvarsdepartementets budsjett til forskning, og på Justisdepartementets budsjett, på Samferdselsdepartementets budsjett osv. Det er noe man skal vite at komiteen er opptatt av, både denne og den forrige komiteen – vi er nødt til å ha et trykk på de andre fagfeltene som vi ikke har mulighet til å følge opp like godt som vi vil gjøre i denne komiteen, og som de statsrådene vi har i vår komité, vil gjøre. For å lykkes med det samfunnet vi skisserer i denne meldingen, må alle statsrådene stille opp – alle må prioritere at de må øke forskningen Så har jeg lyst til å takke for de konkrete svarene som handlet om utdanningskvalitet, som kom fra statsråd Røe Isaksen, og som jeg oppfattet som positive og gode – vi får vite i dag at det skal komme en egen melding. Det var noe vi ikke fikk svar på – det henger fortsatt i lufta, etter min mening. Men jeg lurer likevel litt på hvordan det kan ha seg at statsråden setter sine egne i den situasjonen at de går imot merknader internt i innstillingen som de nå plutselig er for. Det gjelder en stortingsmelding. Det burde man kanskje unngått ved å ha en litt mer helhetlig tilnærming til det. Der har representanten Knag Fylkesnes et godt poeng – det blir for mye armer og bein, det blir for uklart hva som er den store planen her, og det henger ikke

I langtidsplanen i år ligger det inne to konkrete bygg som er prioritert. I 2009 var det, meg bekjent, null bygg; i 2013 – det er ikke så veldig lenge siden – var det, meg bekjent, null bygg. Så er vi i den situasjonen som opposisjonen bare må bli vant til: Vi har et nytt stortingsflertall, og da er det også naturlig at f.eks. et parti som Venstre er enda mer ambisiøs enn regjeringen. Det kan vi godt leve med. Når det er sagt, så ligger det inne rekordhøye – om ikke rekordhøye, så iallfall veldig høye – bevilgninger til bygg: 1,45 mrd. kr til bygg, til prosjektering 105 mill. kr, til utstyr 210 mill. kr, en forpliktende opptrappingsplan i langtidsplanen når det gjelder vitenskapelig utstyr – alt det leverer. Tilsvarende kan man se hva det forrige stortingsflertallet brukte sin flertallsmakt til når det gjaldt stipendiater. De brukte det til å gå hardt ut de første årene – da var det bra – men i 2010 var det null, i 2011 null, i 2012 null, i 2013 null.

regjeringen. Nå har statsråden hatt ordet for tredje gang, og jeg gjentar spørsmålene – han har ubegrenset taletid: Hvorfor skal man vente til 2018 med en langtidsplan for bygg og infrastruktur i høyere utdanning? Hvorfor ønsker ikke statsråden å gjøre dette i inneværende stortingsperiode? Hvorfor hadde han ikke ett nytt bygg i sitt statsbudsjett for 2015? Hvorfor må man ha et romertallsvedtak i Stortinget for å gjennomføre dette? Burde ikke sektoren være mer tjent med å få denne planen så raskt som mulig, at man også satte kvalitet før man satte struktur, at man kom med en stortingsmelding om høyere utdanning så raskt som mulig istedenfor å sitte stillest mulig i båten og vente på et regjeringsskifte? Nå kan han få anledning til å svare: Hvorfor skal denne planen først komme i 2018? Jeg tar ordet fordi jeg mener det er

forskningsmelding. Statsråd Røe Isaksen viste til to forskningsmeldinger, forskningsmeldingen 2009 og forskningsmeldingen 2013, som er overordnede politiske dokumenter der det ikke står om den type konkrete bygg, antall bevilgninger, antall stillinger osv. Det er derfor vi har fått langtidsplanen. Det er den som skal fylle det strategiske dokumentet med den type innhold. Det er derfor vi også er opptatt av konkretisering, for en langtidsplan er konkretiseringen av forskningsmeldingen – det er sånn den er ment. Da synes jeg det blir litt rart og pussig å dra fram akkurat det. Det er budsjettene som tidligere har vært de dokumentene som har vist de konkrete grepene som skal følge opp forskningsmeldingene. Nå har vi fått en langtidsplan, som i og for seg skal følge opp og for seg skal følge opp den forskningsmeldingen som ligger til grunn for dette. Her mener jeg det er litt viktig at vi er litt ryddige. Så er det mulig, selvfølgelig, at statsråden tar initiativ til eventuelt å endre på dette, men fortida – det som er historie – bør i hvert fall være korrekt, etter min mening. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det kom plutseleg ei kraftsalve på Fylkesnes har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det kom plutseleg ei kraftsalve på slutten frå ministeren, der han bl.a. forveksla det som har vore eit problem for komiteen å forstå: Kva er forholdet mellom langtidsplanen? Langtidsplanen skulle innehalde vesentleg meir. Éin ting var langtidsperspektivet. Det andre var at han skulle innehalde bl.a. bygg – ting som vi elles ser i statsbudsjetta – få det inn i eit langsiktig perspektiv. Så ministeren brukar ugyldige argument frå Stortingets talarstol, som eg synest er oppsiktsvekkjande. Det andre gjeld stipendiatstillingar. den raud-grøne regjeringa gjekk av, var det ein realvekst innan forskinga på 32 pst. – 7 mrd. kr ekstra til forsking totalt, 1 000 direkte finansierte stipendiatstillingar og post doc.-stillingar – i løpet av den perioden. Det er ei formidabel satsing. Den auken som denne regjeringa har gjort – viss ein berre ser på prosentsatsane – er ikkje atskillig større enn det den førre regjeringa gjorde. Så her må også ministeren halde seg til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

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring fra og med det året man fyller 25. Det er med andre ord et skille mellom rett til videregående opplæring etter ungdomsretten og etter voksenretten. Ungdom som ikke fullfører videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem eller seks år, har brukt opp ungdomsretten. Dersom man da er yngre enn 25 år, må man vente til det året man fyller 25, før man igjen har en lovfestet rett til videregående opplæring. En samlet komité er enig om at dagens ordning kan være en utfordring for dem som havner mellom to stoler. Det er også grunn til å understreke at komiteen i en felles merknad viser til at fylkeskommunen har en generell plikt til å gi tilbud også til søkere uten rett til videregående opplæring, men at det i slike tilfeller vil være opp til den enkelte fylkeskommune å avgjøre søknaden. I tillegg kan ungdom som har brukt opp ungdomsretten – dersom det foreligger særlig grunn – søke om videregående opplæring etter voksenretten, f.eks. fordi man av helsemessige årsaker ikke rekker å benytte seg av ungdomsretten. Likevel erkjenner komiteen at dagens ordning fører til at enkelte risikerer å stå uten et opplæringstilbud i en periode, og at det for disse er en risiko for å miste motivasjonen til å fullføre videregående opplæring. I lys av at det er en nær sammenheng mellom gjennomføring av videregående opplæring og senere tilknytning til arbeidslivet, er komiteen samlet om intensjonen om å legge til rette for at flest mulig kan gjennomføre videregående opplæring, og behovet for mer fleksibilitet enn dagens ordning legger opp til. Komiteen legger likevel frem en delt innstilling. Jeg overlater til talerne som kommer etter meg, å redegjøre for sitt syn og vil i fortsettelsen forklare Høyres syn på saken og hvorfor vi i flertall, sammen med Folkeparti og Fremskrittspartiet, har konkludert med en anbefaling om at representantforslaget vedlegges protokollen. Flertallet ønsker ikke å ta en forhastet beslutning om å gjøre en lovendring sånn som det legges opp til i representantforslaget. Det er nødvendig å utrede en eventuell lovendring grundig. Dessuten er det ikke gitt at å endre opplæringsloven på den måten som det foreslås i denne saken, verken er eneste eller beste løsning for å sikre at de som i dag havner mellom to stoler, vil få muligheten til å gjennomføre sin utdanning. Hele komiteen deler forslagsstillernes syn på behovet for mer fleksibilitet for å sikre at alle som ikke har fullført videregående opplæring, får muligheten til å gjennomføre uten at systemet skal være til hinder for det. Nettopp på grunn av det står det i regjeringsplattformen at regjeringen vil innføre en «livslang rett til videregående opplæring», og i arbeidet med stortingsmeldingen om livslang læring og utenforskap vil innføringen av en sømløs overgang mellom ungdomsretten og voksenretten bli vurdert. Den varslede meldingen har vært utslagsgivende for flertallets konklusjon i denne saken. Vi vil ikke være med på å vedta en lovendring før den er utredet grundig, og det er heller ikke nødvendig å be regjeringen utrede en slik lovendring nettopp fordi dette vil bli vurdert i den nevnte meldingen, og da vil Stortinget få anledning til å behandle dette grundig. Jeg ser frem til en god debatt. Utdanning gir enkeltpersoner store muligheter til selvutvikling, til stabile arbeidsbetingelser og til god inntekt – kort sagt, muligheten til et godt liv. Utdanning er

Fremskrittspartiet er opptatt av at det kan tilbys bedre og mer fleksible videregående utdanningsløp enn tilfellet er i dag. Det vil sikre at flere kan ta utdanning tilrettelagt sin hverdag, noe som vil sikre at flere fullfører videregående opplæring. I dag skiller vi mellom rett til videregående opplæring etter ungdomsretten og voksenretten. På det området var saksordføreren veldig tydelig i sin redegjørelse, redegjørelse, hva betydningen av det innebar, derfor trenger jeg ikke gjenta det. Fremskrittspartiet er opptatt av at vi må ha et fleksibelt system som legger til rette for at flere fullfører videregående opplæring. Forskning slår fast at det er en tydelig sammenheng mellom fullført videregående skole og stabil tilknytning til arbeidslivet, som igjen er avgjørende for å være Næringslivet får stadig mindre behov for personer uten fullført videregående opplæring. Nav-rapporten Omverdensanalyse 2014 konkluderer med at det kan bli et overskudd av arbeidskraft uten fullført videregående skole på 200 000 personer i 2024. I tillegg vet vi at tre av ti ikke fullfører videregående opplæring. Samtidig etterspør arbeidslivet flere gode fagarbeidere.

Regjeringen har satt i gang et tverrdepartementalt arbeid for å utvikle en helhetlig politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet, og som står utenfor arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal legge fram en melding for Stortinget i løpet av 2015. 2015. I forbindelse med meldingen om livslang læring og utenforskap vil departementet også vurdere innføring av en sømløs overgang mellom ungdomsretten og voksenretten. En sømløs overgang vil føre til at alle som har fullført grunnskolen, uavhengig av alder, vil ha rett til videregående opplæring på det tidspunkt de selv ønsker å ta opplæringen. Fremskrittspartiet støtter intensjonen i representantforslaget, men vi er ikke klar for å gå inn for forslaget, bl.a. med bakgrunn i at regjeringen allerede arbeider med denne problemstillingen. Det er nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag før Stortinget kan fatte store og kostnadskrevende beslutninger som denne, og det er ikke nødvendigvis den løsningen som representantene har skissert i sitt forslag, som er den beste. Fremskrittspartiet ser fram til den varslede meldingen om livslang læring og utenforskap og forventer at den inneholder løsninger som ivaretar gode, fleksible videregående utdanningsløp. Å fullføre videregående skole er

og til å måtte leve av ytelser fra Nav blir med andre ord mye kortere. For hver elev som ikke fullfører videregående opplæring – det er et stort tap for samfunnet. Skal vi bygge landet for framtiden, er vi helt avhengig av at flest mulig oppnår kompetanse til å delta i arbeidslivet. Som sagt er det et stort tap for samfunnet, men tapet for den enkelte er like stort. Å havne utenfor arbeidslivet betyr ofte at man også havner utenfor på mange andre arenaer i livet. Derfor er Arbeiderpartiet helt enig i forslagsstillernes intensjon bak dette forslaget, at vi trenger et skolesystem som sikrer alle gode muligheter. Frafallet er en av skolens største utfordringer. I dag faller altfor mange elever ut av videregående opplæring, særlig gjelder det de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det betyr allerede i dag at vi ikke utdanner for den kompetanse som landet trenger i framtiden. Om bare ti år vil Norge mangle mer enn 100 000 fagarbeidere. Særlig kommer vi til å mangle mange hender i helse- og omsorgssektoren. Vi må snu den utviklingen gjennom en bedre yrkesfagopplæring. Derfor la Arbeiderpartiet i januar fram et representantforslag med 33 punkter om hvordan vi skal styrke yrkesfagene. Ikke minst må vi sørge for å ha nok læreplasser. Også her har vi en rekke nye forslag, som å prøve ut et fond for læreplasser og la flere bedrifter gå sammen for å ta inn lærlinger. Frafallet begynner ikke i den videregående skolen. Skal man sørge for at flere elever gjennomfører, bør man ikke vente til de er i ferd med å falle ut av skolen, eller til de mister ungdomsretten. Man må gjøre mer for å forebygge frafallet. Vi vet at det er en klar sammenheng mellom svake resultater i grunnskolen og senere frafall. Derfor foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett å bevilge 105 mill. kr til tidlig innsats. Vi vil bl.a. ha et lese-, skrive- og regneløft, der vi sørger for at alle elever får den hjelpen de trenger for å lære seg de grunnleggende ferdighetene på barnetrinnet. Vi vet også at helse, trivsel og trygghet gjennom skolegangen er viktig. Motivasjon og god læring handler om hele skolehverdagen. Tidlig innsats er nøkkelen. Likevel trenger vi et bedre sikkerhetsnett for de elevene som faller ut av skolen og må vente på voksenretten. Arbeiderpartiet deler forslagsstillernes bekymring og stiller seg bak intensjonen om mer fleksibilitet. Vi er imidlertid ikke rede til å gå inn for et omfattende og potensielt kostnadskrevende forslag som dette uten at vi kjenner alle konsekvensene

planlagt, at de må vente flere år før de kan ta fatt på skolegangen igjen. Da kan for det første motivasjonen være annerledes, og det kan være endringer i livssituasjonen som kan bidra til at det kan bli utfordrende å gå tilbake for å fullføre opplæringsløpet. Jeg deler derfor forslagsstillernes syn på at dette er problematisk. problematisk. Så vet vi at det finnes løsninger også for unge voksne som står uten rett til videregående opplæring, og at man har en mulighet til å søke opptak selv om de formelle vilkårene ikke er oppfylt. Men det er nok dessverre sånn at kanskje ikke alle har god nok kjennskap til disse mulighetene, og det er ikke alle som søker heller, som får innvilget plass. Det er noen som risikerer å stå uten tilbud om skoleplass. Dette er et problem for den enkelte, og det er et problem for samfunnet. Det er, som det allerede er blitt påpekt, også sånn at de som ikke fullfører videregående opplæring, fort ender på utsiden av arbeidslivet, fordi vi vet at det er færre og færre tilgjengelige jobber for dem som ikke har noen formell utdannelse utover grunnskolen. Her er det snakk om ganske unge mennesker. Det kan være mange årsaker til at opplæringsløpet blir avbrutt. Vi må passe på at vi ikke har et system der unge mennesker ikke får en ny sjanse. Så er jeg helt enig i det som ble sagt fra representanten Steinnes, om behovet for tidlig innsats. Jeg er helt sikker på at det er en viktig nøkkel for å hindre frafall i videregående opplæring. Derfor er jeg glad for at vi har fått til en satsing på nettopp tidlig innsats i grunnskolen i budsjettforhandlingene samarbeidspartiene. Jeg er også helt enig i at vi trenger et yrkesfagløft, og at vi må sørge for at vi får på plass flere lærlingstillinger. Derfor er jeg også glad for at vi har begynt med en opptrapping når det gjelder lærlingtilskuddet, slik at det blir attraktivt for flere bedrifter å ta inn lærlinger. Dette er viktig. viktig. Så er jeg glad for at statsråden tar dette problemet alvorlig, og at det nå varsles tiltak og en helhetlig politikk for voksne som står utenfor skole og arbeidsliv. Tanken om en sømløs overgang mellom ungdomsrett og voksenrett virker for meg veldig fornuftig, og jeg ser fram til stortingsmeldingen, som legges fram i løpet av året, der dette skal vurderes. Jeg støtter intensjonen i dette representantforslaget, men jeg tror også at departementet har rett når de peker på at eventuelle lovendringer må utredes grundig, og at det kan finnes andre måter å løse denne utfordringen på. Opplæringsloven er

Denne saken kan egentlig synes å være en liten teknikalitet. Konkret handler forslaget vårt om å fjerne ordet «sammenhengende» i opplæringsloven – ikke rare endringa, men noe som faktisk kan gi hundrevis av elever en mulighet til å komme ut av Nav-systemet og inn igjen i skolesystemet. Forslaget er altså en gavepakke, egentlig, til kunnskapsministeren, som – i likhet med oss alle – er bekymret over frafallet i videregående opplæring, og det er en gavepakke til arbeids- og sosialminister Eriksson, som er bekymret over alle dem som står uten jobb, og står i fare for å falle varig ut av arbeidslivet. Innstillinga viser bred enighet om betydninga av en slik regelendring. Til tross for den rørende omfavnelsen av forslaget, er det slik at regjeringspartiene m.fl. likevel ikke vil stemme for. Jeg syns det er litt uforståelig og litt skuffende. Jeg skjønner at det er Jeg skjønner at det er bekvemt for regjeringa å skyve forslaget foran seg for kanskje å foreslå det sjøl i en stortingsmelding, men jeg undrer meg likevel over at regjeringspartiene og støttepartiene, som i forrige periode var så forarget for at deres forslag ble nedstemt eller vedlagt protokollen, nå ikke tør å vedta et eneste lite forslag fra opposisjonen, enda en er enig. En kunne jo i det minste ha turt å be regjeringa prioritere dette og komme tilbake med en sak – det er det vi ber om. representanten Thorsen ga gode tall på hvor mange som ikke fullfører videregående opplæring. Men nei da, det virker som om forslaget nå skal ligge i en skuff til en sjøl kan fremme det og se det i en sammenheng. Jeg har ikke noe imot skuffer, særlig ikke hvis en er flink til å sortere og rydde i dem, men det er fryktelig å vite at mens forslaget ligger i en skuff, vil det være hundrevis av elever som får livet sitt satt på vent til de får voksenretten. I arbeidet med denne saken har jeg snakket med mange lærere i videregående skole som ser disse ungdommene, og jeg har truffet mange elever som har falt ut av skolen. Jeg møtte ei jente på Gjøvik videregående som hadde begynt igjen på yrkesfag. Hun sa: Det er så fint at jeg har fått dette tilbudet nå. Skulle jeg ventet til jeg var 25, så kan det hende at det ikke hadde blitt noe av. Da kunne jeg kanskje vært gift, hatt unger, osv. Dette handler om Mens vi prater om frafall og river oss i håret over hvorfor ikke flere gjennomfører videregående, går tida. I innstillinga står det henvisninger til at elever kan få tilbud om å endre på hvordan de tar ut ungdomsretten. Ja, det vet vi, og det er vi glad for, men det gjelder kun i spesielle tilfeller: hvis du blir gravid, hvis du blir sjuk, osv. Det er ikke dem som det allerede gis unntak for i dagens regelverk, jeg er opptatt av. Dette gjelder dem som har gjort feilvalg, som har stilt seg sånn at de ikke får tatt ut de tre åra de har krav på – sammenhengende. Det er jo fortørnende at vi, som er systemeiere, skal sitte og ri reglene så hardt at vi skyver ut ungdom som vi faktisk kunne hatt innenfor, mens vi samtidig river oss i håret over at så mange ikke fullfører videregående innen fem år. Jeg vet at det er mange fylkeskommuner som strekker seg langt for at elevene skal få gå ferdig løpet sitt, og det er gjerne fylkeskommuner som allerede i dag jobber godt med opplæring. Vi har hentet vårt forslag fra Oppland fylkeskommune, som har gjort dette vedtaket, og det er sagt av flere representanter at det er ikke sikkert dette er det beste forslaget. Nei, men det er ett forslag, og det er et forslag som virker. I tall så er det slik at det er 101 ungdommer som søkte – en må jo ikke ta dette tilbudet, men av de 918 var det 101 ungdommer som søkte om å få benytte seg av tilbudet, og av dem igjen var det elever eller lærlinger som takket ja til tilbudet de fikk. Vi vil at alle fylkeskommuner skal gjøre som Oppland. Vi vil at det er flere enn de 66 i Oppland som skal få mulighet til å gjøre ferdig videregående opplæring og komme videre i livet. Dette er ikke til hinder for andre gode tiltak, men ett år er lenge, og vi skylder ungdommene å skynde oss. Med dette tar jeg opp Senterpartiets forslag. Representanten Anne Tingelstad Wøien har tatt opp det forslaget oss. Med dette tar jeg opp Senterpartiets forslag. Representanten Anne Tingelstad Wøien har tatt opp det forslaget hun refererte til. Jeg vil begynne med å gi honnør til Senterpartiet for at de løfter denne saken. Det er mange grunner til at ungdom i dag ikke klarer å gjennomføre videregående opplæring slik som de hadde tenkt, eller slik som samfunnet har lagt opp til. til. Da er det vår oppgave som politikere å prøve å rette det opp, slik at folk kan leve livet sitt slik som det passer dem. Det er bred enighet om at utdannelse og kunnskap er viktig. Jeg synes dette er et veldig godt eksempel på et system som ikke alltid fungerer, og det er et veldig godt eksempel på noe som vi kan gjøre noe med. Det er ingen som er tjent med at ungdom som faller av i dag, eller som av ulike grunner faller ut, skal måtte vente til de blir 25 år før voksenretten inntreffer. Det er derfor positivt, synes jeg, at kunnskapsministeren har varslet at det vil bli utarbeidet ny politikk for dem som står utenfor skole og arbeidsliv. mye. Det er mange representanter før meg som har sagt mye viktig om det som handler om å forebygge frafall. Det handler også om det, men dette er noe veldig konkret og spesifikt som vi kan gjøre for å gjøre det litt lettere for dem som ikke har et helt A4-liv. Vi i Venstre deler derfor forslagsstillernes intensjon med derfor forslagsstillernes intensjon med forslaget, men vi er ikke på stående fot akkurat nå rede til å gå inn for det. Derfor ønsker vi en sak til Stortinget der konsekvensene av å endre reglene for sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring gjennomgås, og vi står derfor sammen med Arbeiderpartiet om det forslaget som allerede er fremmet. Min gamle fransklærar på ungdomsskolen sa: Torgeir, det er menneskeleg å falle, men det

grip eigentleg inn i fundamentet i heile skolen og systemet. Skolepolitikken må bli meir mangfaldig, må kunne famne om meir praktiske og estetiske dimensjonar enn den gjer i dag. Ein må gjere ting tidlegare enn ein før har gjort. Blant anna er valfag i ungdomsskolen eitt grep for rett og slett å rett og slett å tilby dei som elles er skoletrøtte, i dei normale faga i skolen, å finne andre arenaer å få motivasjon på, og knyte seg til stader, f.eks. Kautokeino, der ein kan ta jegerprøven i valfag. valfag. Så veit vi at på vidaregåande er fellesdelen veldig avgjerande. Det er den viktigaste enkeltårsaka til at folk fell frå der. Kanskje må vi gå fullstendig gjennom fellesdelen, kanskje vi må tenkje heilt nytt på den, kanskje gå bort frå den. Når det gjeld lærlingplassar, som er ei tilbakevendande utfordring, er det veldig bra at regjeringa no har krav om å tilby lærlingplassar, som eg støttar fullt ut. Så til retten til vidaregåande opplæring. I dag blir fråfall berekna berre ut frå det du har rett innanfor. Idet nokon fell utanfor og så kjem tilbake gjennom vaksenretten eller gjennom andre ordningar som enkelte fylkeskommunar har, tel ikkje det inn i fråfallsstatistikken. Så eg har eigentleg stor sans for forslaget frå Senterpartiet. Representanten frå Senterpartiet har eit poeng i Så eg har eigentleg stor sans for forslaget frå Senterpartiet. Representanten frå Senterpartiet har eit poeng i at vi er nok litt sløve ved ikkje berre å gå for det. Når SV no landar på Arbeidarpartiet og Venstre sitt forslag, jamt over ønskjer å sjå forslaga i samanheng. Dersom det er store saker som er på veg, der det er grunn til å tru at desse problemstillingane verkeleg blir tatt opp, og dei er ikkje langt fram i tid, dei er undervegs, ønskjer vi å sjå dette i samanheng generelt. Vi har i tidlegare saker, spesielt når det gjeld saker frå Venstre, der ein har kome i forkant av større behandlingar, gått imot forslaga sjølv om vi i prinsippet har vore einige. Men vi har ønskt å vente til ein tar dei store grepa. Men vi har ønskt å vente til ein tar dei store grepa. Dette er ikkje ei sak som eg synest det er enkelt ikkje å vere med Senterpartiet på. Eg vil rose representanten for å ta det opp, og eg tar kritikken for slappheit ad

Vi skiller altså mellom rett til videregående opplæring etter ungdomsretten og etter voksenretten. Grunnen til dette er at de to gruppene har ulike behov. Voksne over 25 år er en mer sammensatt og uensartet gruppe enn ungdom, og opplæringen skal derfor tilpasses den enkeltes forutsetninger og livssituasjon i større grad enn for ungdom. For eksempel kan en voksen ta hele eller deler av fag, tilbys kveldsundervisning, fjernundervisning og mulighet til å ta opplæringen på kortere eller lengre tid. Videregående opplæring etter ungdomsretten er hovedsakelig lagt opp som fellesundervisning på dagtid. Med dagens regelverk kan det være en utfordring for unge voksne som ikke starter eller fullfører videregående opplæring innenfor rammen av ungdomsretten, at voksenretten ikke inntreffer før vedkommende fyller 25 år – som representantforslaget problematiserer. Vi vet at enkelte som av ulike grunner ikke har rukket å fullføre innenfor ungdomsretten, men som heller ikke er fylt 25 år, blir gående og vente på å få en ny mulighet innenfor voksenretten. Slik venting er uheldig og unødvendig. I praksis fins det likevel løsninger for denne gruppen, og det er grunn til å anta at mange av dem som faller mellom ungdomsretten og voksenretten, faktisk får et tilbud om videregående opplæring. For det første er det mulig å søke om videregående opplæring selv om de formelle vilkårene ikke er oppfylt, men det er da opp til fylkeskommunen å avgjøre om søknaden blir innvilget. For det andre kan ungdom som i utgangspunktet har rett til videregående opplæring etter ungdomsretten, men som får problemer med å ta ut hele retten i tide, søke om videregående opplæring etter voksenretten. Et vilkår for dette er at det foreligger særlige grunner. Det kan f.eks. være helsemessige årsaker som gjør at vedkommende ikke har rukket å ta ut hele retten innen fylte 24 år. Selv om det fins praktiske løsninger for mange i denne gruppen, er jeg enig med forslagsstillerne i at dagens ordning kan føre til at enkelte i en periode risikerer å stå uten et opplæringstilbud mens de venter på å kunne søke om opplæring etter voksenretten. Det er en risiko for at de mister motivasjonen til å fullføre videregående opplæring. Jeg er også enig med forslagsstillerne i at videregående opplæring er nøkkelen til høyere utdannelse og deltakelse i arbeidslivet. Forskning viser at gjennomføring av videregående opplæring er en nøkkel til deltakelse i arbeidslivet. Kravene til kompetanse i arbeidslivet øker også. Statistisk sentralbyrås fremskriving av arbeidskraft frem mot 2030 viser at etterspørselen etter arbeidskraft med bare grunnskole eller bare delvis fullført videregående opplæring sannsynligvis vil synke. Derfor mener jeg det er viktig at lovverket legger til rette for at flest mulig kan fullføre og bestå videregående opplæring. Regjeringen er i gang med å utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, og som står utenfor arbeidslivet. Dette arbeidet skal legges frem i en melding til Stortinget om livslang læring og utenforskap i løpet av 2015. Meldingen skal utarbeides i fellesskap med Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. I regjeringsplattformen har vi slått fast at regjeringen vil gi livslang rett til videregående opplæring. Som en del av dette vurderer vi i forbindelse med arbeidet med meldingen til Som en del av dette vurderer vi i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget å innføre en sømløs overgang mellom ungdomsretten og voksenretten. Det vil sikre at alle som har fullført grunnskolen, uavhengig av alder, har rett til videregående opplæring på det tidspunkt de selv ønsker å ta opplæringen. Jeg vil fremheve at det er viktig å utrede mulige lovendringer grundig. Det er også andre måter å løse utfordringen knyttet til ungdommer som ikke rekker å ta ut hele ungdomsretten før fylte 24 år, enn å oppheve kravet om 5 års sammenhengende uttak av ungdomsretten. Én mulighet er f.eks. å gjøre det enklere å velge å ta ut retten til videregående opplæring etter voksenretten selv om man ikke har fylt 25 år. Jeg deler forslagsstillernes syn på men jeg vil fraråde en forhastet lovendring nå – nettopp på grunn av det pågående arbeidet med meldingen til Stortinget om livslang læring og utenforskap. I dette arbeidet vil den mest hensiktsmessige innretningen på en god sammenheng mellom ungdomsretten og voksenretten bli vurdert, og representantforslaget vil også i denne sammenheng bli vurdert. Det blir replikkordskifte.

Det har vært kjent lenge at vi jobber med den, og den kommer til å komme i løpet av 2015. Men det jeg synes det er gode argument for, er å vurdere dette forslaget inn i en større sammenheng og se det som en del av en helhet. Det tror jeg er ganske fornuftig, for det kan også, som flere andre representanter har påpekt, være andre måter å oppnå det samme på, som kanskje etter grundigere vurderinger vil virke mer fornuftig – eller like fornuftig. Takk, jeg

se på det, eller i hvert fall ikke aktivt ønsker å stemme forslaget ned. Jeg mener det er mye i systemet som er verdt å se på. Jeg mener det ikke bare er verdt å se på, men også å gjøre noe med hvordan forholdet er mellom det som faller inn under Arbeids- og sosialdepartementet, og som gjelder arbeidsmarkedstiltak f.eks., og det formelle utdanningssystemet. Jeg tror nok mange kunne hatt godt av å få mer utdannelse og en sjanse til å ta utdannelsen sin i stedet for å være på en del av de forskjellige arbeidsmarkedstiltakene. Det mener jeg det er viktig å se på. Jeg mener at når 400 000 nordmenn i voksen alder mangler grunnleggende ferdigheter, har det vært en tendens til at de har blitt dyttet rundt i systemet uten at noen har tatt ansvar for dem. Det mener jeg det er verdt å se på. Jeg mener også det er verdt å se på frafall og muligheten til å ta videregående utdanning. Og det skal vi gjøre.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

Vi visste også altfor lite om forskjellene mellom hvordan kommunene presterte, og hvordan den enkelte skole leverte. Derfor trengte man et verktøy – noe som kunne vise hvordan vi bedre kunne kartlegge kunnskapen. Vi trengte rett og slett kunnskap om skolen for å få mer kunnskap i skolene. Så har disse prøvene blitt endret flere ganger underveis, og et bredt flertall har forsvart prøvene. Senest forrige høst ble det avlagt

skolen og utdanningen, og som 85 pst. av skoleeierne – altså kommunene og fylkene – oppgir at er et viktig og godt verktøy for å utvikle skolen lokalt. Da må jeg si, med all respekt for forslagsstillerne og mindretallet som støtter forslagene, at jeg har problemer med å forstå hva det er som får utdanningspolitikere til å foreslå å frata skolen et slikt verktøy som den selv oppgir er viktig for å få mer kunnskap inn i klasserommene. Utvalgsprøver vil være noe helt annet enn nasjonale prøver og et langt dårligere verktøy for skolen. Det kan være typisk sosialistisk å tro at man kan hjelpe hver enkelt elev ved å regne ut gjennomsnittet, men det tror ikke flertallet. Skal man hjelpe hver enkelt, så må vi hjelpe hver enkelt. De nasjonale prøvene er fornyet og forbedret. Forslag nr. 2 fra representantene dreier seg om at man må få en bedre måte å legge frem prøvene på. Her mener jeg at Kunnskapsdepartementet har vært i forkant av representantene og allerede gjort det. Med fire helt enkle grep har man nå fått en ny Man måler nå skolers og kommuners utvikling, ikke bare årlige resultater. Lærerne får et nytt digitalt verktøy som det er lettere å sette seg inn i, og som er mindre byråkratisk å bruke, og det legges ikke til rette for rangering mellom skoler. Det betyr at verktøyet nasjonale prøver er noe som vi hele tiden har fornyet og forbedret. Men det er en stor forskjell på det og å gjøre som forslagsstillerne foreslår, nemlig å fjerne prøvene. Et tredje forslag fra forslagsstillerne er å redusere de samlede kravene til rapportering i skolen. Her opplever jeg en bred – ja, faktisk enstemmig – enighet i norsk politikk om at det er en viktig del av skolepolitikken. Men i denne konteksten må jeg bare få si at en tidstyv ikke er alt som tar tid. Vi gjør ting i skolen som tar tid, og som det er viktig at vi gjør fordi det kartlegger og gir oss dokumentasjon om elevenes læring. Det har elevene krav på. Det bør vi fortsette med. Et fjerde forslag i dokumentforslaget fra representantene er å frata kommunene muligheten til å stille lokale krav til kartlegging og dokumentasjon. Dette oppfatter flertallet som et ganske klart brudd med den skolepolitikken vi har ført i Norge i alle år, nemlig at det er lokale skoleeiere, kommuner og fylker, som har ansvaret for å utvikle kunnskapspolitikken i sitt lokalsamfunn. lokalsamfunn. Jeg må si at summen av først å frata skoleeierne det som 85 pst. av kommunene oppgir at er et viktig verktøy for å gi mer læring i klasserommet, for deretter å nekte dem å innføre andre verktøy for å kartlegge kunnskapen, gir et forslag som er mildt sagt overraskende. At det kommer fra Senterpartiet, et parti som normalt slåss for det lokale selvstyret, er enda mer overraskende. Med det ønsker jeg en god debatt.

Men selv om det er bred enighet om kartlegging som metode, er det betimelig med en diskusjon rundt hvilken kartlegging som har best effekt. Vi må stille oss spørsmålet: Hva er det som er målet med kartleggingen? Jeg mener vurdering for læring skal være et overordnet prinsipp for testing av elever i den norske skolen. Kartleggingen bør altså ha en hensikt utover det å kun være en rapportering og kontroll av skolesystemene.

Det blir bekreftet av NIFUs evaluering av nasjonale prøver som ble gjennomført i 2013. I denne evalueringen sier lærerne at den ønskede effekten av prøvene forsvinner fordi de ikke har tid til å gå inn i hver enkelt elevs resultater på en måte som fremmer læring i klasserommet. Dette funnet understreker at det er nødvendig å se tidsbruk og kartleggingssystemet i sammenheng.

Jeg mener ikke at den lokale kartleggingen skal forbys, men det kan være nødvendig å diskutere sterkere føringer på omfanget av den lokale kartleggingen. Er det kanskje sånn at vi med PISA, TIMSS, PIRLS, nasjonale prøver, obligatoriske kartleggingsprøver og den lokale kartleggingen gjennomfører en del unødvendig dobbeltkartlegging? Med dette som bakteppe har Arbeiderpartiet i innstillingen til representantforslaget foreslått at regjeringen kommer tilbake med en sak der det totale kartleggingssystemet i skolen gjennomgås. Saken skal inneholde en vurdering av om dagens system er innrettet på en måte som sikrer effektiv tidsbruk og reduserer byråkrati, samtidig som det ivaretar nasjonal og lokal skoleutvikling til beste for elevenes læring.

Fokuset flyttes fra Petter på 10 år og hans leseferdigheter til en graf og nettopp et gjennomsnittstall. Det er ikke god vurderingspraksis. Lærernes tid og reduksjon av unødvendig byråkrati er utgangspunktet for representantforslaget. Her deler vi forslagsstillernes bekymring. Vi ønsker derfor å stemme for punktene 2 og 3 i forslaget, som har til hensikt å gjøre prøvene mer effektive og og at det settes et høyt trykk på å redusere det totale skolebyråkratiet. Og bare for å understreke det: Det siste handler om mye, mye mer enn kun kartlegging. Med dette fremmer jeg Arbeiderpartiets forslag i saken. Representanten Christian Tynning Bjørnø har tatt opp det forslaget han refererte til.

om i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes kompetanse. Norske elever presterer omtrent på gjennomsnittet i OECD-området, og en tredjedel av elevene fullfører ikke videregående opplæring. Vi er rett og slett ikke gode nok til å fange opp og følge opp elever som har lærevansker, eller som trenger Nasjonale prøver bidrar med informasjon om eleven, skolen, kommunene eller fylkeskommunen har behov for ekstra oppfølging for å oppnå de ønskede resultater. 86 pst. av skoleeierne sier i NIFUs evaluering av nasjonale prøver for 2014 at resultatene er viktige for utviklingen av skolene i kommunene. Skoleeiere og skoleledere har et viktig ansvar, og at disse har kunnskap om skolenes resultater, er en forutsetning for å kunne videreutvikle skolen. Representantene ber regjeringen sørge for at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres. Fremskrittspartiet støtter intensjonen om å redusere byråkrati i skolen, og mener det er viktig at lærerne bruker mest mulig av sin tid rettet mot elevene. Det er derfor gledelig at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen allerede er i gang med å redusere byråkratiet i skolen. Kunnskapsministeren mottok like før jul i fjor rapporten «Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren». Den er utarbeidet i et samarbeid mellom KS og Kunnskapsdepartementet. Regjeringen har vært tydelig på at arbeidet med å redusere byråkratiet i skolen vil bli prioritert. KS og departementet vil følge opp prosjektets hovedmål som er å redusere det totale omfanget av dokumentasjons- og rapporteringskrav i Skole-Norge. Dette skal gjelde både nasjonalt og kommunalt pålagte krav. Likevel er det spesielt at Senterpartiet foreslår at det ikke kan stilles lokale krav til kartlegging. Forslaget innebærer i praksis å forby et aktivt skoleeierskap på lokalt nivå og vil svekke kommunenes handlingsrom. Forslaget innebærer en ny modell for de nasjonale prøvene, der prøvene Fremskrittspartiet er opptatt av at skoleeiere og skoleledere skal bruke prøveresultatene til å forbedre elevenes resultater på skolen. Den primære hensikten med de nasjonale prøvene er at resultatene tas i bruk til å videreutvikle elevene. Med denne hensikten lagt til grunn, mener Fremskrittspartiet at modellen som representantene her foreslår, har noen vesentlige svakheter. Utvalgsprøver vil bare gi resultater på nasjonalt nivå, noe vi allerede får informasjon om gjennom internasjonale undersøkelser. Dersom bare et utvalg av elevene gjennomfører prøvene, vil ikke lærere få informasjon om enkeltelevers resultater. Dermed undergraver forslaget noe av hensikten med de nasjonale prøvene. Med modellen som her foreslås, vil ikke lærere kunne bruke nasjonale prøver til oppfølging og pedagogisk utvikling, og skoleeiere vil ikke ha den nødvendige styringsinformasjon om elevenes kompetanse i lesing, norsk og engelsk. Videre vil det å identifisere kommuner med spesielt sterke eller svake resultater, noe som gjør det vanskelig å kartlegge kommuner som trenger ekstraoppfølging, eller som har en god skole som de kan dele med andre. Representantene ber regjeringen sørge for en presentasjon av resultatene, for de nasjonale prøvene gir mer presis og riktig informasjon enn per oktober 2014, da dette representantforslaget ble fremmet. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har nylig gjort flere endringer i presentasjonen av de nasjonale prøvene, og fra desember 2014 ble resultatene fra prøvene presentert på en ny skala som gjør det mulig å måle endring over tid. Det betyr at de nasjonale prøvene nå er et enda viktigere og et bedre styringsverktøy for skoleledere og skoleeiere. Fremskrittspartiet er fornøyd med at presentasjonen av resultatene fra de nasjonale prøvene er bedret og endret, og at regjeringen allerede er i gang med å redusere det samlede omfanget av rapporterings- og dokumentasjonskrav i

Hvis det blir for mye krav om testing, måling og rapportering i skolen, kan det oppleves som en byrde, både for lærer og elev, og det er kanskje en risiko for at når man først begynner å teste en ting, så blir man veldig opptatt av akkurat det man har bestemt seg for å teste. Faren ved det er at vi får et litt for snevert perspektiv på det som foregår i skolen. Faren er at man blir så opptatt av å score best mulig på de ulike testene at man mister av syne andre viktige aspekter ved læringen. Vi risikerer å gå i den fella som Arve Tellefsen advarte mot tidligere i denne uka, at vi gjør elevene til «regnemaskiner». Den fella må vi ikke gå i, for det samfunnet vårt trenger, er ikke flere regnemaskiner, men hele mennesker. Men samtidig vet vi jo at kartlegging og tester også har en verdi. Nasjonale prøver er et viktig verktøy for lærere, for skoleledere og for skoleeiere. Det er viktig å ha informasjon om resultater for å kunne utvikle skolen videre. Det gjør det mulig å finne ut hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, i skolen, og det gjør det mulig å dele «best practice», og det gjør det mulig å sette inn ressurser og tiltak der det trengs. Og jeg tror at hvis disse prøvene gjøres om til utvalgsprøver, vil vi miste mye av verdien på lokalt nivå. Så vi bør i alle fall ikke gjøre dette uten en grundig utredning av konsekvensene og eventuelt en kartlegging av behovet for supplerende prøver, tilpasset skole- og kommunenivå. Så er det viktig at prøvene utformes og gjennomføres på en måte som ikke krever altfor mye tid av lærere og elever, og at både utformingen og presentasjonen av resultatene gjøres på en slik måte at det gir best mulig utbytte for lærere, skoleledere og skoleeiere. Så tror jeg det er viktig at disse testene og kartleggingene ikke i altfor stor grad bidrar til å skape et konkurransesamfunn, der elevene hele tiden er deltakere i en konkurranse om å gjøre det best mulig. Det vil ikke være heldig for læringen, det vil ikke være heldig for den sosiale utviklingen, og det vil ikke være heldig for fellesskapet, som man er nødt til å etablere for at elevene skal ha et godt læringsmiljø. Så har jeg en viss forståelse for at forslagsstillerne vil forhindre at det kan stilles lokale krav til kartlegging og dokumentasjon. Jeg antar at bakgrunnen for dette forslaget er noen tilfeller der test- og rapporteringsregimet har tatt litt av, og det kjenner vi jo til flere eksempler på. Men jeg tror likevel det er ufornuftig å innføre en slik bestemmelse, for det vil hindre kommuner i å gjennomføre kartlegginger som kan være hensiktsmessige for å adressere lokale problemstillinger. Jeg tror vi trenger de nasjonale prøvene. De er et viktig verktøy for utviklingen av skolen, men vi må samtidig passe på at ikke testregimet vokser seg for stort, at ikke testene snevrer inn synsfeltet vårt, og at ikke skolebyråkratiet blir for overveldende. Jeg håper derfor at samarbeidet mellom departementet og KS om å redusere rapportering og dokumentasjon i skolen vil bære frukter.

Nasjonale prøver ble ikke innført fordi vi ønsket å hjelpe den enkelte elev til å lære bedre. Nasjonale prøver ble innført for å måle hvor den enkelte elev og klasse sto i forhold til andre elever og klasser, og hva myndighetene hadde satt som kompetansemål for trinnene. Det var òg grunnen til at det ble bråk, masse bråk, da prøvene ble innført. Prøveresultatene ble offentliggjort, og resultatene ble rangert i media. media. La meg ta det med en gang, særlig til representanten Asheim: Senterpartiet ønsker ikke å avvikle nasjonale prøver. Hensikten med representantforslaget er altså ikke å avskaffe prøvene, men å klargjøre formålet og forbedre systemet. Vi mener nasjonale prøver gir viktig informasjon til skolemyndigheter ved å sjekke ut status. Vi registrerer også at Utdanningsforbundet og skolelederne støtter oss i dette. Men det må være samsvar mellom den tida og de ressursene som lærere og elever bruker til disse prøvene, og den gevinsten som det gir. Dersom målet er å gi tilbakemelding til alle elever og lærere for å tilpasse undervisninga og justere kursen, er det ikke nasjonale prøver som er det rette redskapet, for alle elever deltar jo ikke i dem. Da synes jeg det hadde vært mye mer fornuftig om en hadde gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å lage kartleggingsprøver som lærerne kunne benytte. benytte. Når det advares mot å regne et gjennomsnitt av utvalgsprøver, må jeg minne om at det faktisk er det som blir gjort nå. De nasjonale prøvene rangerer til under og over middels – lavere oppnåelse, middels og over middels. All forskning og erfaring viser at det er formativ og læringsstøttende tilbakemelding som er viktig for å sørge for at elevene oppnår Nasjonale prøver kan i veldig begrenset grad benyttes til å sammenligne fra år til år, sjøl om det gjøres endringer i år. Det er ulike elevgrupper, spørsmålene er ulike, og sjøl om det nå er jobbet fram ankerspørsmål som skal legitimere prøvene bedre, er det sånn. Vi mener det særlig er tre grunner til at prøvene bør gjøres til utvalgsprøver. For det første vil utvalgsprøvene redusere presset på å sette av tid i ordinære timer for å øve på prøvene. Det blir dermed mer tid for læreren til å drive med reell undervisning for alle elevene. For det andre vil det gjøre det mindre interessant å rangere skoler i media, og for det tredje vil det spare ressurser, både hos dem som skal gjennomgå prøvene i byråkratiet, og hos lærerne. Nå har vi akkurat hatt et eksempel på hvor mange prøver dette ble til sammen. Etter Senterpartiets mening er testhysteriet i ferd med å bre om seg i et omfang som vi ikke er tjent med. Vi er positive til informasjon og innsyn, vi er tilhengere av læringsstøttende prøver, av karakterstøttende prøver, kartleggingsprøver og brukerundersøkelser, men vi mener det er på tide å sette en grense for hvor mange prøver elevene skal utsettes for. Etter vår mening er det i ferd med å gå over i en parodi, og det er derfor vi mener at kommunene ikke bør kunne innføre enda flere tester enn det som myndighetene allerede tilbyr i dag. Det gjør inntrykk på oss når foreldre og lærere forteller om hvordan målstyring og testregimer påvirker undervisninga, og ikke minst påvirker elevene. Et av disse vitnesbyrdene kommer fra en mor som sjøl er lærer, som heter Gunhild Nohre-Walldén, i en kronikk for en tid tilbake. Der skriver hun hvordan hun som mor opplever det hun beskriver slik: «Oslo-skolens maniske bruk av testing og kartlegging speiler et trist og

Å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver er ikke akkurat noen revolusjon, men det er et skritt i en retning. I dag vet jeg at klassene øver på nasjonale tester i forkant for å være gode til å løse oppgavene når de får dem. Gir det troverdighet til at en tester det elevene faktisk kan – «teach for test»? Ikke etter vårt syn. Spørsmålet om nasjonale prøver er kun et element i et testregime som er i ferd med å løpe løpsk. Ikke bare stjeler det tid fra undervisninga og snevrer inn undervisninga, det forleder både politikere, skoleledere og foreldre, og mest alvorlig: Det gjør at enkelte elever mister motivasjonen og «dør» litt hver dag. Ønsker representanten å ta opp forslagene? Ja. Med det tar jeg opp forslagene nr. 2–5 på vegne av Senterpartiet og SV. Representanten Anne Tingelstad Wøien har tatt opp
Jeg har stor sympati for intensjonen bak forslaget fra Senterpartiet, for en av de viktigste oppgavene vi står overfor i skolen i dag, er jo å redusere byråkratiet sånn at lærerne får mer tid til lærergjerningen, får mer tid til å følge opp den enkelte eleven. Men det er likevel nødvendig å ha noen målinger i skolen, og da er det viktig at de målingene vi har, er nyttige verktøy i lærerens arbeidshverdag. De nasjonale prøvene er også viktige for skoleeieren, som kan bruke disse til å sikre seg kunnskap om hvordan ting er nå, hvordan utviklingen har vært, og hvilken utvikling man ønsker seg. Ting tyder imidlertid på at hoveddelen av byråkratiet oppstår når fylkene og kommunene skal dokumentere at de ulike resultatene blir fulgt opp. Det er derfor viktig at tidsbruken rundt rapportering og dokumentasjon i skolen kan holdes på et minimum. Nylig ble det lagt fram en rapport om rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolen. Vi i Venstre ser med forventning fram til at den kunnskapen som framkommer der, skal brukes til å redusere tidsbruken lærerne har til denne typen arbeid, sånn at mer tid kan brukes på elevene. Så er det også sånn at Venstre nå har et Dokument 8-forslag om reduksjon av byråkrati til behandling i komiteen, der vi egentlig uttrykker et ønske om å få redusert byråkratiet som helhet med 25 pst. Jeg mener at byråkratiet i skolen ikke bare handler om tester, det handler om det totale byråkratiet. Derfor mener jeg at sånn saken ligger her, kan det være litt snevert hvis vi bare skal angripe det byråkratiet som handler om nasjonale prøver – eller testingen – når byråkratiet handler om så mye mer. Men jeg ser at Senterpartiet og SV har fremmet et forslag, forslag som tar opp i seg totaliteten i dokumentasjonskravene og byråkratiet. Det er et forslag som Venstre ønsker å støtte, altså forslag

president Barack Obama gav sin årlege State of the Union-tale for tre år sidan. Obama var bekymra for utviklinga i amerikansk skole, der ei enorm fokusering på standardiserte testar, rangering og konkurranse truga kvaliteten på heile skolesystemet. Og for å sitere Obama: «… grant schools flexibility: To teach with creativity and passion; to stop teaching to the test». Utviklinga i Noreg i retning av eit testregime er ikkje like sterk, men vi går i same retning. Derfor vil eg rose Senterpartiet for forslaget om å redusere omfanget av testar i skolen og gjere dei nasjonale prøvene til utvalsprøver. Dette er heilt i tråd med SVs program over mange år. Viss vi vil auke kvaliteten på den norske skolen, setje enkeltelevens behov i sentrum og gje lærarane ein større fagleg fridom og autonomi, er dette eit av dei viktigaste forslaga vi i utdanningskomiteen behandlar i år. SV bad utgreiingsseksjonen på Stortinget om å lage ei oversikt over testar og kartleggingar i grunnskolen i dei ti største norske kommunane. Denne oversikta finst ikkje offentleg i dag.

Også Kristiansand og Tromsø har innført obligatoriske prøver på fleire trinn, i tillegg til dei friviljuge kartleggingsprøvene som er gjorde obligatoriske. Fredrikstad har «Kartleggeren» i norsk, Kristiansand har «Bokstavtesten», Oslo har «Osloprøven», Stavanger har «Carlsten leseprøve», Tromsø har «Kartleggeren i lesing». Liknande eigne testar og kartleggingar er innførte i matematikk og engelsk. treng testar for å sjå korleis elevane ligg an i faga. Lærarane bør derfor stå fritt til å utforme dei testane dei behøver for å følgje opp sine elevar. Men dei nasjonale prøvene gjev ikkje slik informasjon. Dei nasjonale prøvene er ikkje utforma for å gje støttande tilbakemelding til den enkelte elev og styrkje dei i deira læringsarbeid. Dei kan ikkje brukast til det. Og mange av dei pålagde kommunale prøvene er av akkurat same Lærarane har ikkje bede om dei. Dei nasjonale prøvene seier heller ikkje noko om kva for skolar som driv godt læringsarbeid. Dei kan i beste fall seie noko om kva for skolar som har dei flinkaste elevane, men dei seier ikkje noko om kvar dei beste lærarane er. Først og fremst er dei nasjonale prøvene ei stadfesting av kva slags foreldrebakgrunn skolens elevar har. I ei undersøking utført av Utdanningsforbundet i januar av forbundets leiarmedlemmer at dei er imot publisering av dei nasjonale prøveresultata på skolenivå. Også eit klart fleirtal, 69 pst. av dei spurde skoleleiarane, seier seg heilt eller delvis einig i at ei slik offentleggjering ikkje vil heve kvaliteten på undervisninga i skolen. Når resultata frå dei nasjonale prøvene er blitt valutaen på ein skolemarknad der skolane konkurrerer mot kvarandre og blir målte mot kvarandre, der rektorane har rektorkontraktar der betre karakterar fører til auka løn, og der lærarane fortel at svake elevar blir haldne borte frå prøvene – da har nasjonale prøver blitt eit hinder for god skoleutvikling, ikkje eit verktøy. Denne testkulturen gjer noko med måten vi ser på skolen

Rektorkontraktane, som er hemmelege, har 86 resultatmål. Gode resultat gjev lønsauke, dårlege resultat gjev ikkje det. For SV er ikkje skolen ein fabrikk som skal produsere resultat. Det er ein samfunnsinstitusjon, som byggjer på eit breitt samfunnsmandat og eit breitt kunnskapssyn. Skolen skal ta utgangspunkt i behova og nysgjerrigheita til kvar enkelt elev. Det lærarane treng, er ikkje meir overstyring, men større fagleg fridom. Skal vi lukkast med det, må testpresset i den norske skolen reduserast. Testpresset er ein drivar for overflatelæringa, den læringa som hjelper deg på prøva i morgon – ikkje den læringa som går i djupna, som heile samfunnet skrik etter, og som alle elevar treng. Eg kunne tenkt meg at statsråd Røe Isaksen ein eller annan gong sa det same som Obama: Vi gjev skolane og lærarane fridom til å lære bort med kreativitet og engasjement, til å sleppe å bruke verdifull undervisningstid på stadig nye testar. Læring skal ikkje handle om testen,
De er ikke

Jeg er opptatt av at vi skal bruke de nasjonale prøvene som det viktige verktøyet de er. Det betyr at vi hele tiden må jobbe med å forbedre dem og ha en åpen og kontinuerlig debatt om bruken av dem, ikke minst hvordan vi skal få resultatene til å legge grunnlaget for en bedre skole, hvor elevene lærer mer. Forslagsstillerne ønsker å endre systemet med nasjonale prøver til utvalgsprøver. Forslaget innebærer å ta fra lærerne et nyttig pedagogisk verktøy som er i bruk i klasserom rundt om i landet. Kvaliteten på prøvene er det grunn til å tro at nå er svært god, og de tilbakemeldingene vi får fra forskere, lærere, skoleledere og skoleeiere, tyder også på det. Fra 2014 er det også gjort grep som har ført til at kvaliteten er blitt enda bedre. Punkt 1: Resultatene presenteres på en ny skala som gir en mer presis og detaljert informasjon om prøveresultatene. med 2014 blir det også mulig å måle skolers og kommuners utvikling over tid og se trender. Og punkt 3: Lærerne har i tillegg fått et nytt digitalt verktøy som gjør det raskere og enklere for læreren å sette seg inn i og bruke resultatene. Dette gir læreren bedre muligheter til å bruke de nasjonale prøvene som grunnlag for videre læring for alle elever, både for den individuelle læreren og for lærerne i lag. I tillegg til å være et godt verktøy for lærerne i klasserommet gir de nasjonale prøvene skoleledere og nasjonale myndigheter et godt kunnskapsgrunnlag for videre kvalitetsarbeid i skole og kommune. Gjennom kunnskapsgrunnlaget fra prøvene får vi et godt utgangspunkt for å identifisere utfordringer og sette inn målrettede tiltak for å sikre forbedringer på skolen, ikke minst i de kommunene som trenger det mest. Det er en mulighet som jeg ikke synes vi skal gi fra oss, og jeg synes heller ikke vi skal ta den fra de lokale skolemyndighetene. På nasjonalt nivå gir nasjonale prøver nyttig informasjon. Informasjon fra prøvene brukes bl.a. som grunnlag for kvalitetsutvikling på nasjonalt nivå. Med den nye ordningen for nasjonale prøver vil man fremover kunne se utvikling også over tid. I tillegg gir de nasjonale prøvene forskere muligheten til å gjøre videre analyser, f.eks. for å se på sammenhengen mellom elevenes bakgrunn og skoleresultateter. Koblet med registerdata kan man se på om det foreligger systematiske skjevheter i læringsutbyttet, f.eks. etter elevenes kjønn, bosted eller sosiale bakgrunn. Det er kunnskap som vi alle har godt av å ha, og som man skulle tro ikke minst venstresiden var interessert i å få. Representantene Tingelstad Wøien og Sjelmo Nordås ber regjeringen fremme forslag om at det ikke kan stilles lokale krav til kartlegging og dokumentasjon utover det som kreves i forskriftene til opplæringsloven. Det forslaget innebærer i praksis å forby et aktivt skoleeierskap på lokalt nivå. Opplæringsloven med forskrifter stiller minimumskrav til skoler og skoleeiere. En begrensning på kommunene som forbyr aktivt skoleeierskap utover dette, er jeg kritisk til. Det vil være formelt sett i strid med prinsippene for rammestyring, men politisk må jeg også si at det er et brudd med ideen om lokaldemokrati – at lokale politikere som møter befolkningen i butikken, på skolen og på skolefritidsordningen, er i stand til å fatte fornuftige beslutninger, og at det skal ha konsekvenser hvem man stemmer på, også ved lokalvalg. Samtidig mener jeg at det er viktig å skille denne diskusjonen fra den overordnede diskusjonen om tidsbruk i skolen. Det er et mål for denne regjeringen å minske den samlede dokumentasjons- og rapporteringsbyrden i skolen. Det kan også innebære at vi må se kritisk på noen av prøvene. Gjennom hele 2014 har Kunnskapsdepartementet derfor samarbeidet med KS om et særskilt prosjekt som har gjennomgått det samlede omfanget av dokumentasjon og rapportering, og som også har kommet med anbefalinger om hva som kan prioriteres bort. Der er det mange gode forslag, og vi håper å få flere gode forslag også fra sektoren. Men konklusjonen fra det prosjektet er at nytten ved gjennomføringen av de nasjonale prøvene forsvarer kostnadene og bør beholdes, og det er en konklusjon jeg sier meg enig i. Det blir replikkordskifte. Som jeg også påpekte i innlegget mitt, opplever jeg ofte at skolefolk er

Kunnskapsministeren må ta affære og gi tydeligere nasjonale føringer. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren blir derfor: Vil ministeren gi tydeligere nasjonale føringer for kommunene og fylkeskommunene på omfanget og nivået av den lokale kartleggingen? Svaret på det er nei, hvis det betyr at vi skal sette et slags maksimumstak eller en øvre nasjonal grense for hva slags prøver man kan ha lokalt. Når det er sagt, mener jeg at det er fornuftig å lytte til lærerne, også lokalt i kommunene. Og det er klart at det kan tenkes at man får et omfang av prøvene eller en innretning på rapporteringen som er mer «nice to know» enn «need to know», for å bruke et dårlig norsk uttrykk. Men meg bekjent er ikke det situasjonen i noen av kommunene i Norge i dag. Hvis man ser på f.eks. Oslo og hvor mange prøver de har i tillegg til dem som enten er obligatoriske fra statlig hold eller som tilbys til skoleeier fra statlig hold, er det ikke fryktelig mange. Om det er fem, seks eller syv i løpet av ti års grunnskolegang, husker jeg ikke, men det er altså ikke et overveldende antall. Uansett synes jeg det er en god idé at vi her, nasjonalt, setter et minstekrav, og så mener jeg at vi skal ha aktive lokale skoleeiere, og at lokaldemokratiet skal få fungere.

Jeg lurer også på om statsråden i det hele tatt er bekymret for om det samlede test- og kartleggingsregimet i skolen kan bli for stort, og om det ikke er sånn at vi som nasjonale myndigheter må trekke oss tilbake, altså fjerne noe sånn at kommunene eventuelt kan ha sine prøver.

og gode lærere. Det er forskjellig i hvilken grad man på skolene benytter seg av de mulighetene som ligger i de nasjonale prøvene, men hvis man ser på tallene og utviklingen over tid, vil man se at når det gjelder de nasjonale prøvene, er aksepten for dem og bruken av dem i lærerkorpset sannsynligvis blitt større, og de er mer akseptert enn tidligere. Det er flere som bruker dem også. Så har vi andre viktige verktøy som jeg mener er minst like viktige, f.eks. kartleggingsprøven på de første trinnene – nettopp for å oppdage de elevene som trenger skolen aller, aller mest. Dem er jeg også for at vi skal opprettholde som obligatoriske prøver.

at ministeren har oversikt over omfanget av det – korleis kan det ha seg? Jeg sa «meg bekjent», men hvis det er slik at representanten spør meg som statsråd, f.eks. gjennom et skriftlig spørsmål eller i den ordinære spørretimen, om hvordan situasjonen er i de ti største kommunene, er jeg helt sikker på at det vil være ganske uproblematisk å få et svar på det, på det, for alle kommunene som eventuelt har ekstra prøver i tillegg til de obligatoriske og frivillige nasjonale prøvene, har en god oversikt over det. Jeg mener det er viktig ikke å gjøre denne diskusjonen veldig abstrakt. Det er en interessant og viktig og litt abstrakt diskusjon om mål og resultatstyring som er viktig å ta, og som kan være problematisk, men det betyr ikke at alle de virkemidlene vi har i skolen, automatisk er dårlige eller burde undermineres. Det SV og Senterpartiet foreslår nå, er å underminere en av de ordningene som har hatt best utvikling over tid, har god aksept i sektoren, gir nyttig informasjon og gir en mulighet for skoleeiere til å kunne

Så er det en forskjell på hvor detaljert man griper inn i lærerens arbeidshverdag. Men at vi skal ha noen overordnede verktøy som gjør at vi både kan si noe om skolens resultater over tid, og som i tillegg som en bonus nærmest også kan være gunstig for de skolene som velger å bruke det som et verktøy for å få målrettet undervisningen enda bedre, for å finne ut hvilke elever som trenger ekstra oppfølging, mener jeg er en fordel, og det er en fordel vi burde beholde. Så skal vi jobbe med å få redusert den samlede byråkratiseringen og det samlede rapporteringskravet i norsk skole, men vi skal ikke starte med de viktigste prøvene vi har, først.

tvinge lærarane til å gjennomføre bestemte kartleggingsprøver? Nå er jeg litt usikker på hva representanten egentlig spør om. Hvis han spør om vurderingsskjemaene som ble utarbeidet i Sandefjord kommune, hadde de meg bekjent ikke noe med noen kartleggingsprøve eller vurderingsprøve å gjøre. Så er jeg helt enig i at det finnes eksempler på at man kan utarbeide målstyringsverktøy som er så så detaljerte og så omfattende at de gir så mye informasjon at det nærmest ikke er godt å vite hva man skal bruke den til, som også kan være vanskelig for læreren å forholde seg til. Så må jo spørsmålet fra representanten være: Ønsker jeg et nasjonalt forbud mot flere prøver enn det som er obligatorisk i dag? Svaret på det er nei. Det mener jeg er et ansvar som lokale skoleeiere har. Det har også hendt en gang iblant at SV har stått opp for det lokale selvstyret. Det gjør man åpenbart ikke i denne saken, og det verste i denne saken er at man heller ikke står opp for det systemet som har bidratt til at vi har fått en mulighet til å sjekke resultatene i norsk skole, noe som har vært til det beste for oss alle. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Som saksordfører må jeg

skolen. Det er ingen ting som er varmt eller sosialt med å holde resultatene hemmelig, heller. Derfor laget man nasjonale prøver – en kartlegging for å vise hvordan det sto til. Det ga et verktøy til skoleeierne, til kommunestyrene ute i hele landet, som da kunne sette inn de ekstra ressursene på de skolene som hadde problemer. Hvis man har to ungdomsskoler i kommunen sin og den ene presterer bedre enn den andre, er det jo for da kan man jo løse det problemet i stedet for at det bare blir liggende som en hemmelighet i kommunen. Da disse nasjonale prøvene ble innført, sa en del lærere til daværende kunnskapsminister Kristin Clemet: Jeg trenger dem nesten ikke, for jeg kan fortelle deg hvordan resultatene er på de forskjellige skolene, for jeg mottar dem på ungdomsskolen min, og jeg vet hva som er forskjellen. Nå er det åpenhet om de resultatene, og da kan man også gjøre noe med dem. Det er blitt uttrykt bekymring for tidsbruken, og det er jeg enig i. Tidsbruken må ikke bli for omfattende, derfor har man også gjort disse endringene nå som betyr at lærerne bruker mindre tid på å få den samme informasjonen. Men jeg må bare gjenta at hvis det er noe man skal bruke tid på i norsk skole i tillegg til å lære barna å lese, skrive og regne skikkelig, så er det å få vite hvor vi leverer, og hvor vi har et forbedringspotensial. Så er det helt riktig som representanten Tingelstad Wøien sier, at det ble noe bråk da de nasjonale prøvene ble innført. Det hender at det blir bråk når man innfører noe som er nytt i norsk skole. Men selv de som den gangen demonstrerte kraftig imot, er jo i dag tilhengere av nasjonale prøver, fordi det viste seg at dette var helt nødvendig, dette var noe man gjorde for å få informasjon. Jeg syntes det var nesten litt hyggelig at representanten Knag Fylkesnes fortalte at han hadde bedt om en kartlegging for å finne ut om kartlegging.

Vel, i september er det valg i dette landet. Da er det valg i alle kommunestyrer og fylker i Norge, og da kan jo SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet – de rød-grønne partiene – gå til valg på å snu opp ned på Oslo-skolen. Det har de prøvd å gjøre før, den gangen avviste velgerne det, men de er velkommen til å forsøke det igjen. Det er det som er lokaldemokrati – det at velgerne bestemmer hvem

kartleggingsprøver og nasjonale prøver i løpet av den 13-årige grunnopplæringen, gjør oss vel ikke til et testregime? At Oslo kommune har sju egne Oslo-prøver i tillegg, kvalifiserer vel heller ikke til å omtale Oslo-skolen som et testregime? Og når det er sagt: SV har selv styrt den nasjonale skolepolitikken de siste åtte årene – i en periode der 94 pst. av lærerne i en undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet i 2011 var helt eller delvis enige i påstanden om at lærerjobben blir stadig mer byråkratisert. Det gjorde SV lite med i regjering. Selv om mye er bra i norsk skole, er det åpenbart at vi har mange utfordringer, og en av dem er at vi ikke klarer å motivere barna våre tilstrekkelig til å utnytte sitt eget potensial. Vi lærer dem rett og slett ikke godt nok det de bør lære seg. Oslo-skolen oppnår de beste resultatene på nasjonale prøver i landet, uansett om elevene måles i regning, engelsk eller lesing. I Oslo har vi satset hardt på kartlegging, og vi har full åpenhet om hvordan skolene presterer. Og det som er det beste, er at vi greier å løfte elevene som sliter mest, og samtidig utfordre de flinkeste, noe som er viktig i en by med en så sammensatt elevflokk som vår, hvor fire av ti elever har minoritetsbakgrunn. Forskere som har fulgt utviklingen i norsk skole tett, mener at nasjonen har mye å lære av I Oslo er det en klart lavere andel av elevene som tilhører dem med svakest faglig nivå, enn på landsbasis. I tillegg vet vi at barn med lavt utdannede foreldre gjør det bedre i Oslo enn i landet for øvrig. Det viser at Høyres skolepolitikk, slik den praktiseres i Oslo, ikke bare skaper de beste resultatene, men også bidrar til å skape sosial mobilitet, og det er svært
Det er jo litt komisk at her har vi ein debatt om kartlegging, og så er SV det einaste partiet som har kartlagt kartlegginga, mens den eine etter den andre Høgre-representanten kjem opp på talarstolen og uttalar seg skråsikkert om situasjonen rundt omkring i det ganske riket – og så har dei inga peiling i det heile om korleis det står til rundt omkring i kommunane. Det er fascinerande. Takk for det poenget, Asheim! Vi har mykje å lære av Oslo-skolen, men ikkje nødvendigvis positivt. Det gode, det flotte arbeidet som skjer i Oslo-skolen, skjer antakeleg trass kommunepolitikarane sitt strev med å kartleggje og kartleggje og kartleggje. Når vi får høyre av foreldra at barna deira går igjennom over 300 testar, eller førebuingar på testar, eller kartlegging, i løpet av eitt år, da bør nokon vakne! Det eg lurer litt på her, er: Kor ligg lojaliteten i denne saka? Skal den liggje hos eleven, eller skal den liggje hos kommunestyrerepresentantane sin rett til å kunne påleggje kva type metode, kartlegging, prøvar som skal skje rundt omkring i klassene? Eg er sjokkert over at vi har eit fleirtal i denne saka som berre ser sine behov. Her er det rett og slett behovet til eleven som må vere styrande for heile opplegget. Vi veit – frå forskarhald, frå lærarhald, frå foreldrehald – at omfattande bruk av testing påverkar måten du legg opp undervisninga på, det påverkar moglegheita til å drive tilpassa opplæring, tilpassa kvar enkelt barn sitt behov. Og viss ein ikkje har oversikt over omfanget av det i norsk skole i dag, har ein ingenting i ei sak som denne å gjere.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

et Dokument 8-forslag fremmet av representanter fra Arbeiderpartiet om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner. Komiteen har brukt lang tid på denne saken, og vi burde kanskje brukt enda lengre tid, slik at vi fikk den endelige tilrådinga fra statsråden. Dette ville gitt oss et bedre grunnlag for å gjøre et vedtak i denne saken. oktober hadde vi høring, og media har også vist stor interesse for denne saken. Norge har hatt et totalforbud mot blyhagl siden 2005. Det har vært forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl. Komiteen har mottatt ulike rapporter, bl.a. fra Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet. Miljødirektoratet viser i sin rapport til at ny forskning på skadeeffekter av bly bekrefter tidligere kunnskap og avdekker nye bekymringer for helsemessige konsekvenser. En lemping på regelverket vil medføre økt fare for skade på helse, ifølge Miljødirektoratets rapport fra 3.juni 2014. Verdens helseorganisasjon opplyser at det finnes ingen trygg nedre grense der en kan si at bly i blodet ikke er skadelig. kan medføre høyt blodtrykk, konsentrasjonsvansker og hukommelsestap, psykiske lidelser og kreft. Nyere studier viser at rovdyr som hauk, ørn og ugle er utsatt for forgiftning gjennom inntak av byttedyr som inneholder blyhagl. Både Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet advarer mot å oppheve Andre organisasjoner, som Norges Jeger- og Fiskerforbund, peker på at blyhagl er den mest effektive ammunisjonen, og at stålammunisjon, som er det mest aktuelle alternativet, øker risikoen for skadeskyting og dermed øker potensialet for lidelse hos byttedyrene. Blyhagl sikrer en mer dyreetisk jakt, mener Norges Jeger- og Norsk institutt for naturforskning konkluderer med til komiteen at vi ikke vet nok til å oppheve blyhaglforbudet, og at vi trenger mer forskning i Norge. Som saksordfører vil jeg takke for innspill og for samarbeid med forslagsstillere og andre i denne saken. Det fremmes en rekke merknader i denne innstillinga, og jeg regner med at de ulike partiene vil redegjøre for sitt syn på en god måte. Jeg vil derfor i resten av innlegget konsentrere meg om Kristelig Folkepartis syn. På bakgrunn av de faglige rådene som har kommet fram i rapporter, brev og høring og statsrådens behov for mer tid i denne saken, er det for Kristelig Folkeparti klart at vi ikke nå vil åpne for bruk av blyhagl i norsk natur. Vi vil ikke gamble med folks helse – utsette barn, gravide og kvinner i fruktbar alder for blyeksponering, der lave eksponeringer kan gi effekter. For Kristelig Folkeparti er det avgjørende å få ytterlige avklart konsekvensene av at mer bly kommer inn i næringskjeden, at vi får betryggende kunnskap om faren for potensielle negative helseeffekter for dyr og mennesker. Det er et paradoks når bly står på den nasjonale lista over helse- og miljøskadelige stoffer som skal reduseres og stanses innen 2020, at vi nå skal gjeninnføre og tillate blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner. En oppmyking av forbudet vil selvsagt bidra til at det blir vanskeligere å nå dette målet. Vi går nå i motsatt retning – vi går altså baklengs inn i framtida, og det er bare fem år til 2020. Jeg avslutter med å fremme Kristelig Folkepartis forslag. Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslaget hun refererte til.
La meg aller først få takke saksordføreren for god håndtering gjennom komitébehandlingen i en, som saksordføreren også understreket, svært vanskelig sak for komiteen. Det har ikke vært enkelt. Komiteen har brukt mye tid på den og avveid de ulike hensyn som har vært spilt inn til komiteen. La meg så starte med å si at siden en innførte totalforbudet mot bruk av blyhagl i 2005, har det vært en omstridt sak og en mye diskutert sak. Mye av årsaken til det er selvfølgelig at vi i Norge har en tradisjon og en kultur for å høste av det naturen gir oss. Mange er engasjert i jakt, og det er utvilsomt sånn at det er en positiv kvalitet og et positivt engasjement i det norske samfunnet rundt akkurat den muligheten. At jakt er tilgjengelig for de mange, er også noe som gjør at engasjementet blir ekstra stort, og jegerne mente på det tidspunktet en innførte totalforbudet, at det var et urimelig krav å stille nettopp det å totalforby bruk av hagl. Jegernes engasjement henger sammen med at bruk av bly i hagl er et suverent middel i jaktsammenheng. Så er det ingen tvil om at bly har visse komplikasjoner ved seg, og det har komiteen gjennom behandlingen prøvd å få avklart på en best mulig måte. Hovedvurderingen til Arbeiderpartiet er at det ikke har foreligget veldig mye ny kunnskap de siste årene på bakgrunn av spørsmålet om konsekvensene ved bruk av blyhagl. Når vi ser at det ikke har kommet inn så veldig mye ny kunnskap, mener vi at det var et godt grunnlag å stå på det vi opprinnelig mente da vi fremmet forslaget, hvor vi ønsket å løse opp totalforbudet. Vi har registrert at mange andre partier også har samme tilnærming til saken. Men vi ønsket også å følge forslaget og det å åpne opp for en differensiert bruk av blyhagl til jakt med å innhente mer kunnskap, så det har vært viktig for oss i denne prosessen. Ut fra slik vi vurderer saken, og med den kunnskap som er på bordet, med alle ulike synspunkt som har kommet fram, mener vi det er grunn til hvert fall nå å trekke den konklusjonen at totalforbudet ikke er tilstrekkelig faglig dokumentert. Vi har også gjennom komiteens behandling registrert at klima- og miljøministeren ikke klarer å svare komiteen på hvilke konklusjoner hun trekker på bakgrunn av den foreliggende kunnskap som er kommet i forbindelse med Vi har gjentatte ganger forsøkt å få klarlagt hva klima- og miljøministeren vil anbefale komiteen, men vi har ikke lyktes. Det kan henge sammen med at det er et vanskelig spørsmål å avklare, men det kan også henge sammen med at totalforbudet kanskje ikke har den berettigelsen det egentlig har. Svaret har hele tiden vært at vi må bruke mer tid på å vurdere spørsmålet, og sånn sett må en i den forbindelse være usikker på å følge opp de faglige rådene som bl.a. kommer fra Miljødirektoratet. Når saken til slutt ble konkludert, mener jeg at vi nå har en innstilling fra komiteen som det er fornuftig å følge og forsvarlig å følge, og den vil Arbeiderpartiet slutte opp om, og det er at vi åpner opp for å legge til rette for bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner, altså en differensiert åpning, samtidig som vi ber om at regjeringen følger utviklingen i bruk av blyhagl og innhenter mer kunnskap om de helsemessige konsekvensene ved bruk av blyhagl på jakt. Det tror jeg er en fornuftig tilnærming til en sak som har vært omdiskutert lenge, hvor det er synspunkter som spriker, og hvor det utvilsomt er riktig at de faglige vurderingene som ligger bak, sånn sett er vanskelige og ikke entydige når saken skal konkluderes. Jeg vil også takke saksordføreren for måten denne saken har blitt behandlet på. Det har vært en omfattende behandling, og det har vært et behov for kunnskap knyttet til spørsmålene som har vært reist. Jeg er enig med siste taler knyttet til mye av det som ble sagt. Det ble innført et totalforbud i Norge i 2005, og etter at totalforbudet ble innført, har det over tid vært en ganske stor debatt i offentligheten om helseeffekter ved bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner. Denne debatten har vært ikke bare en norsk debatt. Sverige hadde også et forbud i sin tid knyttet til blyhagl, men de myket det opp, og det kan være fornuftig at vi titter den veien når vi skal gjøre våre beslutninger. Det er allikevel slik at det er de opplysningene vi sitter med i dag, som skal danne grunnlaget for beslutningen som vi skal gjøre. Vi har fått mange innspill i denne saken. Siden 2005 har det vært skapt stor usikkerhet rundt skadeeffekten ved bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner, og jegernes organisasjon har ytret ønske om å myke opp forbudet. På den andre siden har vi fått advarsler om at bly kan være Det er vel heller ikke tvil om at blyhagl er den mest effektive ammunisjon som er tilgjengelig når man skal gå på jakt, med tanke på effektiv jakt. Det alt vesentligste av de alternativene som vil kunne brukes, vil sannsynligvis være stålammunisjon, og med den er det en tendens til å bli litt ekstra skadeskyting. I tillegg er det slik at den også kan være ikke farlig, men den kan rikosjettere hvis man går på jakt – da spesielt utenfor tregrensen, hvor en stor del av jakten selvfølgelig er – og rikosjettfare er noe man må ta med seg. Vi har i hvert fall gjort en grundig vurdering, og vi er enige med Norges Jeger- og Fiskerforbund, som mener at ved bruk av blyhagl ved jakt på småvilt er man sikret en mer dyreetisk jakt og – jeg holdt på å si – en Etter en totalvurdering av både fordeler og ulemper har vi kommet til at det kan være fornuftig å myke opp forbudet mot blyhagl på det nåværende tidspunkt. Så er det også slik at når vi nå sier at vi skal gjøre det, erkjenner vi at dette er en krevende sak, og derfor tror vi det er fornuftig at vi også etter at forbudet er myket opp – ser på utviklingen framover, slik at vi tar det med oss i den videre gangen når dette skjer. For Fremskrittspartiet er det en gledens dag når Stortinget i dag ønsker å legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner. Fremskrittspartiet fremmet senest i 2013 et forslag identisk med det vi behandler i dag, men det ble den gang stemt ned med den forrige regjeringen. I denne sak, med en mindretallsregjering, ser vi at det egentlige flertall på Stortinget blir det motsatte av hva det ble med en flertallsregjering i 2013. Det er en god nyhet for mange hundre tusen jegere i Norge, men det er ikke minst en styrke for det demokratiske flertall i dette hus. Det vil alltid være et gode å ha flere tanker i hodet i de fleste saker. Jakt med blyhagl medfører miljøutfordringer, særlig i våtmarksområder, hvor forbudet vil bestå. Men det er heller ingen tvil om at blyhagl er den mest effektive ammunisjonen som er tilgjengelig i dag når det gjelder å ta livet av byttedyrene og gjennomføre en human jaktutøvelse og en mest mulig effektiv avlivning av viltet. Regjeringspartiene støtter Norges Jeger- og Fiskerforbund i deres syn på bruk av blyhagl ved jakt på småvilt, som sikrer en mer dyreetisk jakt, og at blyhagl er sikrere for jegerne, da det er større fare for rikosjett ved bruk av alternativ ammunisjon. En annen side av denne sak er at det er åpenbart at det er en avgrunn mellom forskning og vitenskap. Det virker nærmest som om mange forskere har konkludert med fasit før forskningsprosjekter er blitt igangsatt, og at tro kommer før vitenskap. Jegernes Interesseorganisasjon har plukket fra hverandre de undersøkelsene som er kommet om blyfunn i rovfugl. De har påvist klare svakheter i undersøkelsene og mener det er mest sannsynlig at blyammunisjon er en meget liten kilde til opptak av bly hos rovfugl. Samtidig ser vi at det er voldsomme sprik mellom svenske og norske undersøkelser. Den svenske rapporten fra Livsmedelsverket «Bly i viltkött» har et ganske annet og langt mer nyansert bilde enn det som hevdes i debatten i Norge. Dette påpeker Norges Skogeierforbund, som organiserer cirka 70 pst. av det privateide jaktarealet i Norge. Denne debatten, med mange innspill fra mange organisasjoner, hvorav de fleste natur- og miljøorganisasjoner er meget negativt innstilt, handler også om demokratiske Er det alle brukere av naturen over det ganske land gjennom sunne interesser, som jo jakt er, som skal kunne bestemme lite grann mer over sin egen hverdag, eller er det urbane organisasjoner som overhodet ikke har interesse for jakt, som skal bestemme over dem som ønsker å dyrke sine jakt- og naturopplevelser og interesser? Avslutningsvis vil jeg takke de partiene som stemmer for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder. Jeg vet at det for noen ikke har vært noen lett sak. Men det er bra for saken at det til slutt i behandlingen ble et bredt flertall, og som vi alle vet – et bredt flertall står seg langt bedre enn et snaut flertall.

men det betyr også at det har kommet fram en rekke nyanser knyttet til spørsmålene om både de miljømessige og de helsemessige sidene av saka. Vi mener også at tilgjengeligheten og muligheten til jakt og til høsting av naturen gjennom den type virksomhet som jakt er, er fornuftig, og det bør kunne legges godt til rette for det. Det forbudet vi har hatt siden 2005, har hatt en rekke negative sider knyttet til jakt på småvilt. Dessuten mener Senterpartiet at en bør unngå å opprettholde forbud som savner altfor god begrunnelse og dokumentasjon. Skadevirkningene av blyhagl i småvilt har rett og slett ikke latt seg konkret dokumentere på den måten som en har prøvd fra miljømyndighetenes side. Sverige har også valgt å myke opp sitt forbud. Senterpartiet fastholder at blyhagl ikke bør brukes i våtmarksområder og heller ikke på skytebaner. Vi mener at det er en fornuftig sondring av bestemmelsen. Det er ikke påvist forurensning på fastmark, men med våtmarksområder og skytebaner stiller det seg annerledes, både ut fra konsentrasjonen en kan få knyttet til og at våtmarksområder kan være et større problem fordi fugler som beiter i disse områdene, kan få i seg blyhagl. Tidligere talere har vært inne på at det er fordeler knyttet til blyhagl som ammunisjon sammenliknet med stål. Det er slik at lette hagl mister raskere hastighet og energi som er nødvendig for å trenge inn i viltet, og siden bly er et bløtt stoff, gir det ikke den samme faren for kan gi. Så litt nærmere om miljøkonsekvensene, for det må være lov å stille spørsmål ved noen av de undersøkelsene som er gjort, og noe av det som har kommet fram fra miljømyndighetene under komiteens behandling. Mange av innvendingene handler om bly generelt, ikke om blyhagl spesielt. Det er rett og slett ikke faglig dokumentert konkrete skader på grunn av blyhagl. For eksempel foretok Miljødirektoratet en ny vurdering og skriver i sin rapport at det avdekkes nye helsemessige konsekvenser. Men det knytter seg til hjortevilt, og hjortevilt avlives ved rifleammunisjon, som i dag er blyammunisjon. Det dreier seg ikke om småvilt skutt med hagle, og dermed om blyhagl. Når Veterinærinstituttet nå legger fram en undersøkelse gjennom et brev til komiteen om bly i norske rovfugler, er det altså slik at av 268 fugler registrert i en 40-årsperiode er det tre tilfeller som kanskje kan relateres til ammunisjon. Men heller ikke der er en i stand til å si om det er blyhagl eller rifleammunisjon det forholder seg til. Man blir litt forundret over en del av den argumentasjonen som kommer fram når det gjelder spørsmålet om blyhagl som sådant eller bly på mer generelt grunnlag. Ingen av oss er uenig i at blybelastning fra ulike kilder kan være en problematikk, men hvis man skal fastholde et forbud som har vært så omdiskutert som dette, må man også kunne klare å ha noen former for dokumentasjon som går på blyhagl spesielt som ammunisjon. Jeg synes nok at den dokumentasjonen som nå har kommet, ikke har vært overveldende. Det er også slik at Naturvårdsverket og Kemikalieinspektionen i Sverige gjorde en undersøkelse og fant at forekomsten av hagl var ett hagl per 25 m2 i skogen og ett hagl per 100 m2 i fjellet på 100 år som var dokumenterbart. Da er det ikke grunnlag for å si at blyhagl brukt til ammunisjon og skyting av småvilt er en stor forurensningsfare i seg sjøl, dersom man – som vi nå i dag gjør – velger å holde våtmarksområder og unntatt. Alt i alt er det et fornuftig vedtak som blir gjort her i Stortinget i dag.
Jeg vil også først takke saksordføreren for den jobben som er gjort i forbindelse med dette forslaget. Så må jeg si at jeg er ganske forundret over at dette i det hele tatt kom opp – å oppheve et forbud mot blyhagl i en situasjon hvor bly er en av de 30 miljøgiftene vi ønsker å fase ut innen 2020. det gjelder å gjeninnføre bruk av blyhagl, er jeg forundret med tanke på hvordan man har tenkt å fase dette helt ut innen 2020. Eller går man bort fra de målsettingene som man tidligere har satt? Grunnen til å være mot spredning av bly i naturen har saksordføreren vært inne på, at det ikke finnes en nedre grense der man kan si at bly i blodet ikke er helseskadelig – det finnes altså ingen nedre grense. Ammunisjon er en av de – om ikke den – viktigste kildene til spredning av bly i Europa i dag. Fagmiljøene er entydige, både Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet er mot en opphevelse av forbudet. Miljødirektoratet har gjort ulike risikovurderinger. Bly er en farlig miljøgift og et alvorlig problem dersom det spres i naturen. Da synes jeg de foregående talerne som går inn for denne endringen, spør litt feil, for de etterlyser en faglig vurdering av hvorfor vi skal opprettholde forbudet. Men gitt blys skadevirkning må bevisbyrden ligge i hvilke fordeler og hvilke grunner man har for å gjeninnføre blyhagl, og hva som gjør det så mye bedre enn den alternative ammunisjonen. For det er sånn at i høringen til komiteen med Norges Jeger- og Fiskerforbund var man enig i at det kanskje er helt marginale fordeler med blyhagl. Den alternative ammunisjonen har fullt ut den kvaliteten som det er behov for for å bedrive god jakt. Det som alle er enige om, som er avgjørende, er avstanden til dyret, det er hastighet, og det er spredning av hagl. I stedet for å gå for en opphevelse av forbudet, burde man heller la forbudet vare, sånn at man får en utvikling på den alternative ammunisjonen, som helt klart er konkurransedyktig og har den samme kvaliteten som blyhagl. Dette er et felt hvor Norge ligger i front, vi var tidlig ute med et forbud, men det er også forbud andre steder. Det er det i California, og Baden-Württemberg ser på de samme forbudene. Jeg er ikke i tvil om at dette er noe man vil se på framover også andre steder. Fra Venstres side mener vi at dette er beklagelig. Jeg synes at de som nå går inn for denne opphevelsen, har et forklaringsproblem med tanke på hvordan de har tenkt å fase ut bly i Norge fram mot 2020. Jeg mener det ikke finnes noen faglig holdbare argumenter for å med begrunnelse i at blyhagl har vesentlige kvaliteter som er bedre enn de alternativene vi har nå. Men litt optimistisk til slutt: Selv om man opphever forbudet, er det ikke noe påbud å bruke blyhagl, så for min egen del håper jeg at de fleste jegere fortsatt tar miljøhensyn, fortsatt legger til grunn grunnleggende helsespørsmål, ikke er villig til å ta risiko, og bruker alternativ hagl også i årene framover, selv om flertallet i Stortinget nå gjør det de gjør. Eg kan forsikra representanten Fredriksen om at eg har med meg både dei urbane verdiane og distriktsverdiane mine i denne saka i dag. Då eg for over ti år sidan kjøpte bustad i Oslo, var vi så heldige å få overta ein gamal husmannsplass oppe i Groruddalen. Der står det i skøytet at vi har jaktrett i Østmarka. Men då vi sjekka dette med plan- og bygningsetaten, viste det seg at det skulle meir til enn som så – at det stod i dette skøytet. Eg er meir van med å laga god mat av godt vilt som eg kjøper på Coop Alnabru, enn eg er med å jakta. Det er jo også ofte sånn at vi folkevalde må ta stilling til saker på felt som vi ikkje sjølve praktiserer på. For meg er det då ein god regel å snakka med mange for å henta inn råd. Eg er glad for at eg kjenner jegerar – eg kjenner jegerar som òg er kokkar – og vi har lytta til innspel frå ulike faginstansar i den høyringa som vi hadde i komiteen, m.a. Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Folkehelseinstituttet. Eg opplever at dei som har arbeidd grundig og vitskapeleg med problemstillingane, slår fast at jo mindre Ja, dei seier at det ikkje finst noko trygt eksponeringsnivå. Vidare viser både norske og utanlandske studiar at kjøt frå vilt skote med blyhaldig ammunisjon er ei vesentleg kjelde til bly hos dei som et dette, sjølv om tilrådde prosedyrar ved slakting og nedskjering er følgde. Ettersom mange av oss er glade i vilt, lèt talet på personar i faresona seg ikkje og vi finn eit om lag 30 pst. høgare blyinnhald hos folk som jamleg et vilt. Dette fann Helle Margrete Meltzer ut i 2013. Bly er òg ei stor belastning i naturen og må avgrensast mest mogleg. Eg er, til liks med Aasland, av at jakt skal vera tilgjengeleg. Eg spurde jegerane i komiteen om det var sånn at vi med dette forbodet gjorde jakt mindre tilgjengeleg, fordi det blei frykteleg dyrt å kjøpa ammunisjon. Men eg fekk ikkje noko godt svar som overtydde meg om at vi med forbodet har gjort jakt mindre tilgjengeleg. I går fekk eg derimot brev frå Atle er selv jeger og er skikkelig provosert over at det ser ut til at det igjen blir lovlig å bruke bly i haglpatroner. Som jeger vil jeg gjerne ha en god forvaltning av våre viltressurser og unngå at giftmetaller blir spredt i naturen. Jeg tror det er veldig mange av NJFF sine medlemmer som er enig med meg.» Eg synest elles at saksordførar Andersen Eide har gjort god greie for saka. SV har ikkje andre forslag enn å la forbodet gjelda. For SV er det uforståeleg at same dagen som vi skal vedta at vi treng ein handlingsplan på vegen mot ein giftfri kvardag, går stortingsfleirtalet inn for å lempa på det forbodet mot blyhagl vi har hatt sidan 2005. Vi stemmer difor mot, og for oss er det ein sorgens dag.

komiteen «viser til at det er svært dyrt å rydde opp når miljøgifter først er spredd i naturen». Forbudet mot blyhagl ble innført i 2005, nettopp for å hindre at bly ble spredd i naturen. Og jeg siterer fra flertallsinnstillingen i saken vi debatterer nå, der medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sier at de «erkjenner at jakt med blyhagl medfører miljøutfordringer og kan medføre helseskader. Bly er et tungmetall som ikke brytes ned i naturen og som hoper seg opp i næringskjedene». Og videre at blyhagl er farlig for dyr og fugler osv. Altså: Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vet hva de driver med, med Senterpartiet er det mer uklart. Alle i energi- og miljøkomiteen som har brydd seg med å lese bunken med faglige advarsler, vet hva det betyr å oppheve blyhaglforbudet. Alle som ikke sov under komitéhøringen om saken, vet at et samlet fagmiljø sterkt fraråder å oppheve blyhaglforbudet. Partiene som likevel vil oppheve forbudet, gjør i innstillingen knapt nok forsøk på å redegjøre på en saklig måte for hvorfor de ignorerer alle faglige råd og advarsler fra Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og andre. Vi hører her i salen at skadevirkning fra bly ikke er påvist, er tilbakevist Dette samsvarer ikke med hva norske fagmiljøer har fortalt dere og forteller dere. Det tilsynelatende mest tungtveiende argumentet er at flertallet «støtter Norges Jeger- og Fiskerforbund som mener at bruk av blyhagl sikrer en mer dyreetisk jakt, og er sikrere for jegerne». Men hørte Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet overhodet ikke etter da Norges Jeger- og Fiskerforbund ble spurt om dette i høringen? På direkte spørsmål om det de siste ti år med jakt uten blyhagl er registrert mer skadeskyting, svarte Norges Jeger- og Fiskerforbund et klart og tydelig nei. På direkte spørsmål om alternative hagltyper er dårligere enn bly, svarte Norges Jeger- og Fiskerforbund like tydelig nei, men tilføyde: innenfor sikkert skuddhold. Jeg formoder at flertallets hensikt med å oppheve ikke er at flere skal skyte på uforsvarlig langt hold. Som kjent gjør Norges Jeger- og Fiskerforbund i sine egne brosjyrer om alternativ haglammunisjon fra 2008 og nye haglpatroner fra 2010 det helt klart at alternativ hagl er like bra som, eller bedre enn, blyhagl. Nye tester bekrefter dette ytterligere. Dette har i hvert fall gjort inntrykk på noen i Høyre. Etter å ha mislyktes i å få Miljødirektoratet til å gå på akkord med sin egen faglige integritet – bra Miljødirektoratet! – har miljøminister Sundtoft vært ansvarlig nok til å be om mer tid, men selv ikke det har Høyre og Fremskrittspartiet funnet det bryet verdt å høre på. Tilbake står det som er et utvilsomt kjempestort folkeflertall som ikke av at Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet lar seg misbruke av et bitte lite mindretall av blyhaglentusiaster til å øke ny blybelastning i norsk natur. Tilbake står et samlet fagmiljø som lurer på hva i alle dager disse partiene legger i begrepet «kunnskapsbasert». Jeg er temmelig sikker på at også mange medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund rødmer over organisasjonen sin i dag. Et ellers respektabelt forbund har vist at man er villig til å ignorere både faglighet, miljø og folkehelse når en eller annen særgruppe i forbundet krever det. Denne «seieren» kommer til å koste Norges Jeger- og Fiskerforbund mye troverdighet. Opphevelsen av blyhaglforbudet skjer altså samtidig som Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet viser sin store omsorg for miljøgiftproblemene ved å vedta at det skal lages en handlingsplan for et giftfritt Norge. Bør man da le eller gråte? Jeg ler, for den eneste logiske konsekvensen av en handlingsplan mot miljøgifter er at blyhaglforbudet blir gjeninnført. Det kommer Miljøpartiet De Grønne til å jobbe for, omkampen begynner nå. Arbeidet med å redusere utslipp av miljøgifter er en viktig del av kjemikaliepolitikken, med mål om at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene i 2020. Stortinget behandler i dag også to representantforslag i Innst. 146 S. Forslagene gjelder behov for en mer offensiv innsats for å nå miljøgiftmålene, og for å beskytte mennesker og miljøet. Bly er en slik miljøgift. Miljødirektoratets nye rapport gir som kjent faglige grunner for streng regulering av blyhagl. Jeg merker meg at en samlet komité, som jeg selv, er bekymret for helse- og miljøvirkningene av Videre merker jeg meg forslaget til vedtak, der regjeringen bes om å følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvensene ved bruk av blyhagl. Jeg vil sørge for at Miljødirektoratet nøye følger utviklingen av dette saksfeltet nasjonalt Hensynet til helse- og miljøvirkninger av utslipp fra blyhagl må veies opp mot andre hensyn. Ivaretakelse av dyrevelferd og effektiv avlivning er viktige hensyn som må ivaretas. Det var i denne avveiningen jeg innhentet ytterligere råd fra Miljødirektoratet. Rådene fra direktoratet er gjort tilgjengelige for Stortinget. Komiteens flertall viser til at de er opptatt av ivaretakelsen av dyrevelferd også for vilt, og ønsker å legge opp til en human jaktutøvelse og en mest mulig effektiv avlivning av viltet. Gjennom forslaget til vedtak tar Stortinget direkte stilling til hvordan forbudet mot blyhagl skal innrettes. forslaget til vedtak og vil som følge av Stortingets vedtak gi Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide forskriftsforslag i tråd med dette. Det blir replikkordskifte. Jeg viser til innlegget mitt, der jeg sa at bly står på den nasjonale lista over helse- og miljøskadelige stoffer der målet er at bruk og utslipp skal reduseres og stanses innen 2020. Spørsmålet blir da: Hvordan ser statsråden for seg at vi skal nå disse målene, som er bare fem år unna, når flertallet i dag vil tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner? Stortinget har sluttet seg til det nasjonale målet om å stanse bruk og utslipp av bly innen 2020, og en oppmykning av forbudet mot bruk av blyhagl vil føre til økte utslipp av bly. Så økte utslipp vil gjøre det vanskeligere å nå målet, men jeg merker meg flertallets innstilling og vil selvfølgelig sørge for å følge opp Stortingets vedtak, med sikte på å differensiere Mitt spørsmål blir en fortsettelse av det samme. Hvis vi skal utfase bly innen 2020, vil ikke det la seg gjøre med det vedtaket som flertallet nå gjør. Da blir mitt spørsmål: Når den handlingsplanen legges fram, vil statsråden i forbindelse med handlingsplanen igjen vurdere et forbud mot blyhagl? Nå med det vedtaket som flertallet nå gjør. Da blir mitt spørsmål: Når den handlingsplanen legges fram, vil statsråden i forbindelse med handlingsplanen igjen vurdere et forbud mot
Nå arbeider vi med handlingsplanen, som jeg kommer tilbake til i en senere sak i dag. Jeg vil si at det her er naturlig for meg å merke meg innstillingen fra komiteens flertall, og jeg vil følge opp Stortingets vedtak, med sikte på å differensiere
Aller først har jeg lyst å takke klima- og miljøministeren for at hun på en balansert måte også svarer ut noen av de problemstillingene som komiteen har vært opptatt av når det gjelder behandlingen av denne saken. Og jeg går ut ifra at klima- og miljøministeren også har en klar tanke om hvordan en skal møte tiden fram til 2020 og stanse bruk og utslipp av prioriterte miljøgifter. Men jeg har lyst til å understreke og få stadfestet også i Stortinget at statsråden i den utvekslingen som har vært mellom komiteen og statsråden, ikke på ett eneste område, i én eneste setning, har anbefalt komiteen å opprettholde totalforbudet. Jeg ønsker at klima- og miljøministeren bekrefter akkurat den observasjonen – altså at man ikke med én eneste setning har anbefalt komiteen å opprettholde totalforbudet mot bruk av blyhagl. Jeg har mottatt flere henvendelser fra energi- og miljøkomiteen om dette, og jeg har svart komiteen at vurderingen er kompleks og inneholder flere alternativer. Jeg har også sagt at jeg trengte mer tid for å vurdere videre oppfølging. er riktig at jeg ikke har svart konkret på det, for jeg har bedt om mer tid for å avveie de ulike problemstillingene som jeg oppfatter at også komiteen selv har vært opptatt av. Men de faglige vurderingene er gjort tilgjengelige for Stortinget, og da legger jeg Stortingets vedtak til grunn. Ja, noe som også er litt vesentlig for Stortingets behandling av denne saken, er hva klima- og miljøministeren velger å gi av råd til Stortinget, og med dagens totalforbud mot bruk av blyhagl er det vesentlig å få tydelig bekreftet at statsråden ikke har svart komiteen på en slik måte at en fraråder komiteen og Stortinget å oppheve totalforbudet, med bakgrunn i de rapportene som kommer fra Miljødirektoratet. Det har vært ulike anbefalinger, som er ganske komplekse, og det jeg ba om mer tid til, er å vurdere kompleksiteten i dette. Jeg har også merket meg at komiteen har sagt at den skal innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvensene ved bruk av blyhagl. Og jeg vil sørge for at Miljødirektoratet nøye følger utviklingen av blyutslippene, både nasjonalt og internasjonalt.
Da har representanten Rasmus Hansson

at dyrevelferdsmessige hensyn teller. Som jeg nevnte i mitt innlegg, bekreftet Norges Jeger- og Fiskerforbund selv i høringen at det i de ti årene med meget omfattende bruk av alternativer til blyhagl overhodet ikke er registrert økt skadeskyting ved bruk av blyhagl. Så spørsmålet er: Har statsråden noen annen informasjon, som tilsier at det faktisk er dyrevelferdsmessige forskjeller mellom bruk av blyhagl og bruk av alternative hagl? Statsråden har ikke noen annen informasjon enn den jeg har gitt energi- og miljøkomiteen. Jeg har fått ulike vurderinger av det og sagt at det har vært komplekse vurderinger, som jeg har bedt om mer tid til å gå inn i. Men alle disse vurderingene er gjort tilgjengelig for Stortinget, og nå har Stortinget lagt fram sin innstilling i denne saken, som jeg følger opp, og jeg sitter ikke på noen annen informasjon som jeg ikke har latt tilflyte Stortinget. Jeg er klar over at statsråden ikke sitter på noen annen informasjon enn den informasjonen hun sitter på. Spørsmålet var: Har statsråden informasjon som tilsier at det er dyrevelferdsmessige forskjeller mellom å jakte med blyhagl og å jakte med
faglige vurderinger fra Miljødirektoratet, og det er det jeg har latt tilflyte Stortinget. Jeg har ikke aktivt bedt om noe annet i dette, så jeg har fått ulik informasjon, og det var å gjøre disse ulike avveiningene jeg ba om noe mer tid til. Det valgte Stortinget ikke å gi statsråden, så da forholder jeg meg til Stortingets vedtak og følger det opp.

kamp som har blitt ført av eit nær samla Jeger- og Fiskerforbund landet rundt. «Det blir en gledelig nyhet å få hvis vedtaket går gjennom», seier leiar i Alta jeger- og fiskerforbund, Knut Kjeldsberg. Det er vi i Framstegspartiet også einige i, som har vore aktive deltakarar gjennom mange år for å få løyst dette problemet. Men sterke krefter peiker også på problemet og dei miljøutfordringane bly utgjer i naturen, noko vi for så vidt stiller oss bak. Fjerning av bly i drivstoff til bilparken er eit positivt tiltak i den samanhengen. Samtidig er det viktig å understreke at det er endå fleire kjelder til spreiing av bly som også må få fokus, og gjennom kunnskap får ein moglegheit til generelt å redusere helsefarlege utslepp i norsk natur. Når det gjeld bruk av blyhagl, er det fleire faktorar som talar både for og imot. Men for Framstegspartiet er det overordna perspektivet at ein er opptatt av å vareta dyrevelferd, også for vilt, og ønskjer å leggje opp til ei human jaktutøving med ei mest mogleg effektiv avliving av viltet, men også med tanke på tryggheita til jegeren. Samtidig er det ei erkjenning, som tidlegare nemnt, at jakt med blyhagl medfører miljøutfordringar og kan medføre helseskadar. Derfor fremjar vi følgjande forslag til vedtak: «Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og kunnskap om de helsemessige konsekvenser ved bruk av blyhagl på jakt.» Eg har full tillit til at miljøvernministeren vil vareta eit sånt arbeid på ein god og hensiktsmessig måte. Likeins beheld ein forbodet mot bruk i våtmark og på skytebanar. Alt i alt meiner vi at ein gjennom ei slik ordning har varetatt ein balansert og fornuftig bruk av der ein varetar behovet for ei human jaktutøving og dei miljømessige utfordringar bly utgjer i natur og næringskjedene. Framstegspartiet har gjennom ei årrekkje som nemnt arbeidd for å få fjerna forbodet, og like lenge har Arbeidarpartiet stemt mot. Dagens vedtak er på mange måtar ein milepæl og ein merkedag for alle som er opptatt av ei human jaktutøving, så eg vil nytte anledninga til å gratulere alle med eit godt vedtak i dag. Det er en sak som har skapt mye debatt, som skal avgjøres her i dag.

nettopp fordi vi ville gå grundig inn i saken før vi trakk en konklusjon. Jeg registrerer at Venstre og Kristelig Folkeparti, som tidlig var ute med klare svar – de ville oppheve forbudet – nå ikke står for det, og at det også var diskusjon på SVs landsmøte. Men nettopp så vanskelig har denne saken vært. Jeg viser i den sammenheng til den gode innledninga som var fra representanten Terje Den faglige diskusjonen har i noen grad også vært preget av sterke ord. Når det gjelder naturvernsida, synes jeg representanten Arnstad var inne på på en god måte den dokumentasjonen en har fått når en har etterspurt det som gjelder fugl. Det er særlig vist til noen eksempler på sjøfugl, på and, at de kan ha funnet hagl i ikke på grunn av skudd. Men det er sånn at det nå ikke blir foreslått å åpne for jakt med blyammunisjon i våtmarksområder. De to landene i Europa som har et forbud mot bruk av blyhagl, er Nederland og Danmark, der jakt i all hovedsak foregår i våtmarksområder. Norsk natur er noe forskjellig fra dansk. En annen diskusjon er knyttet til helseperspektivet, som en skal ta på alvor. Jeg har også gått inn i de høringene som har vært, og registrert det faktum at det som er kommentert om mat og usikkerhet, er knyttet til rifleammunisjon, og at det er vanskelig å få svar på spørsmålet: Har jakt med hagl noen betydning for menneskers eller dyrs opptak av hagl i organismen? Det er ikke noen tvil om at den alminnelige oppfatning blant dem som faktisk utøver jakt, er at bly er det mest forsvarlige for å utøve en etisk jakt – jeg vil for øvrig foreslå heller å bruke vismut enn stål, som noen har sammenlignet med her. Men det er ikke uten grunn at Sverige, som vurderte forbud, valgte ikke å innføre det. Så vil jeg si at når det blir påstått at det nå skal spres 260 tonn hagl, er det med på å undergrave troverdigheten i motargumentene. For hvis en regnet på de drøyt 80 000 jegerne som i fjor drev med småviltjakt, måtte det bety at hver av dem skjøt over 100 skudd med blyhagl på jakt, altså utenom skytebane. Det er selvfølgelig helt urealistisk. Det svekker argumentasjonen, i motsetning til hos amanuensis Segalstad, som viser oss en alternativ måte å tenke på.
Om ikke så lenge skal vi diskutere et representantforslag om en kunnskapsbasert naturforvaltning, hvor mye av poenget er betydningen av å legge det som kalles objektiv og verdifri faglig kunnskap til grunn for naturforvaltningen i Norge. Nå har vi gått igjennom en saksbehandling hvor det fortsatt er ordkløyving rundt spørsmålet om norske fagmiljøer har forstått forskjellen mellom effekten av en riflekule og effekten av blyhagl. La nå det være. Det som er helt utvilsomt, er at alle tunge norske fagmiljøer – Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning – er helt enstemmige om at blyhagl ikke bør tillates i norsk natur. Jeg har to ganger nå spurt miljøvernministeren om hun har dokumentasjon for påstanden om at det er dyreetisk mer forsvarlig å bruke blyhagl enn alternative hagltyper. Jeger- og Fiskerforbundet hadde det ikke. Miljøvernministeren valgte to ganger å ikke svare på spørsmålet, og det er vanskelig å tolke det som noe annet enn at svaret er nei. Heller ikke hun har dokumentasjon for at det er dyreetisk bedre å bruke blyhagl enn alternative hagltyper. Vi ender altså opp med et vedtak i Stortinget senere i dag som er det motsatte av å være basert på den og tunge fagkunnskapen som er tilgjengelig. Men vi har heldigvis en utvei, nemlig handlingsplanen for miljøgifter, som kommer, og denne representanten ser fram til at den handlingsplanen – som vi kommer tilbake til – vil bli forvaltet på en måte som er mer kunnskapsbasert enn det vedtaket vi får i dag.

Det som sies i Miljødirektoratets rapport om blyeksponering via mat, er knyttet til konsum av hjortevilt. Vitenskapskomiteen for mattrygghet tok for seg dette i 2013. Hjortevilt felles med rifleammunisjon og har svært lite med blyhagl å gjøre. Likedan står det i samme rapport at forbruket av blyhagl er 260 tonn i året. Det må beviselig være feil, for det må bety at man på småviltjakt i Norge mellom seks og åtte millioner haglpatroner. Det gjør man sjølsagt ikke. Det ble felt omtrent 220 000 småvilt i 2013. Det vi vet, er at antagelig 80 pst. av de haglskuddene det her er snakk om, ble avfyrt på skytebaner, og der vil det fortsatt være forbudt å bruke blyhagl. Når det gjelder undersøkelse om rovfugl, som ble gjennomført i en 40-årsperiode fra 1973 og fram til i dag: Av de 268 rovfuglene de har undersøkt, er det tre – tre fugler på 40 år – som man kan si at kanskje kan være forenlig med bly fra ammunisjon. Men de kan ikke si om det er bly fra rifleammunisjon eller hagleammunisjon. Det må av og til være lov til også å få gå gjennom de rapportene som blir Det må av og til være lov til også å få gå gjennom de rapportene som blir sendt oss, og faktisk se på de fakta som blir presentert for oss, og på hva som er kunnskapsbasert og ikke. Jeg synes det er helt påfallende med hvilken entusiasme man går inn i de faglige vurderingene av skadevirkningene ved blyhagl for å finne svakheter i dem. Man går virkelig etter hver eneste bit, og finner man en, mener man at det undergraver hele det faglige rådet. Men det er nå engang sånn at det er en bred enighet om at bly er miljøskadelig. Bly er helseskadelig, og det som de som nå ønsker å oppheve forbudet, ikke svarer på, er nettopp det faglige grunnlaget for hvorfor bly er en bedre ammunisjon – dyrevelferdsmessig bedre og en bedre ammunisjon enn alternativene. For der finnes det ingenting, og det er nettopp den begrunnelsen som må være grunnlaget for å gjøre en endring. Ellers er det ikke noe grunnlag for å gjøre en endring. Da er det føre-var-prinsippet som bør ligge til grunn. Vi har et forbud som fungerer godt. Det finnes alternativer som fungerer godt, like bra som blyhagl, og da er det dette vi fortsatt bør holde fast ved. Enda mer alvorlig er det at vi på bakgrunn av dette Dokument 8-forslaget altså går bort fra målsettingen om å fase ut bly fram mot 2020 med mindre jeg forsto statsråden feil. For hvis hun legger dette vedtaket til grunn for handlingsplanen mot miljøgifter, har vi i realiteten gått bort fra målsettingen om å fase ut bly fram mot 2020. Jeg håper det er feil – Venstre kommer i hvert fall til å ta det opp igjen. Bly er av de farligste miljøgiftene vi har. Det er viktig å fase det ut. god alternativ ammunisjon i dag, og det vil kunne utvikles også i framtiden. Denne opphevelsen er det ingen grunn til å gå inn på. Her er det noen få, men sterke, lobbyister som klokt har klart å vinne fram hos en del partier, og jeg vil i hvert fall jobbe for at dette snus og reverseres så raskt som
Jeg står her for å forsvare Venstres tidligere standpunkt og hadde kommet til eksemplet med den påståtte spredninga av bly på 260 tonn. Det var ca. 80 000 småviltjegere som hadde løst mulighet til å jakte småvilt i fjor, 100 skudd på jakt – utenom våtmark og utenom skytebane. Når jeg tar fram dette, er det fordi jeg er utrolig opptatt av at vi skal ha en forsknings- og kunnskapsbasert, streng miljølovgivning i Norge. Men da må den også være troverdig. Jeg har også lest – i tillegg til de andre høringsuttalelsene jeg har lest – et innlegg fra førsteamanuensis i ressurs- og miljøgeologi ved Universitetet i Oslo, Tom V. Segalstad, som altså sier at det ikke er miljø- og helseproblemer forbundet med å bruke blyhagl til jakt, særlig ikke på de områdene som det nå åpnes for. Som sagt: Jeg er sterkt tilhenger av streng miljøregulering. Jeg er tilhenger av at den skal være kunnskaps- og forskningsbasert, men jeg registrerer også at når en seriøs naturvernorganisasjon som Jeger- og Fiskerforbundet prøver å tilnærme seg problemstillinger de er opptatt av, ved å stille spørsmål om dokumentasjon, får de ikke noe godt svar. Det synes jeg er en utfordring, for jeg mener at en effektiv og streng miljøregulering – som vi trenger – også må ha legitimitet. Hvis ikke undergraver vi respekten for streng miljølovgivning. Det er vel det som er problemet med dagens forbud: at en ikke har den legitimiteten. Derfor synes jeg at komiteen har kommet fram til en balansert konklusjon på et spørsmål som har vært diskutert i lang tid. Jeg reagerer litt på hvordan representanter bruker det de hevder er objektiv forskning, og at objektiv forskning krever forbud mot bruk av blyhagl. Da må jeg nesten spørre: Hvilken objektiv forskning? og at objektiv forskning krever forbud mot bruk av blyhagl. Da må jeg nesten spørre: Hvilken objektiv forskning? For det er så store sprik mellom hva interesseorganisasjoner avslører når det gjelder den forskningen som er blitt utøvd, det er så store forskjeller når det gjelder hva norsk forskning har kommet fram til, at jeg må rett og slett spørre: Hvilken objektiv forskning er det det blir vist til, hvis det ikke er et ønske om å bruke denne forskningen – eller denne troen – politisk? For til syvende og sist er det politikk vi snakker om. Så til det etiske – det en mest mulig effektiv avlivning av småvilt, og bruk av blyhagl. Jeg har vært jeger i mange år. Jeg har gått mye på jakt, og jeg tror jeg våger å påstå én ting: At 100 pst. av jegerne foretrekker blyhagl, er kanskje å ta noe for hardt i, men at 80–85 pst. av dem som jakter, foretrekker blyhagl på blyhagl, er kanskje å ta noe for hardt i, men at 80–85 pst. av dem som jakter, foretrekker blyhagl på grunn av effektiv avlivning, er ikke veldig langt fra sannheten. For det er ingen tvil om at det avliver langt mer effektivt enn alternativene.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

Giftige og hormonforstyrrende stoffer kan gi skadelige effekter hver for seg, men de er kanskje særlig skadelige når de virker i kombinasjon med hverandre. Norge har forpliktet seg til å begrense spredningen av miljøgifter gjennom generasjonsmålet og har sagt at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Det er veldig positivt at komiteen har blitt enig om å be regjeringen utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag. Det er også viktig at handlingsplanen skal inkludere tiltak mot miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og ikke minst bransjedialog. Det er et viktig framskritt for Norge at vi nå kan få en slik handlingsplan som både Sverige og Danmark har fra før, og det bør kunne medføre et langsiktig arbeid mot målet om å redusere bruken av for mer kontroll og tilsyn ble påpekt en rekke ganger under den høringen som komiteen hadde i denne saken. Mange miljøgifter som er forbudt, er nemlig fortsatt i stadig bruk, og det må i større grad enn i dag avdekkes ulovlig bruk av den type miljøgifter. Komiteen er òg enig om å be regjeringen arbeide for raskest mulig internasjonal regulering og forbud mot de farligste ikke-regulerte giftstoffene i produkt som er tilgjengelige i Norge. I tillegg bes regjeringen arbeide internasjonalt for at alle produkt som inneholder skadelige kjemikalier, skal ha en innholdsdeklarasjon som viser hvilke stoffer, og mengden av de stoffene, som produktene inneholder. Det er delte meninger i komiteen om enkelte forslag og også om hvor langt en skal kunne gå i forholdet mellom en internasjonal prosess og nasjonale tiltak. Jeg regner med at de ulike fraksjonene vil redegjøre for det hver for seg. Fra Senterpartiets side er vi bekymret for at de internasjonale prosessene tar veldig lang tid. For sju år siden ble stoffer med særlig grunn til bekymring ført opp på kandidatlista i EU, og på disse sju årene har 22 stoffer blitt ferdigbehandlet. Samtidig omfatter lista og kandidatlista nå hele 155 stoffer. Hvis en ikke får en fortgang i dette arbeidet, kommer lista til å øke videre, og det vil være en uholdbar situasjon. Derfor er det også slik at flere enkeltland har innført egne reguleringer. Danmark har f.eks. nå et forbud mot parabener i produkter til barn under tre år. Det er stoff som ofte brukes i impregnerte tekstiler, typisk parkdresser og regntøy. Og Sverige har for første gang stevnet Europakommisjonen inn for EU-domstolen fordi det ikke er iverksatt restriksjoner for hormonforstyrrende stoff innenfor den fristen som var satt. Det er nettopp et av hovedproblemene i det internasjonale arbeidet, at den sendrektigheten man ser i EU, fører til at utfasingen av farlige stoffer stopper opp. Både den danske regjeringen og Europaparlamentets justiskomité støtter Sverige i denne saken, og det blir også viktig å se på hva Norge gjør i så måte. Internasjonal regulering gir en god beskyttelse mot miljøgifter, men vi kan ikke sitte stille og vente på at reguleringene i EU skal komme på plass. Senterpartiet mener at når flere land tar til orde for eget regelverk og våger å gå foran, må også Norge ha mot til å kunne gjøre det. Det vil i sum nemlig også kunne presse fram sterkere og raskere internasjonal regulering av miljøgifter. De frivillige merkeordningene spiller også en sentral rolle i arbeidet med å redusere mengden av miljøgift, og diskusjonen om handlingsrommet for nasjonale reguleringer fører ikke minst til at merkeordningene blir svært viktige. Svanemerket er i den sammenheng et viktig spørsmål. Vi ser fram til å få vedtatt spørsmålet om en handlingsplan her i dag, og jeg vil også få lov å ta opp forslagene nr. 3 og 4, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Da har representanten Marit Arnstad tatt opp de forslagene hun
La meg starte med å takke saksordføreren, som jeg synes holdt et veldig godt innlegg, og som har ledet fram en sak vi i Arbeiderpartiet synes er veldig gledelig. Vi får jo i dag gjennomslag for det som var vårt mål da vi fremmet dette forslaget, nemlig en at rundt oss er det altfor mye gift – i emballasjen i maten vår, i klærne våre. Ikke minst finner vi også mye i leketøy for barn – stoffer vi vet ikke er gode for oss, og som selv i lite omfang kan påvirke oss. Spesielt barn er utsatt, og da er det et paradoks at det også er barn som står i fare for å få i seg mest gift. Som Marit Arnstad sa – giftstoffene kan være ille selv i små mengder hver for seg, og i kombinasjon kan de være fryktelig skadelige. Dette trenger vi mer kunnskap om. Det er behov for en kraftig opprydding for å få giftstoffer ut. De andre skandinaviske landene har allerede vedtatt en handlingsplan mot gift, og det er på høy tid at vi gjør det også i Norge. Etter vedtaket vi gjør i kveld, forventer vi selvsagt at dette vil få høy prioritet hos ministeren, at arbeidet starter umiddelbart, og at planen både må være konkret og forpliktende og gi faktiske resultater. Den må derfor også inneholde en oppfølging av arbeidet. For vi vet jo allerede i dag har en del giftstoffer som er forbudt, men som likevel blir mye brukt. I Sverige har tilsynsmyndighetene funnet ulovlige giftstoffer i mer enn hvert tiende produkt de giftige stoffer i Sverige ble femdoblet etter at Sverige fikk sin handlingsplan. Det har gjort at svenskene er blitt veldig aktive også på den internasjonale banen. Vi forventer, når vi nå får vår egen handlingsplan mot gift, at den blir minst like ambisiøs som de som de andre nordiske landene har. er det aller beste det vi får til internasjonalt sammen med andre land, at vi får strenge internasjonale regler. Derfor støtter vi alle initiativ den norske regjeringen vil ta overfor EU og overfor det internasjonale arbeidet for å få mest mulig gift ut. Det internasjonale arbeidet må likevel ikke bli noen hvilepute for hva vi gjør her hjemme i Norge. Dersom vi ønsker det, kan vi få gjort mye mer Det er enklere å endre norsk praksis og gi tryggere varer til våre egne forbrukere enn det er å få på plass et internasjonalt regelverk. Så for Arbeiderpartiet er dette på ingen måte et enten–eller, det er et både–og. Vi skal jobbe internasjonalt samtidig som vi skal få ut gift for norske forbrukere. Vi håper at ministeren tar et initiativ overfor næringslivet. For det er klart – næringslivet kan gjøre mye mer enn det de gjør i dag. De har et stort samfunnsansvar, og om informasjonen kommer godt ut, er jeg sikker på at det også vil være noe som vil lønne seg for dem. Norske forbrukere ønsker ikke gift. Jeg tror de som går foran, har mye å tjene på det. En del virkemidler har vi allerede, og vi vet at de fungerer svært godt. Svanemerke-ordningen er ett eksempel – et viktig tiltak som gir oss forbrukere muligheten til å unngå gift, og vi får vite hvilke giftstoffer vi står i fare for å få i oss. Derfor har Arbeiderpartiet, sammen med Miljøpartiet De Grønne og de andre rød-grønne partiene, fremmet et forslag her om å styrke ordninger som vi vet fungerer, som Svanemerke-ordningen og Bakgrunnen for forslaget var et helseperspektiv, men det var også for å ta vare på naturen. Gift er ikke bra for naturen. Vi trenger å få giftstoffer ut av naturen, og dette må selvsagt være en viktig del av den handlingsplanen regjeringen nå skal gå i gang med. Som et opposisjonsparti er det ikke så ofte Arbeiderpartiet får gjennomslag for sine Dokument 8-forslag. Derfor er det spesielt gledelig at vi nå ser ut til å få enstemmig vedtatt vårt forslag om at vi endelig skal få på plass en handlingsplan for en giftfri hverdag. Men en plan kan være så mye forskjellig, og det hjelper ikke dersom ikke planen både er god nok og blir tilstrekkelig fulgt opp. Derfor kommer vi i Arbeiderpartiet til å følge denne saken videre for å sikre oss at handlingsplanen gir oss det vi vil ha: en Ønsker representanten å ta opp forslagene nr. 1 og 2? Ja. Da har representanten Aukrust tatt opp de forslagene han

brukes i stadig flere produkter vi bruker og omgir oss med hver eneste dag. Det er krevende for forbrukerne å forholde seg til, ikke minst fordi vi sjelden vet hva produktene vi kjøper, inneholder. Selv hadde jeg besøk av Norsk institutt for luftforskning i min egen datters soverom. I ett døgn ble luften testet. Resultatet var nedslående. Over 300 ulike kjemiske forbindelser ble oppdaget, hvorav mange var kreftfremkallende, hormonforstyrrende og fertilitetsdempende. Hvordan alle disse stoffene virker sammen, vet vi for lite om. Mange snakker om en cocktaileffekt av de ulike miljøgiftene vi omgir oss med. Hjemme hos meg var det trolig plastleker, veggmaling og elektronikk som slo ut, men sikker kan man ikke være. Vi vet også at klær og emballasje kan inneholde store mengder miljøgifter. Det er et tankekors at vi oppfordres til å vaske nye klær to ganger før vi tar dem i bruk. Selv om miljøgifteksponeringen mot kroppen reduseres av dette, havner likevel miljøgiftene i naturen til slutt. Når de først er introdusert i et produkt, er det nærmest umulig å unngå at mennesker og natur eksponeres på en eller annen måte. Også luften hos stortingsrepresentant Helga Pedersen og i en barnehage på Tøyen ble testet av Norsk institutt for luftforskning. Selv om det var variasjoner i hvilke stoffer som ble funnet, var omfanget det samme som i mitt hjem. Noe må gjøres, og jeg er svært tilfreds med at regjeringen har varslet at den vil utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag, og at Stortinget i dag er enig om nettopp en slik oppfordring til regjeringen gjennom stortingsvedtak. Handlingsplanen må være konkret og forpliktende og bidra til bedre forbrukerinformasjon, mer kunnskap og sterkere tilsyn og kontroll enn i dag. Frivillige merkeordninger er et viktig virkemiddel, som bidrar til at vi som forbrukere kan fatte gode valg i hverdagen. Svanemerket er f.eks. godt innarbeidet. Jeg mener regjeringen i sin nye strategi må vurdere hvordan merkeordningene kan brukes for å stimulere flere – både bedrifter, offentlig sektor og forbrukere – til å velge bort produkter som inneholder miljøgifter. Først og fremst må vi imidlertid jobbe internasjonalt. De færreste produktene vi kjøper i Norge, er produsert i Norge. Skal vi lykkes med å redusere antallet miljøgifter i produkter, må vi derfor jobbe internasjonalt, og spesielt opp mot EU. Norge er en integrert del av EUs indre marked. Det er derfor begrenset hvilken mulighet vi har til å vedta nasjonale forbud mot miljøgifter. ESA har f.eks. varslet at de vurderer å reise sak mot Norge i EFTA-domstolen, som følge av at det i 2013 ble innført et nasjonalt forbud mot innhold PFOA. Den samme problemstillingen vil vi møte dersom vi prøver å innføre særnorske regler for innholdsdeklarasjon. Det er derfor avgjørende at regjeringen prioriterer det internasjonale arbeidet svært høyt i strategien som er varslet. Vi ser heldigvis at EU jobber mye med denne problemstillingen. Miljødirektoratet utarbeidet i 2007 en liste over skadelige miljøgifter. De fleste av disse stoffene er i dag enten regulert i EU/EØS, eller det foreligger forslag om slik regulering. I dag er det bare to–tre av de totalt 21 stoffene som Miljødirektoratet identifiserte i 2007, som ikke er regulert, foreslått regulert eller vurdert som ikke å utgjøre noe vesentlig problem. Dette skyldes i hovedsak at EUs kjemikaliedirektiv REACH ble innført i Norge i 2008, og viser verdien av å ha et felles regelverk på dette området. Når EU først har bestemt seg, vil et marked med 500 millioner innbyggere ha stor innflytelse, ikke bare på produksjonen internt i EU, men på produksjonen i land som ønsker å selge sine varer til EU. Samtidig som vi må arbeide for internasjonale reguleringer og forbud for å begrense antall nye miljøgifter i produkter vi omgir oss med, må vi bidra til å rydde opp i gamle synder. Mange fjorder og havner i Norge er sterkt forurenset av tidligere industrivirksomhet. Et eksempel på et havneområde som er ryddet, er Oslo Havn. Resultatene er gode. Fjorden er renere enn på flere tiår, og byens innbyggere kan igjen bade og fiske i fjorden uten å bekymre seg for helsen. Det er flere slike prosjekter på gang, bl.a. i Bodø, men fremdeles er det mange som ikke har utarbeidet gode planer og fått på plass samarbeid mellom eierne av havnene, kommuner og staten, om opprydding. Regjeringen har økt bevilgningen – til 72 mill. kr – til arbeidet med å rydde opp i fjorder og havner i 2015, som gir et utgangspunkt for å få satt i gang prosjekter flere steder i landet.

Som forbrukarar er det ikkje alltid at vi ser på noko som skadeleg når vi blir utsette for det i små mengder. Dessverre kan dette vere med på å skape eit skin av tryggleik, då det heilt ut kjem an på eigenskapane til dei ulike stoffa, og ikkje minst samansetnaden av stoff, som har betyding for kor mykje som skal til før det kan påverke oss helsemessig. Eg registrerer utolmodet når det gjeld internasjonale reglar, at arbeidet denne viktige saka tar altfor lang tid. Det er eg heilt einig i. Framstegspartiet vil poengtere at det blir gjort mykje bra innanfor nordisk opplysingsarbeid knytt til miljømerking. Som fleire har vore inne på, er Svanemerket eit godt merke og er det offisielle nordiske miljømerket. Temaet var også til debatt i den siste samlinga i Nordisk råd i slutten av januar – i Åland. Svært mange er opptatt Vidare står det i Sundvolden-erklæringa at regjeringa vil arbeide for å «begrense spredning av miljøgifter». Regjeringa har bl.a. signalisert at ho har som mål å få utarbeidd ein eigen strategi for arbeidet med miljøgiftene. Så er det viktig å understreke at for Framstegspartiet er omsynet til forbrukarane høgast på Framstegspartiet meiner at ei mest mogleg effektiv regulering og ein reduksjon av miljøskadelege stoff oppnår ein gjennom internasjonale avtalar, då utslepp og spreiing av miljøgifter også er ei global utfordring. I denne samanhengen er det viktig at vi har ei felles forståing av kva ein ser på som Framstegspartiet føreset at dette arbeidet skal vere kunnskapsbasert, så vi ser fram til å få regjeringas strategi for handtering av miljøgifter og ein strategi for arbeidet med miljøgifter og regelverk knytt til dette. Ein samla komité er einig om at dagens regelverk er mangelfullt. Det trengst revidering og
som skader evnen til å få barn, matpapir som etterlater fluor på brunosten, og klær som kan fremkalle kreft, forstyrre hormoner og gi diabetes og atferdsforstyrrelser – det er det vi snakker om i dag. Det er ikke første Tidligere har Forbrukerrådet lagt fram forskning som peker på risikoen ved bruk av hormonforstyrrende stoffer i kosmetikk. Den gang lanserte Forbrukerrådet et program for iPhone som skulle hjelpe forbrukerne til å velge produkter uten hormonforstyrrende stoffer. Kristelig Folkeparti tok til orde for at vi burde få en handlingsplan for en giftfri hverdag. Det har i den sammenheng særlig vært bekymring knyttet til parabener, som i årevis har vært brukt for å hindre sopp og bakterier i krukker og i tuber. Forskerne har hatt mistanke om at parabener kan føre til dårlig sædkvalitet og til testikkelkreft hos menn. De setter også parabener i sammenheng med økning av brystkreft. I dag har vi retningslinjer for hvor stor konsentrasjon av disse stoffene det kan være i produktene, men ingen informasjon om at kombinasjonen av flere produkter med disse stoffene kan gi en hormonforstyrrende effekt, en såkalt cocktaileffekt. Cocktaileffekten betyr at stoffer som er ufarlige i små mengder, likevel kan ha en hormonforstyrrende effekt når de blir kombinert med andre stoffer. Det er behov for å bruke flere ressurser på kontroll og tilsyn. Vi vet dessuten altfor lite om hvilken skade giftene kan gi. Derfor er det også behov for mer dokumentasjon og forskning. I en spørreundersøkelse Forbrukerrådet fikk utført før jul, svarte ni av ti at de ønsket å få strengere regulering av skadelige kjemikalier i leker og andre Ifølge Vårt Land har både Sverige og Danmark handlingsplaner for en mer giftfri hverdag. Det har ført til – som flere har nevnt tidligere – at svenskene har femdoblet tilsynet. Svenske myndigheter har funnet ulovlig mange farlige kjemikalier i 10 pst. av de produktene som er undersøkt. Leker og elektronikk er de varegruppene der det oftest finnes farlige kjemikalier. I sin årlige evaluering konstaterer svenske myndigheter at mange bedrifter kjenner for dårlig til hvilke regler som gjelder for giftige stoffer. Jeg er glad for at Stortinget i dag samler seg om å be «regjeringen utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag», en plan som inkluderer «tiltak mot miljøgifter både nasjonalt og internasjonalt, tiltak for økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog». Et sterkt trykk internasjonalt er veldig viktig for å nærme oss målet om en giftfri hverdag. Derfor er jeg glad for at Stortinget «ber regjeringen arbeide for raskest mulig internasjonal regulering og forbud mot de farligste ikke-regulerte giftstoffene i produkter tilgjengelig i Norge, basert på oppdaterte faglige anbefalinger fra Miljødirektoratet». At vi i tillegg ber regjeringa «arbeide internasjonalt for at alle produkter som inneholder skadelige kjemikalier, skal ha en innholdsdeklarasjon som viser hvilke stoffer og mengden av disse som produktene inneholder», er også veldig bra. Til sist må jeg si at det er synd at vi ikke får flertall for å inkludere innsamling av ubrukte legemidler som en del av handlingsplanen for en giftfri hverdag. Apotekene tar i dag imot ubrukte legemidler. I hvor stor grad medisiner leveres tilbake dit, vet vi vel egentlig ingenting om. Forsøk som er gjort i enkelte kommuner, hvor en har inkludert medisiner i den kommunale avfallsordningen, har vært en suksess. Jeg er redd realiteten i dag er at veldig mye skylles ned Jeg mener generelt at for å lykkes med innsamling av miljøfiendtlig avfall må systemene være lettest mulig tilgjengelig. Det burde også vært tilfellet her. Jeg syns det er litt spesielt å ha denne saken nå rett etter at man har vedtatt – eller i hvert fall har innstilt på – at man skal gjeninnføre bruken av blyhagl. Og så ber vi om en handlingsplan til kamp mot miljøgifter! Nå er jo det positivt, dette er en veldig positiv sak, vi trenger en slik handlingsplan. Jeg vil gjerne også berømme regjeringen, som allerede har varslet at man ønsker en strategi mot miljøgifter, og vi har et samlet storting som er enige om at her trenger vi å legge inn en mye sterkere innsats enn det som er gjort så langt. Vi utsettes hver dag for en hel rekke kjemikalier og hormonforstyrrende stoffer. Det er i leker, det er i kosmetikk, og det er i elektroniske varer – listen er lang. Det er både et viktig helsespørsmål og et viktig miljøspørsmål, for dette spres jo og akkumuleres i naturen. Det må jobbes todelt. Vi må ha en handlingsplan som er konkret på hva vi trenger å gjøre i Norge. Det er vist til tidligere at både Sverige og Danmark har gode handlingsplaner. Det er viktig at planene er konkrete, og at man har forslag til hvordan man skal – og vilje til å – følge dette opp i årene framover. Samtidig må det jobbes aktivt internasjonalt. Det er klart at EUs regelverk er viktig, vi er en del av det, og vi må ha en aktiv politikk for å forby og begrense miljøfarlige stoffer også innenfor de systemene som vi er en del I spørsmålet om hvorvidt Norge kan gå lenger, mener Venstre dette er en viktig del av den handlingsplanen som skal legges fram, og en viktig vurdering. Er det mulig, er vi villig til at vi kan innføre egne forbud, men det er klart at man skal være forsiktig så man ikke går utover et regelverk som er omfattende innenfor Det er en grenseoppgang som vi går ut fra at blir en sentral del av handlingsplanen. Vi må bruke de virkemidlene som vi har. Ved offentlige innkjøp er det viktig at man er bevisst, på både statlig, regionalt og lokalt plan. Det er viktig at man har tilgang på den nødvendige kunnskap og bruker de mulighetene som ligger i bevisste innkjøp å ivareta – og ikke utsetter seg unødvendig for helserisiko, også for å påvirke en utvikling og begrense miljøgifter som spres i naturen. Så er vi helt enig i at miljømerkeordninger er viktige. Svanemerket har en viktig oppgave, det er en måte å vise befolkningen hvordan man enkelt kan gjøre miljøvennlige valg på, og hvordan man enkelt kan unngå miljøskadelige og helseskadelige stoffer. Det er en ordning som definitivt bør kunne utvikles for å utnytte sitt potensial, og det vil Venstre komme tilbake til i naturlige former i forbindelse med budsjettene framover, hvor dette er en sentral del av diskusjonen. Til forslagene til vedtak: Vi støtter de to første. Det ene er at vi ber om en handlingsplan i et både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. en bestilling til regjeringen om å gå aktivt inn i det internasjonale arbeidet for å være en pådriver for å begrense bruken av miljøgifter og for å få endret regelverk som også vil kunne omfatte Norge.
for kjemikaliar frå mange ulike kjelder. Små mengder av ulike kjemikaliar finst i kvardagsprodukt som leiker, kosmetikk, elektronisk utstyr, byggevarer, mat og medisinar. I dag veit vi ikkje kva vi får med på kjøpet når vi handlar, sidan ingredienslister ikkje er lovpålagde – når ein ser bort frå for mat og kosmetikk. leiketøy i butikkane inneheld kjemikaliar, som kan gje diabetes, ADHD og kreft, seier Forbrukarrådet. Saka er at verken dei som sel, eller dei som kjøper, veit om innhaldet i varene er skadeleg, og det er skremmande å tenkja på. Slik kan vi ikkje ha det. Eg er difor glad for at vi får på plass ei semje om ein handlingsplan i dag. Eg vonar at regjeringa gjer handlingsplanen kraftfull og gjev han det alvoret han fortener. Element i handlingsplanen må vera bransjeprogram for opplæring i handelsnæringa, styrking av kunnskapen i skulen og HMS- og arbeidsmiljøopplæringa i arbeidslivet. Her kan ein det gode arbeidet med Svanemerket. Det er skikkeleg trist at det ikkje blir fleirtal for å innføra nasjonale forbod mot dei farlegaste miljøgiftene vi omgjev oss med, når EU somlar med å innføra forbod. Eg er lei meg når parti i denne salen i merknads form skriv at «Norge skal være forsiktig med å innføre særnasjonale forbud mot miljøgifter». Klima- og miljøministeren skriv i brevet sitt: «Jeg kan ikke se at det SV vil gjerne få til forbod på internasjonalt og europeisk nivå. Samtidig må vi innsjå at EUs arbeid går svært sakte, og det er gale om regjeringa ofrar tryggleiken til norske forbrukarar for å bevara eit godt forhold til EU. Det finst nasjonalt handlingsrom. Det er utruleg kva ein får til om ein berre vil. på at EU skal skjera igjennom og høyra på andre enn den mektige europeiske kjemikalie- og næringslobbyen – den same lobbyen som var imot at REACH-regelverket blei innført. Danmark har gått lenger enn EUs regelverk og vedteke nasjonale forbod mot enkelte miljøgifter i produkt retta mot barn. Når enkeltland går i front, vil det bidra til å framskunda internasjonale prosessar for strengare regulering. Krav om innhaldslister og effektive informasjonskampanjar er tiltak som kan setjast i verk fort, slik det er for f.eks. sal av tobakk. EU har skapt seg eit ekstra problem, som vi ikkje bør la oss hemma av. Det går no føre seg forhandlingar om frihandels- og investeringsavtalen TTIP, mellom Europakommisjonen og USA. Her er EUs kjemikalielovgjeving på forhandlingsbordet. USA og USAs næringsliv meiner at europeisk lovverk på kjemikalieområdet hemmar handel. US Pesticide og bioteknologilobbyen CropLife seier kanskje tydelegast kva USA meiner er problemet med REACH i deira innspel. I mi omsetjing skriv dei at EUs regelpraksis for kjemikaliar er i ei motsett tilnærming i forhold til USA sin, og dei skriv at vitskapleg basert risikovurdering som basis for lovreguleringar ikkje må overstyrast av ukorrekt og politisk driven bruk av føre-var-prinsippet, som det skjer i EU – eg har her referansen, som eg leverer til referenten, som kan finna det fram etterpå. EU er på og har lova ikkje å redusera kjemikaliereguleringane sine. Det lovar ikkje så godt for rask internasjonal lovgjeving. Eit forhandlingsresultat mellom desse to stormaktene vil mest sannsynleg liggja ein stad mellom EUs REACH og USAs ønske om å fjerna føre-var-prinsippet. Dersom det er situasjonen, har vi i Noreg endå betre grunnar for å styrkja vårt eige regelverk. Det er viktig med eit styrkt regelverk, men det er òg viktig å sikra at dagens regelverk blir oppretthalde. Difor må vi ha sterkare tilsyn og kontroll enn i dag. Svenske tilsyn avdekte ulovlege stoff i meir enn kvart tiande produkt dei kontrollerer, og gjennom deira nye handlingsplan fekk dei meir enn femdobla tilsynsfrekvensen, og eg håpar at budsjettprosessane våre vil føra til ei styrking av både Mattilsynets og Miljødirektoratets kapasitet til prøvetaking og tilsyn her hos oss. På same vis vil eg framheva at Forbrukarrådet gjer ein viktig jobb for å auka kunnskapsnivået om miljøgifter, og Forbrukarrådet bør òg styrkjast, i tillegg til ein god grunn til å gå i front i Noreg er dei spesielle naturgeografiske vilkåra våre, og det må vi snakka meir om ein annan gong. Takk til forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet og SV, som nå løfter et viktig miljø- og helseproblem på den politiske dagsordenen, og takk til saksordføreren for godt arbeid og et godt resultat. Stortingsmeldingen «Sammen for et giftfritt miljø» slo allerede i 2006 fast at alle vesentlige kilder til miljøgifteksponering skal elimineres og konsentrasjonen av miljøgifter i miljøet skal reduseres til førindustrielt nivå. Hvorfor førindustrielt nivå? Jo, fordi vi mennesker er konstruert for en miljøgifteksponering på førindustrielt nivå, og vi blir syke av høyere miljøgifteksponering enn det. Miljøgiftutfordringen handler til sjuende og sist om langt mer enn kjemikalier og regelverk. Det handler om at vi har et ekstremt materielt forbruk som skaper rovdrift på ressurser, og som skaper kortsynt bruk av produkter. Forbrukerrådet skriver i sin høringsuttalelse at den store endringen i kjemikalieeksponering de siste 50 årene har tett sammenheng med at forbruksmønsteret har endret seg radikalt. Barn har mye mer klær, sko og leker. Vi bytter ut klær og utstyr mye raskere. Barn eksponeres for kjemikalier i et helt annet omfang enn før. Og, som representanten Astrup påpekte, nye produkter avgir mye mer kjemikalier enn brukte. For å komme miljøgiftproblemet virkelig til livs må vi skifte innstilling til forbruk, og vi må innse at forbruk på norsk 2015-nivå i seg selv skaper problemer for både livskvalitet, helse og miljø. Et samlet storting er enig om at giftige produkter påfører befolkningen farlige utfordringer og lidelser. Vi vet fra før – det er godt dokumentert – at miljøgifter hoper seg opp i naturen. Vi kjenner de iøynefallende resultatene der polarmåker dør på Bjørnøya og isbjørnunger fødes tvekjønnet på Hopen, og vi vet at dette bare er de synlige utslagene av en dyptgående forgiftning av hele miljøet. Denne typen problemer krever åpenbart en samordnet statlig innsats, som tar tak i både produksjon, bruk, spredning og resultater av miljøgifter. Derfor er det bra og langt på overtid at startskuddet nå går for en handlingsplan for å redusere dette problemet i Norge. Men for å gi resultater må en slik handlingsplan ha innsats på minst fire områder. For det første, som også representanten Astrup påpekte, er det internasjonalt arbeid for å hindre produksjon og omsetning av farlige stoffer, ikke minst gjennom EUs kjemikaliedirektiv, som også ble nevnt fra SVs side. Det kreves også betydelig større innsats i prøvetaking og kartlegging av miljøgifter i produkter som uansett blir omsatt i Norge. Det er en selvsagt forutsetning at de stoffene som medfører størst helse- og miljøfare, må forbys i Norge – selv om det gjør at vi kommer i tottene på EØS-organer. Og det er ikke minst nødvendig med mer informasjon til forbrukerne, så de kan gjøre informerte og trygge valg i butikkhyllene. Derfor hadde dette forslaget blitt enda bedre om vi hadde fått flertall for de forslagene som Miljøpartiet De Grønne et av de aller mest effektive tiltakene som vi allerede har for å beskytte voksne og barn mot miljøgifter, nemlig forbrukerinformasjon gjennom Forbrukerombudet og Svanemerket – det blir nedstemt i dag. Dette er gode virkemidler, og de kan gi langt større effekt hvis de får ressurser til å øke innsatsen. Regjeringspartiene vil i dag ikke forplikte seg til så mye mer enn å lage et dokument som kan inneholde mye, eller lite, når det gjelder forpliktende tiltak. Likevel er det et stort framskritt at det nå startes et planarbeid som fagmiljøer og interesseorganisasjoner i sin tur kan påvirke til det bedre underveis. En miljøgiftplan gir bare resultater hvis vi er villige til å gjennomføre de konkrete tiltakene. I dag, samtidig med at den gode ideen om en miljøgiftplan blir vedtatt, demonstrerer Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet med fynd og klem hvordan vi ikke løser miljøgiftproblemene i Norge. De vedtar å øke miljøgiftbelastningen i norsk natur ved å gjenoppta spredningen av den aggressive miljøgiften bly. Dette er en måte å komme skeivt ut fra

en viktig del av kjemikaliepolitikken, og i Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil begrense spredningen av miljøgifter. Miljøgifter er, sammen med klima- og naturmangfold, de tre viktigste miljøutfordringene vi står overfor. I Norge har vi et ambisiøst nasjonalt mål for miljøgiftene – miljøgiftmålet – der står det: «Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen Regjeringen vil legge fram en Den skal vise hva vi skal gjøre framover for å nå målet. Det er fastsatt en prioriteringsliste med drøyt 30 stoffer og stoffgrupper, og det er disse stoffene målet og vår handlingsplan handler om. Handlingsplanen vil bl.a. si noe om behovet for kunnskap, hvordan vi håndterer miljøgifter i produkter, i industrien og i avfall. Den vil se på spørsmål rundt handel og hvilke krav forbrukerne kan stille, og sist, men ikke minst, om det er behov for å styrke tilsyn og kontroll. Her er det også viktig å minne om at vi er på riktig vei. Utslippene av de fleste stoffene på prioritetslisten er kraftig redusert siden 1995. Vi legger opp til at handlingsplanen skal være ferdig før påske. Jeg merker meg at regjeringen i energi- og miljøkomiteens innstilling blir bedt om å utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag, og at denne handlingsplanen skal inkludere internasjonale og nasjonale tiltak, økt tilsyn og kontroll, forbrukerinformasjon og bransjedialog. Dette er i tråd med det regjeringen har tatt sikte på å omtale. Miljøgifter spres mest gjennom langtransporterte utslipp og gjennom utslipp fra produkter vi importerer til landet. Internasjonale reguleringer, globalt og gjennom EØS-samarbeidet, er derfor det viktigste virkemidlet for å stanse bruk og utslipp av miljøgifter. Norge har vært blant de mest aktive landene i det å jobbe for at de internasjonale kjemikalieregelverkene skal bli best mulig. EU har det fremste kjemikalieregelverket i verden i dag, og Norge jobber for at det skal bli bedre. er vi med i REACH-up-gruppen av land som påvirker EU til en fortsatt ambisiøs kjemikaliepolitikk. I tillegg jobber vi tett med våre nordiske kolleger. Vi arbeider også systematisk for å redusere utslipp og spredning her hjemme. Det åpnes for replikkordskifte. I slutten av januar fikk vi nyheten fra ESA om at Norge skal oppheve forbudet mot bruk av PFOA – jeg forholder meg til disse bokstavene – i tekstiler. Dette er syre som ifølge Miljødirektoratet kan skade reproduksjonen og være kreftfremkallende. Statsråden sa litt om det i sitt innlegg, men kan statsråden si noe mer hva Norge gjør internasjonalt for å utøve påtrykk, slik at giftstoffer som PFOA o.l. blir fjernet i produkter som selges i Norge? Det er riktig at det særnorske forbudet mot PFOA er under press fra EFTAs overvåkingsorgan ESA og fra EU. Det er nå formelt varslet at ESA vurderer å fremme sak mot Norge i EFTA-domstolen om dette forbudet, noe som illustrerer at det er vanskelig å gå inn for nasjonale forbud. Det er mye bedre at vi jobber internasjonalt for at EUs kjemikalieregelverk blir enda mer ambisiøst enn det er i dag, selv om dette er det mest ambisiøse i verden. Jeg tror det viktigste vi gjør, er gjennom det nordiske samarbeidet. Hver gang vi miljøministre møtes i Norden, står dette på dagsordenen. Vi vet at vi sammen med Sverige og Danmark kan gjøre mer her, og vi har også vært med på et opprop til den nye kommisæren i EU om at dette forblir på dagsordenen i EU. Vi tror vi når raskest til
representanten Marit Arnstad

enig med representanten Aukrust i. Det er nettopp det dette dreier seg om – å få mer oppmerksomhet rundt de utfordringene som miljøgiftene stiller oss overfor: at vi får fram hva vi som forbrukere kan etterspørre mer når vi er ute og handler, hva vi skal se etter, at det finnes merking av produkter som vi kan se etter, og at næringslivet vet hva de skal forholde seg til, også gjennom det internasjonale regelverket. Det er den type problemstillinger det er naturlig også å ta opp i Jeg er helt enig i at forbrukerne må få god nok informasjon. Derfor synes jeg det er litt rart at vi ikke allerede i dag kunne ha vedtatt det som er forslag fra nesten alle opposisjonspartiene, om å gi forbrukerne bedre informasjon ved å styrke de ordningene som vi vet fungerer godt. Mitt andre spørsmål handler om en av de andre sakene som ikke blir vedtatt: Hva gjør vi med legemidler som ikke blir brukt? Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at flertallet skriver i sine merknader at de ikke vet om dette fungerer godt nok i dag, samtidig som de ikke vil være med på et forslag om at dette må inkluderes i den handlingsplanen som statsråden nå skal lage. Hva er statsrådens begrunnelse for at flertallspartiene ikke kan stemme for dette forslaget i dag? Det er jo allerede i dag etablert en returordning for ubrukte legemidler gjennom apotekene. Jeg er ikke kjent med at denne ordningen ikke fungerer etter hensikten. Hvis så er tilfellet, er det naturlig å se på dette som en del av handlingsplanen, men jeg mener at dette er en returordning som fungerer i dag. Det er veldig positivt at vi får signal om en handlingsplan allerede før påske. Det synes jeg er et godt signal. Til spørsmålet om marked og næringsliv vil jeg gjerne få lov å understreke behovet for en bransjedialog med utvalgte bransjer, kanskje særlig klesbransjen og leketøysbransjen, som jeg vet de har gode erfaringer med i Sverige. Jeg heier også på det forbudet Norge har innført mot perfluoroktansyre. Det er et svært skadelig stoff, og jeg mener at Norge, på tross av at en er stevnet av ESA, skal se på det med frimodighet. Det norske forbudet er berettiget. Jeg tror like gjerne at enden på den visa kan bli at Norge og Tyskland sammen klarer å presse gjennom et forbud i hele EU. Så har Sverige stevnet Europakommisjonen for EU-domstolen for ikke å ha vedtatt noen kriterier når det gjelder hormonhermere, eller hormonforstyrrende stoff. Mitt spørsmål til statsråden er rett og slett: På hvilken måte vil den norske regjeringen støtte Sverige